regjeringa ikkje gjorde. I tillegg har me klart å styrkja kommuneøkonomien, som set kommunane betre i stand til å yta gode tenester til innbyggjarane. Så eg aksepterer ikkje premissen om at me har sett skattelette over velferda, for me har faktisk greidd å gjera begge delar i denne førre perioden. Når ein òg stiller spørsmål til oss om berekraft, klarer me å balansera det på ein god måte – sunn og god økonomi saman med gode velferdsordningar. Partiet som spørsmålsstillaren representerer, har jo gått inn for ei tilstrøyming på asylfeltet som ikkje er berekraftig i det heile, og som ville generert utgifter til Noreg som er på eit heilt anna nivå enn det ein peiker på. Så eg aksepterer ikkje heilt premissen for spørsmålet. Replikkordskiftet er omme. Eg vil i dag rette merksemda mot det som vert ei av dei aller viktigaste sakene på Stortinget i haust, den såkalla landmaktutgreiinga. Som folkevalde er

Eit sterkt norsk folkestyre føreset ein velfungerande og suveren nasjonalstat, og det er ikkje mogleg å sikre norske borgarar sin suverene rett til å styre landet sitt utan at me har eit sterkt norsk forsvar. Eg møtte i helga på NATO PA sin haustsesjon i Bucuresti. Der var det fokus på mange av dei utfordringane som skjer rundt oss, men det var òg fokus på finansiering av forsvaret i alliansen. Senterpartiet tek Noreg sine plikter overfor NATO på alvor. Me vedtok under vårt landsmøte i 2015 at Forsvaret må styrkjast, og at Noreg må auke løyvingane til Forsvaret tilsvarande 2 pst. av BNP. Dette er eit mål som statsministeren sjølv har underteikna i Wales, men som ho seinare gav uttrykk for var tull. På Høgre sitt eige landsmøte vart det opprør mot dette, noko som gjorde at òg Høgre vedtaksfesta eit 2 pst.-mål i eige program. Etter dette har like fullt Høgre sin eigen forsvarsminister måtta innrømme at regjeringa sin eigen plan for Forsvaret, regjeringa sin langtidsplan, er langt unna å møte våre plikter overfor NATO. Kva mandat ligg så til landmaktutgreiinga? Jau, å leggje fram eit forslag som måtte liggje innanfor dei økonomiske rammene i 20-årsperspektivet som er lagt til grunn for landmakta i langtidsplanen. Langtidsplanen inneheld ikkje tilstrekkeleg finansiering til å sikre Hæren alle naudsynte kapasitetar for at den skal fungere. NATO er tydeleg på at Noreg treng ein moderne og mekanisert brigade. Det vil Senterpartiet jobbe beinhardt for å sikre. I og med at òg dei andre store partia på Stortinget har vedtaksfesta NATO sitt 2 pst.-mål, reknar eg med at dei vil støtta Senterpartiet si styrkte satsing på Forsvaret i dei komande åra.

No kan like fullt debatten ikkje verte halden nede. Me i Senterpartiet skal arbeide for at alle i Noreg får informasjon dei treng om utviklinga av Forsvaret, for utviklinga av Forsvaret er grunnleggjande for framtida til landet vårt. Me trur på folk sin klokskap og suverene rett til å styre landet. Så store spørsmål som me no skal handsame, kan ikkje berre verte avgjorde på nokre kontor i departementet – ikkje i regjeringskonferansen. Det har vore mykje uro i Forsvaret det siste året. Til og med Forsvaret sine øvste leiarar, som tenkjer særs nøye gjennom orda sine før dei uttalar seg til media, åtvarar sterkt mot det som no skjer. Sjef for Hæren, Odin Johannessen, har slått fast at regjeringa sin langtidsplan er ei nedprioritering av Hæren, og sjef for Heimevernet, Tor Rune Raabye, slo i ein kronikk i DN onsdag 12. juli fast at Noreg treng fleire, ikkje færre HV-soldatar. Hæren er etter den kalde krigens opphøyr redusert med over 90 pst., og HV tilsvarande med 50 pst. Eg meiner reduksjonane har gått for langt. Få, om nokre, andre europeiske land kuttar i dag i sitt heimevern. Blant anna Frankrike, Finland og Latvia aukar no sitt heimevern, og det var ein gjennomgangstone på NATO-parlamentarikarforsamlinga sitt møte at det trengst ei stor og vedvarande styrking av Forsvaret i alliansen sine medlemsland. USA er svært tydeleg. Me treng USA som dedikert ikkje minst Noreg treng det. Det er me som er NATO i nord, det er me som har nordflanken. Som det òg har vore fokus på i den seinare tida, kan den vere utsett, både på grunn av trugsmål frå nabostatane og fordi klimaendringane gjer at ein får mykje større interesse frå mange land, inkludert Kina og andre statar som er langt unna nordområda i utgangspunktet. Så frå Senterpartiet si side skal me stå opp for det norske forsvaret, og me ser fram til mange spennande debattar i tida som kjem. Et samfunn som er bra for ungene våre, er et samfunn som er bra for alle. Hensynet til unger og ungdommer går Et samfunn som er bra for ungene våre, er et samfunn som er bra for alle. Hensynet til unger og ungdommer går som en gul tråd gjennom Kristelig Folkepartis program. På helsefeltet innebærer dette bedre fødsels- og barselomsorg, å arbeide for flere i skolehelsetjenesten og flere helsesøstre, en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot ungene våre å sikre en fastlegeordning som er et nav i helsetjenesten – for småbarnsforeldre, for voksne og for eldre. Kristelig Folkepartis fremste mål er å ha en politikk som lager et barnevennlig samfunn – et samfunn for alle. En trygg og god oppvekst for alle varer livet ut. Et samfunn som er grunnfestet på ungenes behov, må og skal bli prioritert fra Kristelig Folkepartis side. Kristelig Folkeparti skal være konstruktive og vil samarbeide. Vi kan samarbeide med alle partier som ønsker å lage et samfunn der ungene våre er i sentrum. Det handler for oss alle om å prøve å få gjennomslag for det programmet vi har gått til valg på.

Alle er like mye verdt, og det er ingen av oss som er mer verdt eller mindre verdt enn andre. Menneskeverdet er konstant, det er ikke noe vi kan gradere. Det er derfor vi fremmer forslag om endringer i pleiepengeordningen, fordi alle er like mye verdt. Vi vet at krenkelser av menneskeverdet ikke er noe som hører fortiden til. Mennesker diskrimineres på bakgrunn av kjønn, alder, funksjonsnivå, etnisitet og seksuell orientering. Undertrykkelse, utnyttelse og diskriminering skjer også i dag, også i vårt samfunn. Menneskeverdet er under press. Noen vil si at Kristelig Folkeparti overdriver eller bruker skremselspropaganda når vi advarer mot et

bare fordi de er tvilling. Kristelig Folkeparti er skuffet over stortingsflertallet og regjeringen i denne saken. I fostervannsdiagnostikken har vi snart teknikk til å finne all informasjon om fosteret. Veien ligger vidåpen for Det er et politisk ansvar, et fellesskapsansvar, å utforme etikk for denne teknikken. Uten disse rammene møter vi enkeltmennesker på en måte som gjør at de må ta umenneskelige valg og får et umenneskelig ansvar. Det er etisk forskjell mellom fostervannsdiagnostikk som tester for sykdom eller tilstander som kan behandles, og tester med formål om å finne ut det som er annerledes.

Samtidig har han sagt at han vil rekke ut hånden til alle, uansett farge på partilogo. Representanten Bollestad presiserte nå at hun ønsker å få politisk gjennomslag, og det er jeg glad for å høre. Men jeg lurer på om det betyr at Kristelig Folkeparti i denne sal er villig til å sikre flertall for gode forslag som kommer fra andre enn regjeringspartiene, f.eks. i saker som angår barn som vokser opp i fattigdom her i Oslo og i landet for øvrig. Kristelig Folkeparti har valgt ikke å ha en samarbeidsavtale med regjeringen, eller å være et samarbeidsparti, men det betyr at kommer regjeringen med politikk som er sentrumsvennlig, som Kristelig Folkeparti er, stemmer vi selvsagt for kommer regjeringen med politikk som er sentrumsvennlig, som Kristelig Folkeparti er, stemmer vi selvsagt for det. Kommer det gode forslag fra Arbeiderpartiet eller fra andre partier, vil Kristelig Folkeparti selvfølgelig vurdere det opp mot vår egen politikk og stemme for det vi er for. Samtidig må vi ha et overblikk – vi har ansvar for et totalbudsjett, og det vil vi ta ansvar for, men vi vil selvfølgelig se til

I statsbudsjettet for 2017 var Kristelig Folkeparti med på å endre denne ordningen, men uttrykte samtidig i innstillingen skepsis til at man kun skulle gå for en nettoøkning av slike plasser. Senterpartiet ønsker å stille et spørsmål til Kristelig Folkeparti om hvorvidt de vil være med på et forslag som også sørger for rehabilitering av plasser der det ikke er behov for nettoøkning av disse plassene på kort og mellomlang sikt.

sykehjemsplasser til tiden som kommer, når vi vet at det blir flere eldre enn det vi har i dag. Kristelig Folkeparti er villig til å se på begge sider, for ellers vil vi sitte igjen med et vedlikeholdsetterslep hele tiden, og det er verken kommunene eller staten tjent med.

Høyre–Fremskrittspartiet-regjeringen med støtte fra Venstre har kuttet i pleiepengene for familier med alvorlig kronisk syke barn som trenger kontinuerlig tilsyn og omsorg i mer enn fem år. SV og Kristelig Folkeparti har tidligere samarbeidet for å sikre barns oppvekstvilkår. Vil Kristelig Folkeparti vurdere å søke samarbeid med venstresiden for å hjelpe barn og familier med alvorlig syke barn?

eller får et residiv – sykdommen kommer igjen – så vet vi at det koster familien mye. Men det koster også samfunnet mye ikke å ivareta disse, og derfor vil Kristelig Folkeparti se på det. For det andre vet vi at hvis man har et sykt barn, er det å ikke ha nok penger i lommeboken nesten det siste man tenker på. Hvis lønnen er redusert til 66 pst. og man nesten ikke får endene til å møtes i en så krevende situasjon, så krevende situasjon, er det meningsløst, synes Kristelig Folkeparti. Den tredje grunnen til at vi fremmer dette, er at noen blant oss vil ha et hjelpebehov etter fylte 18 år, spesielt de som er psykisk utviklingshemmet. For dem vil vi også se på pleiepengeordningen.

da skal vi være med og se på det. Når det gjelder saken som representanten viser til i Akershus, tenker jeg at det har blitt en sak som er vedtatt, og jeg vil se saken før jeg sier at den vil jeg være med og reversere. Det må være spesielle grunner for å kunne gjøre den reverseringen. Replikkordskiftet er omme. Når en i dag diskuterer trontalen, er det for å se framover. Hva vil vi bruke denne fireårsperioden til,
innlegg på inntil 5 minutter

framfor å svartmale motstanderen. Det å bygge landet er viktig for oss som nasjon, men også for en enklere hverdag – det å skape gode bo- og arbeidsregioner, sørge for at næringslivet får styrket sin konkurranseevne, gjøre landet vårt tilgjengelig for alle som bor her, uansett funksjonsdyktighet, uansett om en har flyttet hit eller ble født her, uansett hvor en er på samfunnsstigen. Det å møte framtiden med de utfordringer som er der, med bredde i næringsliv for å skape verdier, ja det er en viktig del av dette – ikke lene oss på en oljedrevet vekst som løftet oss i årene 2005–2013, men faktisk sørge for at næringslivet skaper verdier gjennom en bredde av store og små bedrifter, både i oljen og ikke minst utenfor. Da er det viktige, En god og aktiv næringspolitikk – nei, det er ikke sånn at regjeringen er imot en aktiv næringspolitikk. Vi skal ha god og tilpasset næringspolitikk til de ulike næringene, en god skattepolitikk som gjør at det er lønnsomt å drive i Norge, attraktivt å være i Norge, god satsing på forskning og utdanning og en satsing på infrastruktur, ikke bare den fysiske med vei og jernbane, havner og flyplasser, men også den digitale, med 4G – 5G i framtiden – fiber Her ser vi at borgerlig side gang på gang fant enighet i de årene som gikk – og vi skal gjøre det framover – mens rød-grønn side ikke fant det. Innenfor infrastruktur, som er et eksempel på hvordan regjeringens satsing har skutt fart, ser en både satsing på å bygge nytt og ikke minst på å vedlikeholde det vi har. Det er også en del av det å ta vare på landet vårt. Vi ser at norske entreprenører vinner langt flere Det betyr at entreprenørene har gode næringsvilkår og ikke minst god arbeidskraft. Det er viktig for regjeringen at vi også sysselsetter nordmenn i dette. Jeg er glad for at den synlige satsingen blir lagt merke til, og at vi de neste årene skal realisere Nasjonal transportplan, som borgerlig side var enige om, men hvor opposisjonen sprikte i alle retninger. Jeg håper likevel at den trontaledebatten som vi har nå, kan gjøre at også opposisjonen samler seg, sånn at når Nasjonal transportplan skal gjennomføres, gjør en det med konstruktiv støtte fra Stortinget og ikke med sprikende debatter. Vi må samtidig ha respekt for skattebetalerne. Derfor er det ikke bare en diskusjon om hvem som bevilger mest penger til et formål, men også hvordan vi sørger for at pengene brukes på en effektiv måte. Der klarte også borgerlig side å samle seg om en rekke reformer som ikke minst de neste årene vil skyte fart og vise nytteverdien, mens opposisjonen sprikte og Vi må sørge for at når vi bygger vei og jernbane, når vi bygger våre sykehus og universitet, gjør vi det på en mer effektiv måte enn før, sånn at skattebetalernes penger brukes effektivt, men vi også får løst felles oppgaver. Så må vi bruke markedet der markedet fungerer godt. Innenfor fiberutbygging og 4G har mange ulike regjeringer lagt vekt på at markedet skal være en viktig aktør. Gjennom enklere regler fra regjeringen og en kraftig satsing ser vi at markedet nå responderer med en kraftig økning i sine investeringer. I 2016 var investeringene 3 mrd. kr høyere enn før forrige regjeringsskifte. Det viser resultatene. Jeg merker meg også at i dagens debatt er det mange som gir inntrykk av at det ikke føres en klimapolitikk fordi ikke alle er like frelste i miljødebatten som enkelte naturvernere. La oss da se på resultatene: Under de fire årene som har vært, som peker på hvor vi skal hen, går nå utslippene fra personbilsektoren faktisk ned og ikke opp. I Nasjonal transportplan synliggjorde en mulighet for kutt fram til 2030 på 60 pst. Det vitner om at den skremselen som enkelte tar opp i replikkordskiftet når det gjelder klima, ikke har grunnlag i den politikken som dagens regjering fører. Vi bygger ut mer infrastruktur for lading av utslippsfrie biler. Noen gir inntrykk av at en ikke gjør noe innenfor skipsfarten, samtidig som Dagsavisen før valget kunne melde at over 50 ferjer i 2020 kommer til å ha batteripakker om bord, det er et utviklingsprosjekt for hydrogenferjer, en ser på bruk av hydrogentog, utbygging av fornybar kraft har en dobbel så høy takt nå som de siste 25 årene i snitt, og satsingen på tog og satsingen på kollektiv i byene er langt høyere nå enn noen gang før. Så jeg kan love at også satsing på å redusere uønskede utslipp kommer til å vedvare med dagens regjering. Det vert replikkordskifte. Jeg kan love samferdselsministeren at Arbeiderpartiet skal være svært så konstruktive i gjennomføringen av Nasjonal transportplan. Men alt går ikke på skinner, dessverre, bokstavelig talt. I høst har det vært store problemer i togtrafikken på Østlandet. Tusenvis av fortvilte togpassasjerer har vært rammet – passasjerer som har kommet for sent på jobb eller for sent hjem, eller begge deler. Punktligheten for NSBs passasjertog var i august og september den laveste på mange år. Ja, så ille var det at NSB-sjefen måtte be om krisemøte med de andre enhetene innenfor jernbanen, og de er det som kjent blitt svært mange av etter hvert. Jeg har skjønt at det var et møte nå før helga, og spørsmålet mitt til samferdselsministeren er: Kan samferdselsministeren love de reisende at det nå er slutt på problemene i togtrafikken på Østlandet, som vi

regulariteten vil være til stede. En fryktet en kollaps i jernbanen, ifølge daværende leder i Jernbaneverket, Elisabeth Enger. Responsen fra daværende regjering var å kutte vedlikeholdssatsingen tre år på rad. Dagens regjering har økt vedlikeholdssatsingen fire år på rad. Forfallet går nå ned og ikke opp. Men utfordringen er bl.a. at på Kongsvingerbanen har man en kjøreledning som er fra Når dagens regjering har ønsket å bytte den ut, har jeg fått tilsvarende kritikk fra Arbeiderpartiet fordi det betyr at noen tog må stå og det går buss isteden. Nå får jeg kritikk for at det ikke er blitt byttet ut allerede, så av og til må man velge hvilken kritikk man skal fremme. Jeg har ikke kritisert samferdselsministeren, jeg stilte ham et spørsmål. Jeg håper det var et konstruktivt møte, som jeg registrerte skulle være på torsdag forrige uke etter de store problemene som har vært i jernbanetrafikken. Vi har etter hvert fått veldig mange enheter innenfor jernbanen, noe som antageligvis er noe av grunnen til det vi nå ser, at det nå er behov for mange oppklaringsmøter, fordi det er veldig mange enheter innenfor Jernbane-Norge. Men spørsmålet mitt var rett og slett: Hva medførte møtet? Hva er situasjonen nå? Kan de reisende på Østlandet regne med at de problemene som har vært tidligere i høst, nå er løst?

fordi man ser at det er jobb på gang nettopp for å løse de problemene. Vi kommer til å sørge for at det blir en videre satsing når det gjelder økte bevilgninger til vedlikehold. Vi har snudd den nedadgående trenden som vi arvet i 2013. Det er en oppadgående trend som gjør at en nå for tredje, snart fjerde, år på rad har redusert forfallet på jernbanen istedenfor at det har økt.

vil være effektivt. Næringslivet i området har satset 50 mill. kr for å få byggingen av tunellen i gang. Tunellen er straks ferdig, takket være lokal medfinansiering. Problemet er at regjeringen har helt ut i ytterste ende av en forlenget NTP-periode. Skjønner statsråden at folk og næringsliv i nord føler seg provosert av denne uforståelige og ukloke utsettelsen av E6 Sørelva–Borkamo? Jeg har reist veldig mye på landets veier generelt, men spesielt på E6. Jeg begynte mitt år som statsråd med å kjøre E6 fra sør til nord. Jeg avsluttet perioden med å kjøre fra nord til sør. Det jeg merket, var en betydelig endring i aktiviteten på veien, ikke bare trafikken, men anleggstrafikken. Da vi kjørte der i 2014, møtte vi kommunestyrepolitikere, næringsliv, transportbedrifter o.l., som i mange år, ja mange tiår, hadde ønsket at anleggsarbeidet skulle komme i gang. Ikke bare hadde det blitt lovt én gang fra forrige regjering, men mange ganger. Problemet var at pengene kom ikke. En del av disse strekningene lå også inne i NTP 2010–2019 uten at pengene kom. Så det hjelper ikke bare å vise til at det lå i NTP, når man ikke setter i gang. Hvis en nå kjører E6 gjennom Helgeland, ser man at man er i gang med bygging av 16 mil med ny E6, som ikke bare skal ha fartsgrense 80 km/t, men etter den første reisen i 2014 ble oppgradert til fartsgrense 90 km/t, fordi vi så potensialet.

ikke minst innen transportsektoren, når det gjelder klimakutt, som ikke har blitt fulgt opp av statsrådene, for det gjelder flere statsråder. Jeg kan f.eks. bare raskt henvise til vedtak 19 i forbindelse med behandlingen av Dokument 8:71 S for 2015–2016: «Stortinget ber regjeringen foreslå et omsetningskrav for bruk av bærekraftig biodrivstoff i drivstoffet for skipsfarten.» Dette er bare ett av dem, det er mange, mange flere.

Pris har f.eks. vært en utfordring på enkelte jernbanestrekninger. Mange opplever prisen på en togreise som høy i forhold til andre reisemåter, som bil, buss og til og med fly. Spørsmålet mitt til statsråden er: Ser statsråden den samme utfordringen? Det er selvsagt sånn at jo lavere prisen er, jo mer vil folk etterspørre det, alt annet likt. Så er det samtidig viktig å tenke gjennom hvordan en bruker knappe midler – om en skal bygge et bedre tilbud, eller om en skal sette ned prisen på eksisterende tilbud. Og det er litt av den gode diskusjonen som Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet har hatt, mellom regjering og storting, for å se på hvordan vi bruker pengene best mulig.

Det må vi etter vår oppfatning møte offensivt. Uber er et resultat av den utviklingen. Kristelig Folkeparti ønsker nye plattformer velkommen, Uber inkludert, men da må vi også ha reguleringer som sikrer gode tilbud i hele landet. Kanskje må vi også se landet litt ulikt fordi behovene er forskjellige. I byer som Oslo kan drosjeregelverket mykes opp, mens det i distriktene er viktig å beholde ordninger som sikrer dagens drosjetransport. Hvordan vil statsråden håndtere selskaper som Uber, samtidig som drosjetilbudet i distriktene blir minst like godt som det er i dag? Det er veldig mye spennende som skjer fordi verden får ny teknologi. Noe av det jeg tror vi er enige om, er f.eks. å se på bruk av hydrogentog, mer elbusser og elbiler o.l. Det vil løse mange problemer. Når det Når det gjelder digitalisering innenfor transportsektoren, f.eks. ved at en annen plattform enn det vi er vant til, brukes av et drosjeselskap som Uber, har det skapt utfordringer fordi de ligger langt framme i å utvikle teknologi som forbrukerne ønsker. De ser også muligheten for å levere tjenesten bedre og billigere enn det tradisjonelle markedet har gjort. Samtidig vet vi, av egen erfaring, etter å ha besøkt myndighetene i at en del steder der Uber går inn, ser man en reduksjon i lønnsnivå, man ser arbeidsavtaler uten særlig pensjonsrettigheter, og man ser at drosjemarkedet utenfor byene mer eller mindre kollapser fordi folk ikke lenger kan leve av det. Vi må sikre at vi har et godt drosjetilbud over hele landet, at vi tar inn over oss mulighetene som nyskapingen har, samtidig som vi opprettholder et godt arbeidsmarked for dem som driver næringen, og det må vi få til sammen.

akslet den oppgaven de fire siste årene. Vi kan ikke fortsette å bruke like mye oljepenger samtidig som innsatsen på områdene med de største utfordringene er som den har vært. Vi blir flere eldre, og ulikhetene øker. I 2016 ble det født nesten 60 000 unger i Norge. Det er 60 000 små liv som skal bli sett, som skal få trygghet, kjærlighet og muligheter. Det viktigste vi gjør i denne salen for helsen til folk, gjør vi lenge før de blir syke, og det krever noe av oss som politikere. I denne stortingsperioden skal Arbeiderpartiet fortsette å jobbe for vår felles helsetjeneste. Vi kommer til å jobbe for at barn, unge, forebygging og folkehelse får like mye oppmerksomhet som sykehus, ventetider og behandling av ulike sykdommer.

brytes. Da kan vi egentlig ikke fortsette med at den forebyggende innsatsen begrenser seg i så stor grad som den har gjort. En oppfordring om å røre seg 30 minutter om dagen er veldig bra, men det er for lite, og det er for puslete. Da Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen la fram sin tipunktsplan for helsepolitikken midt i august, var verken folkehelse eller forebygging Ikke ett punkt på den listen ble spandert på det som legger grunnlaget for en god helse. Verdens helseorganisasjon sier at vi er vitne til en epidemi som brer seg til alle land. 60 pst. av alle dødsfall i verden skyldes nå disse ikke-smittsomme sykdommene. I Norge er tallet nærmere 80 pst., og det er fortsatt tydelige sosiale forskjeller i befolkningen.

Den følger ikke de gode rådene, og den benytter seg ikke av disse store, brede fellesskapsarenaene. Man sier rett og slett nei til det som virker mest. Det har vi ikke råd til. Vi i Arbeiderpartiet vil søke et bredest mulig samarbeid i Stortinget for å holde friske folk friske – fysisk aktivitet i skolen, skolemat, en utvidet skolehelsetjeneste som treffer elevene der de er, og en framtidsrettet helsepolitikk. Den skal forebygge, gi muligheter og ikke bare reparere. Norge er

Derfor prioriterer Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen arbeidet mot vold i nære relasjoner og vold mot barn høyt. Den første opptrappingsplanen mot vold og overgrep ble vedtatt i Stortinget i forrige periode. Aldri før har det blitt lagt frem en så forpliktende plan på dette området. Vårt mål er at ingen barn skal oppleve vold og overgrep. Norge skal være et trygt og godt land å bo i for alle. I de neste årene skal vi fortsette å styrke innsatsen for dem som trenger det mest.

satser spesielt på forebygging og tidlig innsats. Det er viktig for mange familier, og det kan holde mange familier sammen. Men noen barn opplever å måtte flytte fra sine foreldre, fra sine familier eller fra sine lokalmiljøer, til nye familier og nye omsorgspersoner som kan gi dem trygghet når situasjonen hjemme er som mest utrygg. Omsorgsovertakelse i barnevernet skal alltid være siste utvei, men det er en viktig og helt nødvendig utvei for noen. Hver og en av disse mer enn 54 000 barna trenger å vite at vi skal være der for dem, og at de har en viktig stemme, som vi skal lytte til. Barnevernet er en av de viktigste tjenestene vi har for å hjelpe og trygge utsatte barn, men også for å hjelpe familiene. I slutten av forrige stortingsperiode vedtok vi en barnevernsreform. Den skal bidra til å styrke kommunenes mulighet til å gi bedre hjelp. Flere barn og familier skal få rett til hjelp til rett tid. Vi skal i denne perioden fortsette å styrke kommunenes muligheter til forebygging og til helt nødvendig kompetanseheving. Selv den dyktigste fagpersonen, eller kanskje spesielt den dyktigste, trenger kollegaer til å gi råd og til å avlaste. Både barna og fagpersonene fortjener at vi legger opp barnevernet på en måte som gir dem det. Vi trenger de robuste kommunene som kan ivareta behovene. I årene fremover skal vi styrke satsingen i det kommunale barnevernet betydelig, og gjennom kommunereformen skaper vi større fagmiljøer i det viktige barnevernet. Da Senterpartiets Marit Arnstad tidligere i dag svarte på en replikk om barnevern, tolket jeg hennes svar slik at utfordringene i barnevernet ikke har noe som helst med kommunereformen å gjøre. Det er trist at Senterpartiet fortsetter sin bakstreverske holdning til helt nødvendige reformer når endringene er så nødvendige for å sikre bedre tjenester til dem som trenger det mest. Arnstad sa noe slikt som at det må da være fullt mulig å gi oppgaver til kommunene uten å tenke struktur. Men det har vi drevet med i snart 50 år. Det har resultert i svimlende mange interkommunale selskaper, som løser helt basale oppgaver for kommunene, mer eller mindre utenfor de folkevalgte kommunestyrenes rekkevidde. Skulle vi ha fortsatt slik Senterpartiet ønsker det, ville lokaldemokratiet Heldigvis skjer ikke dette, fordi velgerne i dette valget har gitt fornyet tillit til de partiene som ser at en helt nødvendig kommunereform sikrer de aller viktigste velferdstjenestene, og at lokaldemokratiet fortsatt skal blomstre og vokse. Barnevern skal og bør være en av kommunenes viktigste oppgaver. Da må vi sikre at fagmiljøene er gode nok og store nok til å sikre kontinuitet hos ansatte, mulighet for faglig utvikling, utvikling, og at saksbehandlerne har mulighet til å ha en armlengdes avstand, slik at ikke innbyggerne mister tillit fordi fagmiljøet er for lite. Mange små kommuner har få stillinger i sitt barnevern. Barnevernet er så viktig at Stortinget nylig vedtok at alle kommunestyrer hvert år skal behandle rapport om tilstanden i sitt barnevern. For Høyre handler at ingen av oss skal reduseres til å være en liten brikke i et stort puslespill, men at hver enkelt av oss er den viktigste brikken i puslespillet den dagen vi trenger hjelp. Om det er viktig på mange områder, er det i hvert fall helt avgjørende viktig for barn og unge i barnevernet.

gjennom betydelig oljekrise med et stort fall i oljeprisen, og regjeringen har gjort det med stort hell. Vi ser at arbeidsledigheten faller måned for måned til tross for utfordrende tider. Arbeidsledighetstall fra Nav viser at ledigheten har falt jevnt, og at den nå er nede på ca. 2,5 pst. Det er ned fra 2,8 pst. for ett år siden. siden. Det er spesielt gledelig at de såkalte petroleumsfylkene har den største nedgangen. Men det som også er viktig, er å snakke om at vi skal få flere i arbeid. For det er fortsatt for mange som står utenfor arbeidslivet av folk i arbeidsfør alder. Da er det ikke ett enkelt grep man kan ta, men et vidt spekter av virkemidler – alt fra hvilken utdanningspolitikk vi fører, om vi har en utdanningspolitikk der kunnskap er i fokus, vi har en samferdselspolitikk der folk kan raskt og enkelt komme seg til og fra jobb, der varene kan komme raskest mulig ut der de skal, og på en rimeligst mulig måte, hvilket skattenivå vi har. Velgerne sa heldigvis tydelig nei til Arbeiderpartiets ønske om massive skatteøkninger for innbyggere og næringsliv. Vi ser Ledigheten går ned, det skapes nye arbeidsplasser, og det er en optimisme i arbeidslivet. Men fortsatt er det flere viktige grep vi må ta. Det ene gjelder arbeidslivskriminaliteten. Det er en utfordring, og mye tyder på at det også vil være en betydelig utfordring i flere år fremover. Samfunnet opplever i dag grenseoverskridende kriminalitet på mange plan, og dette påvirker arbeidslivet. For den enkelte som blir utsatt for dette, er det selvfølgelig særdeles alvorlig, men det er også alvorlig for alle de seriøse aktørene som finnes der ute. Heldigvis drives de fleste norske bedrifter godt og drives etter boken og etter spillereglene og har en fair konkurranse. Men vi ser at dette er under press, og da er jeg veldig glad for at regjeringen har hatt fokus på dette de senere årene og fortsatt kommer til å ha det i årene fremover. Budsjettene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet har økt, straffene er skjerpet, nye sentre er etablert, samarbeidet mellom de ulike kontrolletatene er bedre, vi har tatt tak i utfordringer man tidligere hadde med at enkelte offentlige instanser satt på informasjon som de ikke nødvendigvis kunne dele med andre. Men fortsatt gjenstår det mye, og der er jeg glad for at regjeringen er tydelig. Da vi i forrige periode også moderniserte arbeidsmiljøloven, fikk vi mye kritikk. Men det vi ønsket å gjøre, var å sørge for å få en arbeidsmiljølov som var tilpasset det arbeidslivet vi har i dag, de behovene menneskene og bedriftene faktisk har i dag. For det er slik at samfunnet endrer seg, og da kan det også hende at det er fornuftig å gi noe mer fleksibilitet rammene. Det var det vi gjorde. Selv om man også i valgkampen og den siste fireårsperioden kunne få inntrykk av det motsatte, er de ytre rammene de samme, men vi har åpnet for mer fleksibilitet der begge parter, både arbeidsgiver og arbeidstaker, ønsker det. Mye viser at også den politikken faktisk var riktig, og at mye av skremselspropagandaen slo feil. Så jeg ser lyst på fremtiden også for norsk arbeidsliv, for vi har en regjering som har vist handlekraft og sørget for at vi får skapt nye arbeidsplasser og samtidig bevart dem vi har. Senterpartiet måler ikkje berre sin næringspolitikk i kor høg eller låg arbeidsløysa er. Senterpartiet måler ikkje berre sin næringspolitikk i kor høg eller låg arbeidsløysa er. Senterpartiet er oppteke av å føra ein næringspolitikk som gjev høg verdiskaping, og som sikrar busetjing i heile Noreg. Politikken må òg sikra høgast moglege eksportinntekter. I ei tid der det politiske ordskiftet nærmast druknar i festtaleformuleringar om grønt skifte, havrommet og innovasjonskraft, meiner eg det heller er betre å løfta fram ord som handelsbalanse, lokalt eigarskap og nasjonal kontroll. Det viktigaste er likevel ikkje kva ein seier, men kva ein gjer. «Godt gjort» må definitivt verdsetjast høgare enn «godt sagt». Eitt eksempel er planen om at eit såkalla grønt investeringsfond, Fornybar AS. Det er no gått to år sidan Stortinget gjorde vedtak om dette. Etter to år veit me berre at dette skal liggja i Stavanger. Det meste anna er i det blå-blå. Godt sagt, men framleis ugjort. Status så langt: Null nye arbeidsplassar, null verdiskaping. Framtidsnæringane i Noreg må ta utgangspunkt i dei ressursane me råder over. Noreg er rikt på ressursar. For Senterpartiet er ei av dei viktigaste sakene å sikra nasjonal nasjonal kontroll over fisken, nasjonal kontroll over jorda, nasjonal kontroll over vasskrafta, nasjonal kontroll over skogen, nasjonal kontroll over infrastrukturen, nasjonalt eigarskap til viktige bedrifter i Noreg. Det meste av arbeidet som vert gjort i Noreg, er det nokre andre ein annan plass i verda som er villig til å gjera for mindre betaling enn det lønene i Noreg er. Senterpartiet meiner det er viktig at arbeid som skjer i Noreg, skal skje med norske Set me ut stadig fleire oppgåver til andre, mistar me både kompetanse og inntekt. Derfor vil kampen for norske arbeidsfolk på land, til havs og i lufta vera prioritert for Senterpartiet i denne perioden. Senterpartiet meiner me må styrkja beredskapen i Me har gjort oss for avhengige av andre. For det er ikkje nokon god idé å kjøpa fengselsplassar i utlandet i plassen for å sikra arbeidsplassar i Noreg. Det er ikkje nokon god idé å importera stadig meir mat frå utlandet i plassen for å sikra bruk av jorda i Noreg og arbeidsplassar på meieri, slakteri og annan næringsmiddelindustri. Og det er ikkje nokon god idé å bruka billig utanlandsk arbeidskraft på båtar i norsk farvatn i plassen for å tryggja norske sjøfolk.

og det vil gje ein politikk som i større grad ser heile landet. Det vil gje ein politikk som skjerpar kampen mot auka byråkrati, og det vil gjera det vanskelegare for regjeringa å få gjennomført nye usosiale avgifter. Landet treng ein meir aktiv næringspolitikk. Senterpartiet vil ta eit leiarskap for å sikra auka verdiskaping, for å sikra jobb til folk i Noreg, for å sikra norske arbeidsvilkår for arbeid i Noreg og nasjonal kontroll over naturressursane. For Senterpartiet trur på heile Noreg, og valet gav oss auka kraft i den

og avgjørende for en bærekraftig velferd for fremtiden. Vi skal ta vare på Norge som verdens beste land å bo i, et land hvor tilliten mellom folk er stor, og hvor forskjellene er små. Skal vi lykkes også i årene som kommer, må vi fortsette å gjennomføre nødvendige reformer. Alternativet til forandring forandring er ikke at ting blir som det var, men tilbakegang. Oljeinntektene vil etter hvert gå ned, og utgiftene til helse og omsorg vil gå opp. Færre yrkesaktive skal finansiere velferden til flere eldre. Det betyr at vi må fortsette omstillingen av norsk økonomi, slik at vi skaper flere trygge jobber. Vi må forsterke det grønne skiftet. Vår viktigste jobb er å bidra til å skape flere jobber, og at flere kvalifiseres for det nye arbeidslivet. Norge er blant de land i Europa som har kommet lengst i digitaliseringen. Det er bra. Bruk av ny teknologi gjør at norske arbeidsplasser kan bli mer konkurransedyktige, og jobber som tidligere ble flyttet ut av Norge, kan flyttes hjem. Nye digitale tjenester og en mer innovativ offentlig sektor gjør at vi kan flytte ressurser fra administrasjon til helse, omsorg og skole. Bruk av velferdsteknologi skaper trygghet for brukerne og pårørende, og det bidrar til at dyktige mennesker innenfor helse og omsorg kan hjelpe flere. Da vi overtok i 2013, manglet digitaliseringsarbeidet kraft, samordning og politisk lederskap. Vi har gjennomført et digitalt taktskifte i staten, fått til en bedre kobling mellom digitalisering i stat og kommune, bidratt til at velferdsteknologien ikke bare vises frem i showrooms, men tas i bruk i reelle rom i folks hjem, og lagt til rette for økt bruk av teknologi i bedriftene. Det skal vi fortsette med. Arbeidet skal forsterkes. Men samtidig må vi også løfte kompetansen, bidra til at flere kvalifiserer seg for nye jobber, og at de som har falt ut, kan få hjelp tilbake til arbeidslivet. Dette er viktig for tryggheten i samfunnet, men også for å sikre en bærekraftig velferd for fremtiden. I forrige periode startet Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre opp mange viktige reformer. Etter forslag fra Venstre og Kristelig Folkeparti gjennomfører vi nå en regionreform. Vi har tilpasset de statlige fylkesmannsembetene til de folkevalgte regionene. Vi startet opp kommunereformen, som skal sikre at folk også i fremtiden får gode tjenester der de bor. Skal vi bevare de norske velferdskommunene, kan vi ikke tviholde på en kommunestruktur fra 1960. Vi må sikre sterke fagmiljøer som kan gi folk gode tjenester. Vi har kommet lenger enn det jeg tror de fleste trodde var mulig. En av tre vil bo i en ny kommune i 2020. Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet ble i våres enige om at kommunereformen skal fortsette i denne perioden. Det er viktig,

En del av dette er også avtalen vi har med Venstre for å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo til kompetansemiljøer andre steder i landet. I løpet av fire år har vi flyttet ut eller besluttet etablert over 700 nye arbeidsplasser, mens de rød-grønne i løpet av åtte år kun klarte å flytte 557 arbeidsplasser ut av arbeidsmarkedet fra Oslo.

Jeg går bare ut fra at statsråden er samkjørt og enig i dette utsagnet fra regjeringskollega Fremskrittspartiet. Jeg har i så fall lyst til å spørre: Hvilke kommuner mener statsråden at dette dreier seg om? Kan det være f.eks. Moss, kan det være f.eks. Eidsberg, eller er det andre kommuner som kommer på listen etter dette utsagnet fra regjeringskollega Fremskrittspartiet?

Antall kommuner på ROBEK er nesten halvert i løpet av denne regjeringsperioden, så kommuneøkonomien er solid. Hvis jeg skulle peke på én kommune, ville jeg peke på Oslo. Der viste de borgerlige partiene gjennom mange år at man hadde Norges beste skole, at man hadde et godt og utbygd velferdstilbud – samtidig som man ikke hadde eiendomsskatt. Men som sagt: Dette er en del av lokaldemokratiet, og det er de lokale politikerne som avgjør om man skal ha eiendomsskatt eller ikke. Jeg forstår at statsråden ikke er villig til å snakke om f.eks. Moss og Eidsberg, som også har eiendomsskatt. Han viser til andre ting og svarer for så Når regjeringskollega Fremskrittspartiet nå sier at de vil fjerne muligheten for kommunene til å ta inn eiendomsskatt, skal de også gjøre dette uten at kommunene skal få noen kompensasjon for det. Det dreier seg røflig om tall på ca. 12 mrd. kr. Vi kan i hvert fall være enige om at det er en god slump penger vi snakker om.

på å ha noe forbud mot eiendomsskatt. Dette er en del av lokaldemokratiet. Høyres lokalpolitikere argumenterer ofte imot eiendomsskatt, eller for redusert eiendomsskatt, fordi det er en skatt som rammer usosialt. At Fremskrittspartiet har et annet syn, har jeg respekt for. En representant fra Arbeiderpartiet, som i hvert fall tidvis har regjert også med andre partier, vet at partiene kan ha litt ulike programforslag i denne type saker.
Neste replikant er

Vi vet at Kommunaldepartementet opererer med lavere tall, men da er ikke det interne arbeidet i kommunene og en rekke tilskuddsordninger regnet med. Høyre sier i sitt program at kommunereformen skal videreføres i stortingsperioden. De vil ta initiativ til ytterligere sammenslåinger og legge opp til at det også kan brukes tvang når det gjelder sammenslåinger videre. Kan statsråden bekrefte at regjeringen også i denne stortingsperioden vil fortsette med å bruke tvang som middel for å få kommunene til å slå seg sammen? Og hvis ja: Hvor store økonomiske ressurser er regjeringen villig til å bruke for å få igjennom sine ambisjoner om å sanere bort enda flere kommuner? Jeg er litt overrasket over at ikke Senterpartiet er mer opptatt av de tjenestene vi skal gi til innbyggerne våre – til de mest sårbare blant oss, som trenger fagfolk, til dem som trenger psykologer, til alle de kommunene som hadde trengt flere fagfolk på plan- og bygningskontoret sitt. Det er det kommunereformen handler om. Det handler om hvordan vi skal sikre gode tjenester til innbyggerne der de bor, også i fremtiden. Det er snart på tide at Senterpartiet ser at alternativet til sterke kommuner er sentralisering og en sterkere stat. Det vil være mindre lokalt selvstyre. Jeg kommer til å fortsette å kjempe for at vi skal bevare de norske velferdskommunene med stort ansvar, med fagfolk som kan hjelpe dem som trenger det aller mest. Og ja, vi har sikret gode økonomiske rammer. rammer. Den rapporten det vises til – det vet representanten – er skrevet av personer som er sterke motstandere av kommunereformen, og summen er betydelig lavere. Men ja, vi har brukt økonomiske virkemidler. Det har vært nødvendig. Det har vært riktig. Og det skaper sterkere

likevel bruker vi mindre penger på bostøtte nå enn vi gjorde i 2009, og i 2017 er det 10 000 færre som får bostøtte enn i fjor. Hoveddelen av dem er uføre som har falt ut av ordningen. Jeg registrerer at statsråden har vært ute og sagt at de har styrket bostøtten. Ja, det er noen småendringer som alle har vært enige om. Men kan statsråden forklare hvordan det er mulig å styrke bostøtten når man bruker mindre penger og færre får dem, samtidig som boutgiftene øker, vi blir flere i dette landet, og de som har minst, har stått stille i inntekt i flere år? Det er riktig at regjeringen har brukt noe mer oljepenger i denne perioden, og det overrasker meg hvis SV er uenig i at det var riktig å bruke penger i en situasjon der oljeinntektene falt fra 120 dollar fatet til 30–40 dollar fatet og 50 000 mennesker mistet jobben sin. Vi er stolte av den jobben vi har gjort de fire foregående årene. Arbeidsledigheten går ned, flere kommer i jobb, og økonomer både i Norge og internasjonalt har ment at det var riktig. Når det gjelder bostøtten, har denne regjeringen rettet opp feil og svakheter som SV har et ansvar for. Det gjelder prisreguleringsmekanismen, vi har sørget for at folk i bokollektiv får bostøtte, og vi har sørget for at barnefamiliene får mer bostøtte. Vi har styrket og rettet opp bostøtten, og i dag er det nesten halvparten så mange bostedsløse som det var da SV satt i regjering. Antall barn som er bostedsløse, har gått ned med

Det var også snakk om «showrooms». Jeg vender blikket til Stavangerregionen, eller «Greater Stavanger», som de nå ynder å kalle seg selv. Der har mange kommuner gått sammen om en digital dugnad. Jeg har registrert at regjeringen har invitert til en smartbykonferanse. Samfunnskritisk infrastruktur er jo i større og større grad digitalt styrt. grad digitalt styrt. Det gjelder strømnettet, det gjelder vann, det gjelder mer og mer innenfor kollektiv og samferdsel. Spørsmålet er om dette bare skal være en storbysatsing – vi har ikke så mange store byer i Norge – eller om vi kan etablere smarte regioner eller smarte fylker på noe vis i Norge. La meg bare først utkvittere at vi har samarbeidet veldig godt med både Kristelig Folkeparti og Venstre i hele forrige fireårsperiode. Vi har levert gode resultater, og jeg er helt overbevist om at vi gjør hverandre bedre – politikken blir bedre. Vi er opptatt av at vi nå må få fart på digitaliseringen i Kommune-Norge. Det er gjort mye i stat, nå må vi få til bedre kobling mellom det som

det er sterke miljøer også i mange distriktskommuner, og sterke fylker og regioner kan også være lokomotiver. Vi trenger et bedre samarbeid for å få digitalisert

Kristelig Folkeparti, sammen med Venstre, har vært utrolig opptatt av og en pådriver for å få til disse regionene. Det er også sagt. Hovedmålet med det er å få overført demokratiske oppgaver fra staten og ned til nærmest mulige folkevalgte nivå. Politikere skal få lov til å ta beslutninger som det statlige byråkratiet tar i dag. Så har det vært en diskusjon om grenser, og vi vet at grensedragningen ikke ble optimal. Ser statsråden de grensene som er dratt i regionreformen i dag, som endelige? La meg først takke for hyggelige ord. Jeg ser frem til å samarbeide med både representanten Torhild Bransdal og alle de andre som har tatt replikk. Det blir spennende debatter også i årene som kommer. Regionreformen er et veldig godt eksempel på samarbeid mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene. Regjeringspartiene mente i utgangspunktet at vi kunne klart oss med to forvaltningsnivåer, men med bakgrunn i Venstre og Kristelig Folkepartis engasjement gjennomfører vi nå regionreformen. Vi har satt ned et ekspertutvalg som skal se på nye oppgaver til regionene, slik at vi kan desentralisere mer makt til folkevalgte nivåer. Jeg er enig i at grensedragningen ikke er optimal. Det er kanskje ikke optimal. Det er kanskje ikke så rart. Når en har hatt samme grensedragning i over 160 år og samfunnet har endret seg, betyr det at vi også må se på grensene for fremtiden. Men vi må nå ta utgangspunkt i avtalen vi har mellom de fire partiene, gjennomføre den, og så må vi selvsagt ha et åpent sinn og se om vi kan få mer optimale grensedragninger for fremtiden, i dialog med både de nye fylkene og kommunene. Replikkordskiftet er omme.
Neste talar er

Det går opp for flere og flere. Bevisstheten om at vi må ta tydelige grep – nå – om vi skal kunne opprettholde livet på jorden slik vi kjenner det i framtiden, står stadig sterkere. Men en slik erkjennelse forplikter. Å ta vare på klodens klima er et felles ansvar for menneskeheten. Arbeidet må skje globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt. Få spørsmål

At vi bidrar internasjonalt, må imidlertid ikke hindre at vi har sterke, egne ambisjoner for klimakutt her hjemme. Vi skal samarbeide ute, men gjøre vårt her hjemme. Samtidig må vi tilpasse oss de klimaendringene som allerede er her, og i dette arbeidet spiller kommunene en svært viktig rolle. Norge må ta en tydelig lederrolle på alle disse nivåene. På alle nivå må vi være strategiske, ambisiøse og utålmodige i klimapolitikken. Dette er et verdispørsmål. Det er også et helt sentralt økonomisk spørsmål, nært knyttet til det store spørsmålet om hva vi skal leve av i framtiden i dette landet. Med god og målrettet politikk kan teknologisk endring hjelpe oss til å gjøre omstillingen til lavutslippssamfunnet langt enklere. Vi står midt oppe i det som har blitt beskrevet som den fjerde industrielle revolusjon. Begrepet spiller på hvordan en lang rekke ulike teknologiske gjennombrudd på mange ulike sektorer nå begynner å spille sammen og gi synergieffekter vi knapt kunne ane for få år siden. Digitalisering, automasjon, maskinlæring, nye materialer og helt nye produksjonsformer samspiller med nye muligheter for å produsere og lagre ren energi. Delings- og sirkulærøkonomien gir oss nye muligheter til å bruke ressursene langt mer rasjonelt. Eksempelvis har vi bare så vidt sett begynnelsen på en revolusjon innen transportsektoren. Personbiler har ligget i front – tungtransport og skipstrafikk kommer etter. Kombinert med gode kollektivløsninger er dette et av de viktigste områdene for ytterligere utslippskutt internt i Norge. På mange av disse områdene har Norge komparative fortrinn. Men det er ikke nok at de er der – vi må også bruke dem, aktivt, sammen. Vårt aller fremste komparative fortrinn er dog vår evne til å omstille oss i lag – næringsliv, arbeidsliv og offentlig sektor på samme lag. Den norske modellen har vist seg svært robust og godt egnet til å gjennomføre målrettede omlegginger på en måte som unngår at Slik sett kan vi kombinere ansvarlig og bærekraftig vekst med inkluderende vekst. Vi har klart det før, og vi kan klare det igjen. Valget dreier seg ikke om vi må gjennom denne omstillingen eller ikke – det må vi, før eller siden. Spørsmålet er om vi tar den nå som vi har det beste utgangspunktet, eller om vi venter til vi ikke lenger kan unngå den. Klimaendringene vil endre rammebetingelsene for norsk økonomi på helt grunnleggende måter. Det er derfor bra at regjeringen nå har satt ned et utvalg som skal utrede Norges økonomiske klimarisiko. Vi gjør også lurt i å se til hva som gjøres i flere av våre storbyer på klimafeltet. I min hjemby, Oslo, har byrådet tatt viktige, helhetlige grep på dette feltet, og resultatene vises allerede. De har sikret bedre kollektivløsninger, tilrettelegging for sykkel og gange og et dynamisk prissystem i bomringen. De siste oljefyrene skal bort fra Oslos gamle bygårder innen 2020. Byutviklingen skal ses i nær sammenheng med kollektivtilbudet. Arbeiderpartiet vil støtte opp om denne utviklingen i våre storbyer ved at vi går inn for 70 pst. statlig støtte til videre kollektivutbygging. Oslo har også innført årlige klimabudsjetter. I Arbeiderpartiet mener vi at dette er et eksempel til etterfølgelse – kun på denne måten får man fullt ut illustrert hvordan beslutninger i ulike sektorer påvirker hverandre.

ikke for å endre Norge, men fordi Norge har endret seg, og forventningene blant dem som bor ute i Norges land, har også endret seg. Selvsagt har dette vært vanskelige saker, men vi har stått i stormen, og vår statsminister har vært en samlende og trygg leder av landet. Vi har lagt bak oss en periode hvor vi opplevde et kraftig fall i oljeprisen, hvor 50 000 arbeidsplasser i privat næringsliv ble borte, og en migrasjonskrise. Innbyggerne har krav på samme gode kommunale tjenester om de bor i bygd eller by. De har krav på et kompetent politi som kan møte deg der du ferdes, og som kan trygge din sikkerhet, og ikke minst et politi som har et etterforskningsmiljø som gjør at de er bedre rustet til å avdekke alvorlig kriminalitet. Framtidens politi er ikke et lensmannskontor som er stengt store deler av døgnet. Våre prioriteringer har gitt oss 1 800 flere ansatte i politiet, nytt digitalt utstyr og ikke minst flere politibiler. Nå går responstiden ned, og oppklaringsprosenten går opp. I Nordland har også velgerne gitt Høyre og Fremskrittspartiet tillit – vi beholdt våre til sammen fire mandater fra fylket. Høyre har snakket om Høyres politikk og Vi har vist til at det går godt i Nordland, og regjeringen har levert den politikken som mange av våre velgere ønsker. Ved besøk hos bedrifter og i snakk med privatpersoner er det stort sett to ting som har vært etterspurt: sørg for at det bygges vei, slik at våre varer kommer ut på markedet, og fjern den urettferdige formuesskatten. Det var ingen som sa at de ønsket en skatteregning på minimum 15 mrd. kr, som Arbeiderpartiet lovet dem. Høyre i regjering har levert. Andelen av samferdselsbevilgninger til nord er økt fra 14 pst. til over 21 pst. Når jeg har kjørt gjennom Nordland i denne valgkampen, har det virkelig luktet asfalt. Vi har senket skatter og avgifter, som bidrar til at det kan skapes nye lokale arbeidsplasser. Det å bygge og vedlikeholde vei og bane og ha en næringsvennlig skattepolitikk er vel de viktigste virkemidlene for å bo og virke i Så kan jeg ikke komme utenom Senterpartiet og deres beskrivelse gjennom valgkampen av en regjering som driver sentraliseringspolitikk. De har fått det til å høres ut som at sentralisering er noe som startet i 2013. Jeg synes faktisk at vi som sitter i Norges nasjonalforsamling, har et ansvar for å omtale dette begrepet med en mer korrekt beskrivelse. Sentralisering eller urbanisering skjøt fart i Norge allerede under den industrielle revolusjon og da det i jordbruket på 1800-tallet ble behov for færre hender i landbruket og flere hender i fabrikkene i byene. Denne utviklingen har fortsatt og kommer også til å fortsette. Det investeres masse penger i ny teknologi. Det betyr at noen arbeidsplasser forsvinner, mens

Nordland har et næringsliv som er et Norge i miniatyr: olje- og gassindustri, energiproduksjon, mineralnæring, sjømatnæring og leverandør- og verftsindustri som genererer store eksportverdier til landets økonomi. I tillegg til reiseliv, landbruk og matproduksjon utgjør dette noe av det viktigste for vekst og arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Men da må vi ha en politikk som sier ja til disse næringene.

der samfunnet trår til når ein ikkje klarer å skape ein god oppvekst for ungane sine, der me ser kvarandre og hjelper kvarandre når me ser at ungar veks opp med rus, vald eller overgrep, der me avverjar i staden for å teie, der me vernar om verdiar som fellesskap, menneskerettar og openheit. Eg synest trontalen gav ei god og ryddig beskriving av landet og ein del utfordringar me står overfor. Men ambisjonane særleg når det gjeld oppfølginga av 22. juli. Arbeidet med å styrkje norsk beredskap og landets sikkerheit synest eg fekk for liten plass. Det blei redusert til å handle om eit beredskapssenter som burde ha stått ferdig i førre stortingsperiode, men som regjeringa no lovar at skal stå ferdig innan 2020. 2020 er ikkje ein dag for tidleg. Noko av det viktigaste me gjer i Stortinget, er å arbeide for folk sin

eller truslar mot landet og vår sikkerheit, er det dessverre ein fellesnemnar at me heng etter. I vår besøkte eg Oslo-politiet og snakka med dei som er ansvarlege på sedelegheitsavdelinga, og dei fortel at omfanget av overgrepsmateriale på nettet er så stort at me ikkje eingong er i nærleiken av å få tak i ein liten del av det. Det bekymrar meg, og eg meiner Noreg kan betre. «I noen perioder pisket vi folk, kuttet lemmer av dem, eller skjøt dem. Nå tar vi tiden fra dem i lukkede rom,» skreiv Nils Christie, samfunnsforskar og kriminolog. Denne utsegna har blitt gjenteke mange gonger, men sjeldan har det vore meir rett enn no. I og forteljinga frå dei tilsette der om at ein no nærast driv med oppbevaring av dei innsette, at dei kuttar sterkt i alle former for programverksemder, bekymrar meg. Regjeringa har sveltefôra kriminalomsorga i fire år, og kutta har ført til at innhaldet og tilbakeføringa har blitt betydeleg svekte. Arbeidarpartiet vil ha ein verdig og fungerande kriminalomsorgspolitikk, ikkje fordi me skal vere snille, men fordi det er lurt, fordi innhaldet i soninga førebyggjer ny kriminalitet, førebyggjer utryggleik. Noreg er eit land med store moglegheiter. Regjeringa sender norske innsette ut av landet i staden for å byggje fengsel her. Det er kortsiktig og ei dårleg prioritering. Byråkratiet i Politidirektoratet aukar, medan det framleis er altfor få politifolk der ute i norske byar og bygder.

Vi har sett framvekst av populisme og politisk ekstremisme som setter samholdet i Europa på prøve og de demokratiske verdiene under press. Økonomisk har vi opplevd et dramatisk fall i oljeprisen som har utfordret viktige næringer her i landet, truet jobbene og gitt reduserte inntekter til staten. Både regjeringen og Stortinget er blitt satt på prøve, og vi har klart å inngå viktige, brede forlik i Det er en verdi det er viktig å videreføre. Det er grunn til å slå fast at regjeringen har styrt trygt gjennom disse krevende tidene. I mange deler av landet er ledigheten nå rekordlav. For politikken fungerer, det går godt i Distrikts-Norge – som f.eks. i Nord-Trøndelag, der Høyre også gikk fram ved valget. Optimisme og framtidstro preger næringslivet i fylket. Viktige distriktsnæringer som fiskeri, havbruk, landbruk og reiseliv er i vekst. Nå slår pionerregionen Trøndelag seg sammen for å skape enda sterkere vekstkraft i landsdelen. Det er også gledelig at ledigheten går ned i de delene av landet som fikk merke oljeprisfallet mest. Veksten går opp, det skapes flere jobber, og det viser at det var rett av regjeringen å stimulere økonomien for å motvirke konsekvensene av oljeprisfallet ved å investere mer i utdanning, forskning og samferdsel og sikre en trygg overgang for dem som mistet jobben. Å snu nedgang til ny vekst har lyktes, ikke bare fordi vi økte pengebruken, men også fordi vi var i gang med en nødvendig omstilling i norsk økonomi da oljeprisfallet rammet oss. Jeg er stolt av den jobben regjeringen har gjort med å styre trygt i kombinasjon med å iverksette en ambisiøs endringsagenda, og vi har klart dette gjennom et godt og konstruktivt samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti. Nå som økonomien er på Både rente- og kronekursen må skånes. Å holde igjen i finanspolitikken vil være et av de viktigste grepene for å sikre nye jobber framover, og som i næringslivet må vi fortsatt ha fullt trykk på nødvendig omstilling også i offentlig sektor. Å skape et bærekraftig velferdssamfunn er regjeringens fremste mål. Skal vi lykkes, må vi løse noen grunnleggende utfordringer. I takt med at inntektene fra petroleumssektoren går ned, blir det økonomiske handlingsrommet mindre. For mange står utenfor arbeidslivet, med de utfordringer det innebærer for den enkelte, for familien og samfunnet. Skal vi trygge velferden, må flere komme i jobb, og flere må stå i jobb lenger. Da må flere ungdommer lykkes i skolen og få nødvendig kompetanse. Jo bedre vi er på barns oppvekst, jo bedre vil vi stå rustet. Vi må unngå utstøting fra arbeidslivet og sikre at sykefraværet går ned. Eldre mennesker må også gis anledning til å være aktivt med og delta Samtidig må vi sikre gode rammebetingelser for vekst og fortsette å investere i samferdsel, kunnskap og innovasjon. Vi må innrette skatter og avgifter slik at bedriftene kan skape flere jobber. Det grønne skiftet må ikke gi en rød bunnlinje. Å velge miljøvennlig må lønne seg. For det er verdien av arbeidet og overskuddet i bedriftene som finansierer velferden. Da trenger vi flere jobber som bidrar til statsbudsjettet. Vi må skape mer, Som handelsnasjon er det også viktig å sikre tilgangen til viktige markeder ute. Høyre er garantisten for EØS-avtalen og for internasjonale handelsavtaler som gir best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester. Vår oppgave er å ta vare på og videreutvikle det samfunnet vi har arvet fra våre forfedre, til beste for kommende generasjoner. Vi skal ikke veldig langt tilbake i nasjonens historie før vi var et av Europas fattigste land. Velstanden har ikke kommet av seg selv, men gjennom hardt arbeid, risikovilje og evne til å gripe mulighetene. Mange ofret alt for at vi i dag kan leve i fred og frihet, i et levende demokrati med menneskerettigheter og rettsstaten som basis. Det er verdier vi verken kan eller skal ta for gitt, men som vi skal slå ring om. For Høyre er innbyggernes trygghet og sikkerhet statens viktigste oppgave. Det ansvaret tar vi, og regjeringen vil prioritere et sterkt forsvar, samarbeid i NATO og styrkede bånd med nære allierte også i denne stortingsperioden. I Høyre er vi framtidsoptimister. I Norge har vi de aller beste forutsetningene for å mestre de oppgavene vi har foran oss og sikre at Norge fortsatt skal være verdens beste land å bo i. Vi har en statsminister som er troverdig, samlende og trygg, og jeg vil i dag rette en særskilt takk til statsministeren for den solide jobben hun gjør, og ønske lykke til med arbeidet videre. Jeg ser fram til et samarbeid i Stortinget i fire nye år. La meg starte med å gratulere stortingsrepresentantene med ny representasjon og

Etter oljeprisfallet har det vært viktig å unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Gjennom aktiv innsats for arbeid, aktivitet og omstilling vil regjeringen fortsette å støtte opp under økt sysselsetting og motvirke arbeidsledighet. Til tross for svakere etterspørsel har det blitt skapt nye jobber hvert år i den siste regjeringsperioden. Mange jobber knyttet til

Det er en svært viktig oppgave for regjeringen å bidra til at flere deltar i arbeidslivet framover. Skal vi klare å redusere ulikhet og opprettholde dagens velferdsnivå også i framtiden, må vi lykkes med å inkludere flere av dem som i dag står utenfor arbeidslivet, i arbeid. Dette er en oppgave som krever bred innsats fra flere parter. Det er spesielt viktig at unge, som kan ha et langt yrkesliv foran seg, kommer ut av en passiv tilværelse og over i utdanning og arbeid. Å ha et arbeid å gå til betyr personlig utvikling, stabil inntekt og deltakelse på en sosial arena. Tiltak som legger til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidsliv, i utdanning og i dagliglivet, er viktig. Regjeringen vil videreutvikle hjelpemiddelpolitikken for å møte framtidens utfordringer på dette området. For å nå målene om et inkluderende arbeids- og samfunnsliv og et sterkere sosialt sikkerhetsnett viderefører regjeringen arbeidet med å bedre betingelsene for sosiale entreprenører og frivillig mellom myndighetene og partene i arbeidslivet er en viktig forutsetning for et velfungerende og inkluderende arbeidsliv. De aller fleste i Norge arbeider under gode arbeidsforhold, og faste ansettelser er hovedregelen. Samtidig er det viktig at regelverket er fleksibelt. Regjeringen har nylig hatt på høring enkelte endringsforslag i arbeidsmiljøloven, bl.a. knyttet til innleie av arbeidskraft. Dette vil vi nå følge opp. Forslagene som var på høring, tar hensyn både til den enkelte arbeidstaker og til fleksibiliteten og konkurranseevnen i virksomhetene. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er en felles kamp for arbeidstakerne, de seriøse virksomhetene og myndighetene. Regjeringen vil fortsette å gjøre det enklere å drive seriøst og vanskeligere å drive useriøs og lovstridig virksomhet. Regjeringens ambisjon om at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innenfor HMS, står fast selv om næringen er inne i en krevende omstilling. Det er i den partssammensatte arbeidsgruppen, som nylig la fram sin anbefaling, enighet om at sikkerhetsnivået er høyt, men at det også har vært alvorlige hendelser og sikkerhetsmessige utfordringer de siste årene. Gruppens vurderinger vil inngå i grunnlaget for en ny melding til Stortinget om HMS i petroleumsvirksomheten. Den sterke økningen i antallet eldre framover betyr at finansieringen av pensjonene vil kreve en stadig større andel av landets verdiskaping. Pensjonsreformens mål er å trygge framtidens pensjoner. Reformen innebærer at de yrkesaktive må stå lenger i jobb for tilsvarende ytelser enn dagens pensjonister. I et generasjonsperspektiv bidrar reformen til rettferdig byrdefordeling mellom generasjonene. Det er nødvendig å legge om pensjonsordningene også i offentlig sektor. Jeg vil derfor i høst ta initiativ til en avsluttende prosess med partene med mål om å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon. En ny varig løsning for offentlig tjenestepensjon må være tilpasset pensjonsreformen, som et bredt flertall i denne salen sto bak. Det vert replikkordskifte. Samtidig som statsministeren med bred penn under valgkampen slo fast at det er

for å avdekke ulovlig innleie, og at det gis reaksjoner som er kraftige nok om loven brytes, og vil statsråden være med på å regulere innleie strengere og vurdere et forbud i byggebransjen, særlig i Oslo, for å sikre at innleie ikke helt fortrenger faste ansettelser?

i to omganger har lagt fram en strategi mot arbeidslivskriminalitet sammen med partene i arbeidslivet, nettopp for å bekjempe useriøse aktører i arbeidslivet. Det er i alles interesse – de ansatte som utnyttes, seriøse bedrifter som utkonkurreres, og samfunnet som helhet. Som jeg nevnte i mitt innlegg, har vi før sommeren sendt ut forslag på høring til å regulere innleie. Det er tre forslag. Det ene er å definere fast ansettelse i loven. Da ville man få bukt med mye av det som er fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag. Det foreslås også en ny hjemmel for bemanningsbyråene til å ansette midlertidig, men også kvoter på innleie på arbeidsplassene. Nå har vi akkurat fått…

hvis man med et forbud mener at det ikke skal være mulig på noe som helst nivå å leie inn noen ansatte i bygg- og anleggsbransjen. Det tror jeg ikke det er noen som ønsker eller ser for seg vil være praktisk mulig, men en bedre regulering enn det som er i dag, tror jeg alle er enige om. Det er også bakgrunnen for at regjeringen sendte ut på høring flere forslag, nettopp for å regulere dette bedre. Vi vil, som jeg sa, gå gjennom høringsinnspillene, se hva det er mulig å få til, hva det er enighet om, og så vil vi legge fram for Stortinget forslag til endringer som vil regulere dette på en bedre Norsk arbeidsliv blir mindre seriøst, mindre velorganisert. Omfanget av midlertidige ansettelser øker, og innleie av arbeidsfolk gjennom bemanningsforetak gir urettferdige konkurransevilkår for seriøse arbeidsgivere med egne fast ansatte. Dette gir økende økonomiske forskjeller mellom folk og mer utrygghet i arbeidslivet. For Senterpartiet er redusert bruk av bemanningsforetak et viktig stikkord for å Statsrådens høringsnotat av 29. juni om endringer i arbeidsmiljøloven gir inntrykk av at regjeringa vil begrense lovlig adgang til innleie av arbeidsfolk gjennom bemanningsforetak – gir inntrykk av. Mitt spørsmål er: Er formålet å begrense denne innleien? Hvis det er formålet å begrense det, hvorfor ikke heller da oppheve arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd, om tidsbegrenset innleie av arbeidsfolk? For det er jo en mye enklere mulighet, med lavere kontrollkostnader og færre muligheter for tilpasninger for å omgå lovendringene som regjeringa har sendt på høring. Det er ikke riktig som representanten Lundteigen sier, at man gir inntrykk av å stramme inn. Det vil være en innstramming. Noe av bakgrunnen for de endringene som er gjort, er den såkalte Clockwork-dommen, som ble avgitt i Bergen tingrett i vår, hvor man nettopp tok til orde for å stramme inn på hva som er å anse som fast ansettelse. Det er en ganske stor endring vi foreslår i definisjonen på fast ansettelse i det vi har sendt ut på høring. Det tredje forslaget vi sendte ut, var bl.a. å innføre kvotebegrensninger på omfanget av innleie. Den første reaksjonen fra fagforeningene da vi offentliggjorde det, var at dette ville medføre en kjempeinnstramming og en stor forbedring sammenlignet med og en stor forbedring sammenlignet med dagens rett. Nå får vi se om det er det vi ender opp med til slutt, men de forslagene vi har kommet med, vil innebære store begrensninger i de næringene som i dag har stort omfang av utleie. Det er særlig bygg- og anleggsbransjen som av partene framheves som den bransjen hvor det er mest problematisk. Ein berekraftig velferdsstat er problematisk. Ein berekraftig velferdsstat er avhengig av gode skatteinntekter. I Noreg har me ein god skattemoral i befolkninga, men me veit òg at milliardar av fellesskapets kroner er på avvegar gjennom skatteunndraging i arbeidslivet. Me veit at i delar av arbeidslivet er det utbreidd med svart arbeid, grov utnytting av arbeidsfolk, doble kontraktar og nær mafialiknande tilstandar. I tillegg til folks utryggheit forsvinn milliardar av skattekroner ut av fellesskapet. Me veit at ein høg organisasjonsgrad sikrar seriøsitet i arbeidslivet, spesielt på arbeidstakarsida. Dei to spørsmåla mine er: Korleis vil regjeringa styrkja organisasjonsnivået i arbeidslivet? Og korleis vil ho arbeida mot arbeidslivskriminalitet, og på den måten sikra samfunnet mot skatteunndraging? For å ta det siste først: Som jeg sa i mitt svar til forrige replikant, har jeg sa i mitt svar til forrige replikant, har regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet lagt fram to strategier mot arbeidslivskriminalitet, med flere konkrete tiltak for å bekjempe useriøse aktører. Det er i vår felles interesse at vi får bukt med det, fordi vi vet at mange ansatte lever under slavelignende forhold. Vi vet at mange seriøse bedrifter sliter med å få kontrakter fordi useriøse bedrifter kommer dem i forkjøpet, og vi vet at det er store skatteunndragelser som kunne kommet fellesskapet til gode. Det er i vår felles interesse å ha en offensiv strategi med konkrete tiltak nettopp for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi ser også at innsatsen begynner å gi gode resultater, bl.a. gjennom tverretatlig samarbeid, gjennom syv sentre mot arbeidslivskriminalitet. Så vi er på vei. Fortsatt gjenstår det mye. Når det gjelder økt organisasjonsgrad, er jeg enig, det er viktig at vi har høy organisasjonsgrad i Norge. Fra myndighetenes side er det viktig å legge til rette for at partene involveres i saker som berører dem. Det gjør denne
Neste replikant er

men jeg regner med at ministeren har flere svar enn bare økt sysselsetting samt en mer effektiv offentlig forvaltning. Jeg vil jo tro at innenfor denne perioden og med det bakteppet vi har, er kanskje også noen av de universelle velferdsordningene under press. Jeg kunne godt tenke meg å høre – med det bakteppet som vi fikk i trontalen i går – om ministeren mener at noen av våre universelle velferdsordninger nå begynner å komme under press. Jeg leste også artikkelen i Dagsavisen i dag. Der var vel utgangspunktet at det ikke går i hop hvis man ikke gjør noe. Det betyr at man må gjøre noe hvis man skal få det til å gå i hop. Det får regjeringen anledning til å vise på torsdag, når man legger fram budsjettet.

arbeidsrette Nav bedre og sørge for tettere oppfølging av dem som går på ytelser. Vi sto sammen om å endre arbeidsavklaringspengeordningen, som ville innebære tettere oppfølging av dem som er i ordningen, et raskere stønadsløp og også aktivitetsplikt for å unngå at unge sosialhjelpsmottakere blir gående lenge på Vi sto sammen i forrige periode om flere viktige endringer som vil bidra til en mer bærekraftig velferdsstat. Som jeg sa i mitt hovedinnlegg, vil jeg nå legge til rette for at vi får fullført pensjonsreformen i offentlig sektor, noe som også vil være riktig, både for å sikre en mer bærekraftig pensjon og for å sørge for at flere står lenger i jobb. Kristelig Folkeparti ønsker å se pleiepengeordningen ut fra den enkelte pårørendes perspektiv, den enkelte sykes perspektiv og

Helsekomiteen skriver i innstillingen fra i vår om omsorgslønn at «det i et samfunnsøkonomisk perspektiv vil være lønnsomt å legge godt til rette for pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Det er for eksempel mye som tyder på at mange pårørende som får avslag på pleiepenger, blir sykmeldt og til og med uføre.» Mitt spørsmål til statsråden blir da: Er ikke dette et relevant argument i diskusjonen om å gjøre pleiepengeordningen bedre enn det som ble vedtatt av Stortinget i vår? vår? Jeg tenker spesielt på foreldre med alvorlig syke og kronisk syke barn. La meg først gratulere representanten med setet. Jeg ser fram til et samarbeid også framover. De innvendingene som også var noe av bakgrunnen for at de borgerlige partiene var opptatt av å endre hele pleiepengeordningen, var at nåløyet inn var altfor trangt. Den omfattet svært få, det var et skjønnsmessig og komplisert regelverk, folk gikk ut og inn trangt. Den omfattet svært få, det var et skjønnsmessig og komplisert regelverk, folk gikk ut og inn av ordningen, det var veldig uforutsigbart for dem som var inne i den. Det vi gjorde med pleiepengereformen, var nettopp å sørge for at flere kom inn. Vi gjorde det lettere for barn med varige sykdommer å komme inn – slik var det jo ikke før og vi gjorde det lettere å beholde stønaden lenger også når man hadde gode perioder. Det ble lettere å kombinere pleiepengene med jobb. Jeg har merket meg at det har kommet en del innvendinger nå. Jeg mener fortsatt at den ordningen som Stortinget vedtok i vår, innebærer en

Man kan gå inn i nærmest hvilket som helst klasserom i Norge og spørre læreren: Kan du se hvem av elevene dine som vil slite med å komme seg gjennom skolegangen? Svaret vil som oftest være ja, det kan jeg. Hvis man spør hva læreren trenger for å hjelpe akkurat de elevene med å lykkes, vil svaret nesten alltid være tid og tillit til at læreren er fagpersonen som kan gjøre jobben best. Lærerne trenger ikke flere formanende pekefingre eller flere skjemaer og tester. Lærerne trenger flere gode kollegaer, kunnskapspåfyllet de ønsker seg, og en tilgjengelig skolehelsetjeneste. Elevene trenger lærere som har tid til å se dem, et lag rundt eleven som ser hele mennesket, og en mer praktisk skole der man kan lære med både hode og hender.

var flere ganger så stor som økningen til skole og kompetanse. De skolesatsingene som kom, ble stort sett betalt av skolen selv eller studentene selv, som da kulturskoletimen ble kuttet, eller rentepåslaget på studielånet ble økt for å betale økningen i studielånet. Resultatene har uteblitt. Frafallet i videregående skole er nesten uendret. Rekrutteringen til yrkesfag er svekket. Det går nå 000 færre elever på yrkesfag i Norge enn da Erna Solberg ble statsminister. Søkningen til lærerutdanningen for barnetrinnet går i negativ retning, samtidig som vi står overfor en lærermangel. Arbeidet for å gjøre digitalisering til en mulighet, ikke en trussel, for arbeidstakerne går med museskritt. Trontalen ga ikke nye visjoner for utdanning i Norge, og det trengs større ambisjoner for å løse utfordringen som vi står Det er derfor Arbeiderpartiet fortsatt vil være pådriver for at vi skal heve kvaliteten i barnehagen gjennom flere kvalifiserte voksne, flere barnehagelærere og fagarbeidere. Vi vil jobbe for at skattepengene som brukes på barnehage, går til bedre barnehager, ikke til profitt. Arbeiderpartiet vil gjøre noe med at altfor mange elever faller fra i skolen, gjennom flere lærere, tidlig innsats, en kursendring mot en mer praktisk skole, et løft for yrkesfagene, og for å sikre alle en læreplass. Kvalitet i høyere utdanning må gå fra fine ord i stortingsmeldinger til reell endring for de nesten 300 000 studentene våre. Det store frafallet er sløsing med samfunnets ressurser og den enkeltes tid. Kanskje vil så mange som en tredjedel av dagens jobber være borte om 20 år. Teknologiske endringer, digitalisering og automatisering vil kreve at vi utvikler ferdigheter og kunnskap gjennom hele livet. Det er ikke en jobb eller en oppgave vi vil overlate til hver enkelt. Vi må ta ansvar i fellesskap for at arbeidstakerne får det påfyllet av kompetanse som trengs. Det er derfor vi vil ha en kompetansereform for arbeidslivet. Vi vil ikke ha et arbeidsliv der ulik tilgang på kunnskap gir nye klasseskiller. I vårt arbeidsliv skal ingen bli skjøvet ut så lenge de kan og vil bidra. Valgresultatet ga ikke en ny regjering, men regjeringa står svakere enn før, og det har oppstått nye flertall i Stortinget. Vi i Arbeiderpartiet vil bruke vår posisjon som det største partiet til å få gjennomslag for vår poltikk. Venstre og Kristelig Folkeparti har, dersom de ønsker det, muligheten til å få gjennom saker som av Høyre og Fremskrittspartiet i forrige periode, som flere lærere og en lærernorm, et reelt løft for tidlig innsats, offensive grep mot mobbing og ambisiøse tiltak for likestilling i skole og i barnehage. Arbeiderpartiet står klar til å jobbe sammen med de partiene som vil sikre flertall for disse sakene, med en kunnskapspolitikk med høyere ambisjoner.

Å ha en jobb å gå til er også folkehelse, og det gir oss frihet og muligheten til å velge. Arbeidsmiljøloven ble laget i en tid da mange av dem som var i arbeidslivet, jobbet i industrien. Arbeidslivet er nå i sterk endring, og vi har beveget oss inn i et kunnskapssamfunn, hvor kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere. Da må vi kunne diskutere fleksibilitet i arbeidsmiljøloven, som eksempelvis adgangen til midlertidige stillinger, og fremdeles bli oppfattet som konstruktive. Det er alltid fordeler og ulemper, men vår jobb er å balansere disse og finne den beste løsningen. Vi kommer imidlertid ikke framover hvis vi utformer regelverk i en dialog hvor den ene parten alltid skal mistro den andre parten for å ha uredelige hensikter. Høyre er for et organisert og ryddig arbeidsliv. Det er ingen motsetninger mellom dette Vi trenger fremdeles god dialog for å forme morgendagens arbeidsliv. Det vi ikke trenger, er politisk populisme og mindre konstruktive samtaler. Vi har nettopp lagt bak oss en valgkamp hvor LOs ledelse jobbet tungt for at vi skulle få et regjeringsskifte på grunn av det de kalte en brutalisering av arbeidslivet. Men velgerne valgte noe annet. Vi er fortsatt i regjering, og vi skal fortsette å reformere Norge sånn at vi fortsatt kan være verdens beste land å bo i.

og lavere organisasjonsgrad kan kanskje ha noe med den sterke partiavhengigheten å gjøre. Det har skjedd mye bra i perioden som vi har lagt bak oss. Med Høyre i regjering har vi modernisert arbeidsmiljøloven. Vi har tilpasset den dagens arbeidsliv, og vi har senket terskelen inn i arbeidslivet. De som har hull i CV-en, stiller ikke fremst i køen når det blir lyst ut nye jobber. De må få hjelp til å komme inn i arbeidslivet. Jeg har selv ansatt mange personer i midlertidige stillinger, og flere av disse har fått fast ansettelse. Jeg gjorde ikke dette for at de skulle ha en utrygg hverdag, jeg gjorde dette for at det kunne være en fot inn i arbeidslivet, eller jeg gjorde det fordi jeg ikke vil gi folk falske forhåpninger. Bedrifter kan være i omstilling og ha midlertidige behov. Da er det også greit å være ærlig med dem som står og håper på en jobb i den andre enden. Høyres mål er å styrke arbeidslinjen. Fast ansettelse er alltid hovedregelen, la det ikke være tvil om det.

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år viser også gode resultater. Nav Time i Rogaland hadde i februar et prosjekt på dette, hvor 21 av 25 sosialhjelpsmottakere var ute i jobb etter åtte uker. Ansatte i Nav sier at gjennom å snakke om utfordringene settes det i gang en prosess. De aller fleste vil jobbe, de vet bare ikke helt hvordan de skal komme seg ut i arbeid. Da må vi som politikere være oss vårt ansvar bevisst og hjelpe bedriftene og Nav på veien, slik at flere kommer ut av trygd og inn i jobb. Høyre har satset tungt på arbeidsmarkedstiltak og praksisplasser for å få flere ut i jobb. Vi skal fortsette denne satsingen, og vi skal gi bedriftene incentivene til å være med på denne dugnaden. Erfaringene fra Nav viser at det er praksisplasser i det private næringsliv som gir de beste resultatene, fordi det er der det er størst sannsynlighet for at en faktisk får en jobb i den andre enden. En jobb å gå til skaper et bærekraftig velferdssamfunn, en jobb gir oss verdighet, en jobb gir oss frihet og muligheten til å velge. Høyres viktigste arbeid de kommende fire årene vil være å sikre at alle de som kan jobbe, skal få jobbe. Vår framtidige velferd

som gir den enkelte mulighet til å realisere sine evner, og som sidestiller statusen til yrkesfag med statusen til akademiske fag. Det handler om stabile, forutsigbare og gode rammevilkår for næringslivet, skatt, avgifter, ja-holdning i offentlig sektor, rammevilkår som stimulerer til vekst. Det handler om satsing på forskning og utvikling, der vi er verdensledende på ny teknologi, spesielt på de områdene der vi har næringsmessige komparative fortrinn. Det handler om en handelspolitikk som stimulerer til eksport av norske varer og tjenester. Det handler om å bygge en moderne infrastruktur, vei, jernbane, luftfart, skipsfart, energiløsninger og fiber, som reduserer kostnader, og som bidrar til bedre vilkår for både næringsliv og folk flest. Det går bedre med norsk økonomi, som flere har vært inne på i dag. Arbeidsledigheten er på vei ned, veksten i økonomien er på vei opp, og optimismen er gradvis tilbake. La meg ta noen eksempler fra mitt eget fagområde, energi. Det bygges nå ut mer fornybar energi i Norge enn på

og skulle vi ende opp med å bygge ut mer enn det opprinnelige målet på norsk side om 13,2 TWh innen 2021, tar Sverige regningen for alt det overskytende. Også på olje- og gassområdet tyder alt nå på at vi har bunnet ut. Nye prognoser for investeringer i sektoren viser at vi vil få en og investeringsnivået vil øke ytterligere i 2019 og 2020. Et eksempel som dokumenterer dette, er at vi i 2016 mottok fem såkalte planer for utbygging og drift til Olje- og energidepartementet, tilsvarende en verdi på 25 mrd. kr. I 2017 har vi en forventning til nærmere ti planer for utbygging og drift til en samlet verdi på de siste årene vært jobbet godt i næringen med kostnadsreduksjoner. Det handler om standardisering, forenkling, robotisering og digitalisering – som for andre sektorer i samfunnet. Det gjør at nye utbyggingsprosjekter er lønnsomme nå, med en langt lavere oljepris enn tidligere. Johan Castberg i Barentshavet er et strålende eksempel, der man for tre år siden anslo den såkalte «break even»-prisen til 75 dollar fatet. Nå er prosjektet lønnsomt med 35 dollar fatet. Sammen med målrettet arbeid for ytterligere kutt i klimagassutslipp fra norsk olje- og gassproduksjon styrker dette konkurranseevnen til norsk sokkel. Dette sikrer at Norges største og viktigste næring vil forbli en viktig faktor i norsk økonomi og velferd i tiår framover. Samtidig trenger vi flere bein å stå på. Derfor er det viktig å overføre kompetanse fra vår verdensledende olje- og gassnæring til andre næringer, slik regjeringen bl.a. fokuserer på i havstrategien. Det handler om havbruk, det kan handle om havvind, maritim næring, infrastruktur eller en framtidsnæring som utvinning av mineraler på havbunnen. Et bærekraftig velferdssamfunn krever også at det fokuseres på Vi må få mest mulig ut av ressursene. Det handler om strukturer, organisering og arbeidsmetoder i offentlig sektor, bruk av konkurranse aktivt, å ha en offentlig sektor som også følger med i digitaliseringen, avbyråkratisering, forenkling og forbedring. Vi må også tørre å tenke nytt. Det heter seg at i gode tider skal man forberede seg på de dårlige. Norge er der nå, og vi har alle muligheter for å lykkes med omstillingen.

overgrep. Da er mitt spørsmål: Føler statsråd Søviknes at energisektoren er tilstrekkelig beskyttet og beredt på en slik situasjon? Vi har sett i vårt nære nabolag at stormakter har øvd på f.eks. å slå strømnettet ut av spill som et tidlig forspill til et militært angrep. Først vil jeg understreke at

samarbeid med energi- og miljøkomiteen og de ulike fraksjonene. Til spørsmålet: Denne regjeringen har vært ekstremt opptatt av sikkerhet. Sikkerhetsloven vil bli fulgt opp med forskriftsutarbeidelser, og for olje- og energiområdets del er det i tillegg slik at vi i dag har et veldig sterkt sektorregelverk som gjør at vi ivaretar sikkerheten på sokkelen for våre olje- og gassanlegg, både offshore- og

Som statsråden helt riktig påpekte, er kanskje noe av vår mest avanserte teknologiske kompetanse nettopp i olje- og gassbransjen. Er vi gode nok på å forberede de miljøene og den teknologien som eksisterer i det miljøet, til også å bli bærende i det grønne skiftet? Og hvis ikke: Hvilke tiltak ønsker statsråden å introdusere? Vi kan alltid bli bedre, men jeg opplever at næringen selv er veldig tydelig på at de nå ser muligheter, både fra leverandørindustriens og fra olje- og gasselskapenes side, og at man har en kompetanse, sitter på teknologi som også kan brukes inn mot andre næringer. Regjeringen pekte spesielt på dette i havstrategien, vi har pekt på det i industrimeldingen, og vi har pekt på det i nordområdestrategien, for å være tydelig på at myndighetene også søker den type kunnskapsoverføring fra en næring til en annen. Når det gjelder virkemidler, er det klart at Enova er et viktig virkemiddel for denne omstillingen, der vi fokuserer på klimagassreduksjoner og ny teknologi som skal bygge ned barrierer og bidra til varige markedsendringer. Enova er et virkemiddel som også olje- og gassnæringen kjenner, og som gradvis blir gjort bedre kjent for olje- og

og gjerne i tillegg vurdere utkoblet tariff, som er viktig, som allerede er utprøvd, og som kan bidra til at man kan lade når det er strøm ledig i nettet? Jeg er helt enig. Vi ønsker en stadig større andel av godstrafikken over på kjøl, og vi ønsker nye energiformer velkommen også i den sektoren. sektoren. Her mener jeg at det allerede har vært gjort mye fra statens side, også fra denne statsrådens side, knyttet til Enova. Enova har nå et budsjett på 2,6 mrd. kr, man har hatt tre utlysningsrunder knyttet til landstrøm og bygging av anlegg, og det jobbes videre i nær dialog med næringen med dette. Jeg var nylig med og bidro til markering av en ny tildeling, denne gangen ikke knyttet til landstrøm, men likevel til energi og skipsfart. Det dreide seg om det nye skipet til Yara, «Yara Birkeland», som er autonomt, selvkjørende og antageligvis vil være fullelektrisk og gå i trafikk knyttet til Yaras gjødselfabrikker i Brevik. Det er en spennende utvikling i Det er en spennende utvikling i denne sektoren, og Enova er vårt klare og tydelige virkemiddel, som La også meg uttrykke et ønske om godt samarbeid med statsråden. Statsråden snakket mye om olje og gass. Jeg vil snakke litt om konsekvensene. I forrige uke hadde vi store regnbyger over Sørlandet, eller ekstremvær, som vi kan kalle det. NVE har flere ganger varslet at man står uten viktige flomsikringstiltak. Vi får stadig flere bevis på at det er viktig for å unngå den type dramatiske bilder som vi så fra Sørlandet forrige uke og i Utvik i Sogn og Fjordane i sommer, der utgiftene ser ut til å beløpe seg opp mot 120 mill. kr. Hva vil statsråden og regjeringen gjøre for å sette NVE og kommunene i stand til å takle et stadig villere og våtere klima?
Vi må ta inn over oss, som representanten peker på, at vi får et villere og våtere klima, mer ekstrem nedbør, mer konsentrert enn tidligere. Derfor har vi gjennom den fireårsperioden som vi nå har bak oss, bevilget dobbelt så mye til flom- og skredsikring som de fire foregående årene. Det summerer seg til 1 500 mill. kr i fireårsperioden, og bare for 2017 er det bevilget 385 mill. kr. Det går til fysiske tiltak, men det går også til skred- og flomsonekartlegging, som er det viktigste virkemiddelet NVE kan bistå kommunene med for å sikre at vi unngår å bygge oss inn i nye risikoområder, altså bruke det i arealplanlegging, og dernest bruke disse sonekartene til å prioritere mellom fysiske tiltak, slik at vi får best kost–nytte og kan sette inn midlene der

på norsk olje- og gassproduksjon. Jeg vil likevel spørre statsråden: Gjør denne typen klare anbefalinger fra forskerne inntrykk på statsråden, og vil statsråden i alle fall ta initiativ til at noen av de mest sårbare havområdene våre beskyttes mot

Norsk sokkel har den fordelen at vi har hatt virkemidler i lang tid som gjør at vi har relativt sett lave CO2-utslipp fra vår produksjon. Vi har hatt en særnorsk CO2-avgift, vi har hatt kvoteplikt, og vi har hatt faklingsforbud. Norsk olje- og gassproduksjon er i et klimaperspektiv gunstig så lenge man har en etterspørsel etter disse energikildene. energikildene. Det har vi nå, og vi kommer til å ha det i tiår framover. Da mener jeg det er riktig at vi bruker vår kompetansebase, vår kunnskap om å drive godt på norsk sokkel – der man har et samspill mellom olje- og gassproduksjon, fiskeri- og miljøhensyn – til å produsere og være med og dekke den etterspørselen. Det ville være dårlig klimapolitikk å overlate dette til land med langt høyere CO2-utslipp. Replikkordskiftet er omme.

tittel. I den forbindelse burde vi kunne forvente at de kanskje beskrev noe dypere hvordan de vil møte noen av de største utfordringene vi står overfor, men den gang ei. En av utfordringene er utvilsomt lav vekst, og en fallende andel av oss er i arbeid. Det er særskilt utfordrende for de unge. Som et eksempel har man i Telemark 3 000 færre sysselsatte nå enn for fire år siden, og vi har fått hundre flere unge uføre. Det er dramatiske tall. Varslene som er gitt i løpet av dette året, er alvorlige. I sum er dette et klart varsko om at dagens politikk ikke godt nok svarer ut de utfordringer som vi står overfor. I sentralbanksjefens tale i februar i inneværende år tar han utgangspunkt og gir sitt varsko med basis i en historie fra 23. oktober Da ble dampskipet «Ulvsund» overrasket av det som skulle bli en av de kraftigste stormene i Danmark i forrige århundre. Skipet forliste og alle 17 om bord omkommer. Det var en klar advarsel fra sentralbanksjefen om at analysen må være riktig for å fremme riktige tiltak. Han sa også: «Samtidig må vi erkjenne at økt oljepengebruk og lav rente ikke er løsningen på utfordringer norsk økonomi står overfor

sier SSB. Disse alvorlige problemstillingene er overhodet ikke adressert, analysert eller besvart i trontalen. Jeg har heller ikke hørt at disse problemstillingene er temaer som Høyre og Fremskrittspartiet velger å snakke mye om i denne debatten. Og når det først blir trukket fram og snakket om, som statsråd Søviknes akkurat gjorde, er det et selvtilfredshetens slør som dekker over en viktig analyse, for det er det rosenrøde bildet som blir presentert. Noen punkter på situasjonen som er alvorlig: Omstilling skjer ikke i en slik takt som den burde. Det skapes ikke tilstrekkelig med jobber. Jobbveksten er svak. Det er svake investeringer, som sier med all tydelighet at det er bekymringsfullt med tanke på framtidens arbeidsplasser, og krisen i norsk økonomi er langt på vei reddet av den norske modellen, lav kronekurs og en ansvarlig fagbevegelse som har sikret moderate lønnsoppgjør i en krevende tid. Arbeiderpartiet vil i den kommende tiden forsterke politikken på en rekke områder, nettopp for å sikre flere i arbeid, utnytte våre fantastiske muligheter, energien, kraften, mineralene, ja, sette naturressursene i arbeid for framtidig verdiskaping. Arbeiderpartiet vil at politikken og det offentlige i større grad skal være en god partner for å utvikle nye bedrifter og nye muligheter. Vi mener dét skaper vekstkraft. Forenklingsarbeidet må forsterkes, bedriftene må reelt sett merke at det blir enklere og mindre byråkratisk å drive næringsvirksomhet. Vi er utålmodige etter en langt sterkere satsing på digitalisering – alt fra koding i grunnskolen til flere IKT-studieplasser og ny kunnskap for eksisterende arbeidstakere, i et løp for livslang læring. Vi vil la klimapolitikken forenes med næringspolitikken slik at ny teknologi, nye produksjonsmetoder, nye arenaer for vekst og verdiskaping kan etableres som framtidige konkurransefortrinn. Arbeiderpartiet vil med andre ord føre en aktiv politikk på flere områder. Vi vil også føre en aktiv landbrukspolitikk, videreføre det gode grunnlaget Arbeiderpartiet var med på å legge i Stortinget i foregående stortingsperiode. Vi ønsker å utvikle ressursene, at de benyttes fra nord til sør og fra øst til vest. Og vi vil ha en fiskeripolitikk som skaper merverdier og trygghet for økt verdiskaping langs kysten. For å svare ut et bærekraftig velferdssamfunn må vi sikre at politikken legger et godt grunnlag for at det skapes flere arbeidsplasser i framtidsrettede bedrifter. Vi må sikre arbeid til alle i et arbeidsmarked med høy sysselsettingsgrad. Det er det eneste som er grunnlaget for et bærekraftig velferdssamfunn i

om at skal en gjøre noe på klima, så er det greit å komme til Stortinget, selv med Venstre i regjering. Før regjeringsskiftet i 2013 var arbeidsledigheten på vei opp, og veksten i norsk økonomi avtok. Aftenposten skrev: «Den nye regjeringen arver en økonomi med eventyrlige år bak seg og lavere fart i vente.» Selv med eventyrlige år økte helsekøene, selv med høyere Høyere skatter betyr ikke nødvendigvis mer velferd. Dette var arven etter åtte år med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i regjering. Etter fire år med omstilling fra arven etter de rød-grønne og det største oljeprisfallet på 30 år ser vi nå resultatene av en politikk for omstilling, arbeid og aktivitet. Ledigheten er på vei ned, og veksten er på vei opp. Høyre og Fremskrittspartiet har, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, sørget for reformer som begynner å gi resultater. Det svarer ut utfordringen som representanten Aasland mente ikke var adressert. Det er mer synlig politi på steder som aldri før har sett uniformert politi. Færre

Vi kan ikke fortsette å betale mer en nødvendig for offentlige tjenester, og offentlige tjenester må først og fremst svare til befolkningens behov. Et land kan aldri ta reformpauser, til det endres verden rundt oss for raskt. Vi må kontinuerlig endre for å bevare. Og vi må videre. Norge er et land med små forskjeller og høy tillit mellom folk. Dette vil Høyre bevare gjennom å satse på kunnskap i skolen, et inkluderende arbeidsliv, en omfordelende skattepolitikk og målrettede ordninger mot dem som faller utenfor. Høyre vil ha et samfunn som skaper muligheter for alle, slik at alle som kan og vil bidra, får bidra. Svaret på ulikhet kan ikke være å øke ytelser for dem som står utenfor, men å senke terskelen inn i arbeidslivet og kvalifisere folk inn i arbeid. Muligheter for alle handler også om krav til den enkelte – krav om deltakelse, enten det er å møte på skolen, eller det er aktivitetsplikt på Nav. Høyre vil styrke arbeidslinjen, for det er arbeid som sikrer en bærekraftig velferd for den enkelte og til fellesskapet. Det skal alltid lønne seg å jobbe. Å stille krav er å bry seg. Samtidig skal vi sikre velferden til dem som av ulike grunner ikke kan jobbe, eller som faller utenfor, midlertidig eller permanent. Målet er at de som kan klare seg selv, skal klare seg selv. Derfor er det for meg ingen motsetning mellom gode rammebetingelser og skattelette til dem som investerer i norske arbeidsplasser, og en bærekraftig velferd. Det ene forutsetter faktisk det andre. Det er også et godt konservativt prinsipp at staten ikke skal være alt for alle, men mye for dem som trenger den mest. Det krever at sosiale ytelser og tiltak går til dem som trenger det mest. Det lnkluderende vekst og verdiskaping legger grunnlaget for vår felles velferd. Et seriøst arbeidsliv er en hjørnesten for AS Norge. Vi har de siste årene sett useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet bre seg. Høyre aksepterer ikke forsøk på å uthule eller forvitre selve grunnen vi står på. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er ikke bare en kamp mot kriminelle, men en kamp for hardtarbeidende nordmenn og seriøse bedriftsledere som står opp og går på jobb hver eneste dag og bidrar til norsk verdiskaping. Høyre er for et reelt trepartssamarbeid som fundament for samfunnskontrakten, der den enkelte gjør sin plikt og får oppfylt sin rett. Jeg vil avslutte med å si noe om Norge i verden. Som land representerer Norge verdier vi skal være stolte av. Mange av disse er under press, også her i Europa, som abortrettighetene i Litauen. Norge har et unikt utgangspunkt for fortsatt å ta lederroller internasjonalt for menneskerettigheter, likestilling, LHBT og seksuelle og reproduktive rettigheter. Det har vi gjort, og det må vi også gjøre i framtiden. For når alt kommer til alt, handler politikk om det enkelte menneske og vår rett til å være oss Samfunn bygges sten for sten, og fellesskap bygges en for en. Jeg ser fram til fire nye år for fellesskapet Norge. Ordet «historisk» blir veldig ofte nevnt fra denne talerstolen, men denne gangen har det ikke vært så mange Så jeg har lyst til å starte med at det er historisk herlig at Fremskrittspartiet etter fire år i regjering skal fortsette i fire nye år. Jeg har fått være med på denne reisen – og hvilken reise det har vært og skal bli videre! Også denne gangen skal jeg jobbe med en av Fremskrittspartiets kjernesaker, nemlig helse og omsorg. Regjeringen har startet oppbyggingen av pasientens helsetjeneste og har vist solid handlekraft gjennom utarbeidelse av flere stortingsmeldinger, handlingsplaner og lovendringer som siden er satt ut i livet, og som vil settes ut i livet videre framover. Vi er godt i gang med å bygge opp en helsetjeneste preget av frihet og trygghet – helt i tråd med hovedverdiene i Fremskrittspartiets politikk. Vi har i denne fireårsperioden vært med på å tegne sykehuskartet på nytt. I dag har jeg hatt besøk av tre svært engasjerte kvinner fra Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta, som er svært opptatt av gode sykehustjenester i Alta. Fremskrittspartiet vil framover jobbe for at vi kan følge opp Altas innbyggeres oppfordring om å gjennomføre en ny utredning av sykehusstrukturen i Finnmark, slik at vi er 100 pst. sikre på at sykehustjenestene er forsvarlige. Vi har redusert ventetidene ved landets sykehus, vi har innført pakkeforløp, og vi har gitt Norges innbyggere, spesielt de eldre, flere rettigheter. I perioden vi har foran oss, vil vi fortsette å styrke likebehandling av private og offentlige både sykehus og tjenestetilbud. Fremskrittspartiet tror at det beste velferdstilbudet skapes i konkurransen mellom statlige og private aktører – og gjerne også ideelle. Det har vi gjort noe med, og det skal vi fortsette med. Når behovet for helsehjelp oppstår, er det avgjørende at hjelpen kommer raskt. Dessverre vet vi at mens personer med behov for hjelp har stått i helsekø hos offentlige helsetilbydere, har private helsetilbydere hatt ledig kapasitet, og det er dette som har skapt et todelt helsevesen. Gjennom fritt brukervalg, fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg sørger vi for at mange pasientgrupper får benytte seg av kapasiteten hos private helsetilbydere i inn- og utland.

som følger med på utformingen av eldreomsorgstilbudet på kommunalt og sentralt plan, og som ser på det med argusøyne. Statlig finansiering av eldreomsorgen, å overføre finansieringsansvaret for pleie- og omsorgstjenestene til staten – ikke skjønner jeg hvorfor vi står ganske alene om denne modellen. De kommunene som er med i forsøksordningen, gir positive tilbakemeldinger. Hvorfor ikke resten av det politiske Norge ser at dette er veien å gå, stiller jeg meg undrende til. Norge har et godt utbygd helsevesen, men stadig kan vi bli bedre. For både unge og eldre er helse og hvordan vi ivaretar den, viktig. Fremskrittspartiet vil derfor også i denne perioden sette folkehelseutfordringene høyt. Vi vet at mange er ensomme, og mange kjemper med psykisk helse- og rusutfordringer. Mobbing har vi fortsatt ikke klart å komme helt til livs. Slik kan vi ikke ha det. Dette må vi fortsette å ta på alvor og følge opp det Fremskrittspartiet og Høyre i regjering også har jobbet med i den siste perioden. For meg er det spesielt viktig at hvert menneske blir sett, uansett alder, symptom, behov og ønsker for framtiden. Ingen mennesker er like, ingen symptomer er like, og ingen behandling virker helt likt. Jeg er derfor opptatt av at vi innretter vårt helsevesen etter dette. Vi må slutte å sette mennesker i bås. Vi må kunne tilby variert og mangfoldig behandling. Vi må våge å tenke utenfor boksen. Vi må lytte, etterspørre og forstå. Først da vil vi klare å premisser. Til slutt har jeg lyst til å nevne forslaget fra representanten Olaug V. Bollestad og Kristelig Folkeparti om å evaluere fastlegeordningen. Fremskrittspartiet har i sitt partiprogram forslag om å evaluere denne. Jeg vet også at statsråden i svar til Stortinget, til representanten Bollestad, har vært tydelig på dette. Så vi kommer til å jobbe videre fram til dette. Vi er veldig positive til å få på plass en sånn evaluering. God miljøpolitikk er god distriktspolitikk. Klimaendringane er ikkje berre teoretiske. Dei er her no. Dei får følgjer for det livet vi lever, anten det er i by eller i bygd. Det ser vi i den auka rasaktiviteten og dei følgjene som det får for dei som brukar vegane våre, og vi såg det kanskje spesielt i sommar med alt det som skjedde i

vårt? Det blir viktig i åra som kjem. Så er det slik at tilpassing er ikkje eit svar åleine. Noreg må fylle sine forpliktingar og ta sin del av ansvaret for det grøne skiftet, og då må vi som folkevalde gjere det på ein måte som tek inn over seg at løysingane ikkje nødvendigvis er dei same i distrikta som i byane. Det blir nok aldri ny T-banetunnel i Askvoll, og toget der kjem berre til å gå

Auka avgifter er ikkje eit mål i seg sjølv, men det er eit viktig verkemiddel, for i lag med reduksjonar for el- og hybridbilar sender vi eit signal til dei familiane som rundt omkring sit rundt middagsbordet og lurer på kva slags bil dei skal kjøpe seg neste gong, om at dei er nøydde til å ta eit grønt val. Eit anna eksempel er at det har vore viktig å få på plass CO2-fondet til næringslivet, som bidrar til å få ned utsleppa frå tungtransporten. Men ein må vere klar over at auka avgifter slår annleis ut i dei områda der behovet for transport er mykje større enn i byane. Ein viktig premiss må då vere at dei tinga som vi folkevalde gjer, er mogleg å føresjå. Det er betre med ein jamn og føreseieleg auke framfor ein uføreseieleg og høg auke frå år til år. Endringa til eit lågutsleppssamfunn inneber også eit endra samfunn, men det betyr ikkje at alt må vere likt. Dersom vi skal klare å omstille oss, er vi nøydde til å bruke dei fornybare ressursane som vi finn langs heile det langstrekte landet vårt. Den fornybare vasskrafta ligg rundt omkring i distrikta, og innbyggjarane betaler for det i form at høgare nettleige. Grunnlaget for bioøkonomien finn vi også i distrikta, anten det handlar om grøne eller om blå karbon. Utnytting av desse ressursane ressursane krev at det er folk som bur der, som jobbar der, som lever livet sitt der, og det er nødvendig dersom vi skal klare ei god omstilling. Kristeleg Folkeparti er oppteke av ein klimapolitikk som verkar. Vi er ikkje redde for verken forbod eller marknadsmekanismar, skattelette eller avgiftsauke. Det vi er redde for, er symbolpolitikk – manglande realisme, manglande vilje til handling og ein klimadebatt som i liten grad tek inn over seg at utfordringane og løysingane er forskjellige rundt omkring i landet vårt. Dette får prege klimadebatten vår i dag i altfor stor grad. Kristeleg Folkeparti er eit sentrumsparti og har ikkje nokon ideologiske sperrer mot å diskutere løysingar. Løysinga er klar. Nokre ting må vi forby, slik som oljefyring. Nokre ting må bli dyrare, slik som fossilbilar, ikkje nokon ideologiske sperrer mot å diskutere løysingar. Løysinga er klar. Nokre ting må vi forby, slik som oljefyring. Nokre ting må bli dyrare, slik som fossilbilar, og nokre ting må bli billigare, slik som nullutsleppsbilar. Det treng faktisk ikkje vere anten–eller, for vi kan bruke heile spekteret av verkemiddel som vi har tilgjengeleg. Samtidig må vi ta omsyn til at det er forskjellige føresetnader i ulike delar av landet vårt. Vi er no i starten av ein ny stortingsperiode, og ein stortingsperiode som i stor Skal vi lykkast med klimapolitikken i denne perioden, er det viktig at vi klarer å finne løysingar på tvers av den politiske skalaen. Kristeleg Folkeparti er klar til å diskutere dei gode løysingane for heile landet og for dei generasjonane som kjem etter oss. Neste talar er Kari Henriksen. Takk, president, og Jeg er så heldig at jeg har fire barnebarn, og de skal møte resultatene av den politikken vi vedtar i dette huset de neste fire årene. Blant annet derfor er jeg opptatt av hvordan vi legger til rette for at framtida skal bli god. Verken jeg eller mine barnebarn opplevde krigen og møtet med nazistenes ideologi, men både ideologien og nazistene var

Samtidig ønsker ikke regjeringa å offentliggjøre evalueringsrapporten om marsjen. Hemmelighold av denne dramatiske hendelsen mener regjeringa er ok. Det er uakseptabelt, og det bygger ned tillit og opp fordommer. Jeg har en venn som har bodd i Norge i nesten 50 år, og som for første gang nå opplever å ikke føle seg norsk. Vedkommende føler seg annerledes en annerledeshet regjeringsmedlemmer bidrar aktivt til å forsterke gjennom raffinert stigmatisering under dekke av å kalle en spade for en spade. Dette bidrar til å bygge fordommer, ikke fjerne dem. Hva mine barnebarn er opptatt av: Lærere er og har vært viktige personer i mine barnebarns liv. De vil høre til blant venner, i familien, i venneflokken og på skolen. De er opptatt av hva slags yrke og utdanning de skal velge, og bekymrer seg over uro og ufred i verden. Dette er saker Arbeiderpartiets politikk svarer på. Arbeiderpartiet vil ha tiltak som sikrer alle likeverdig omsorg, flere lærere i skolen og muligheter til å vokse opp i en trygg familieramme, framfor store skattekutt. Trygg oppvekst er viktig for barn, men det er ingen selvfølge. Mange barn i Norge, og enda flere i andre deler av verden, lever i en brutal virkelighet preget av vold og fattigdom. Derfor vil Arbeiderpartiet ta internasjonalt ansvar for å løse de store utfordringene. Vi vil bidra til fred og forsoning, med basis i internasjonale konvensjoner og menneskeretter ute og hjemme. Arbeiderpartiet vil formulere nye mål og visjoner, ikke bare for Norge, men for å bli På den måten kan vi gjøre Norge større både ute og hjemme. Regjeringa sier det går så mye bedre, og trontalen bærer bud om at vi kan forvente at vi fortsatt må vente på at ting skal gå seg til. I Flekkefjord venter de oppsigelse av alle 150 ansatte på Simek. De 150 ansatte og deres familier kan ikke vente, heller ikke de 3 000 som nå står utenfor arbeidslivet i Agder. 64 flere første kvartal i år – de kan heller ikke vente. Arbeiderpartiet vil derfor skape flere arbeidsplasser gjennom en aktiv næringspolitikk og en politikk som får folk inn i og ikke ut av arbeidslivet. Forskjellene i Norge Regjeringas prioritering av private aktører framfor offentlige tjenester skaper større forskjeller. For eksempel er private barnevernsbedrifter for de mest sårbare barna dominerende leverandører av tjenester til barn med de største utfordringene. Hele 15 barn bare i Agder er plassert i private en-til-en-tiltak. Fylkesmannen uttrykker bekymring for at barn blir for lenge i slike tiltak. Den bekymringen deler Sånn skal det ikke være. Det er en gedigen ansvarsfraskrivelse, og det er feil politikk. Også på kulturfeltet ser vi at forskjellene øker med regjeringas politikk. Private finansfolk styrer kulturen gjennom gaveforsterkningsordningen. De største gavene går til de største aktørene i de fire store byene – privatisering og sentralisering nok en gang. Arbeiderpartiet vil fordele kulturpengene slik at de kommer ut til alle deler av landet og når folk i alle aldre. Kultur skal skapes og deles der folk bor, ikke der finansfolka har sine lommebøker. Hadde det ikke vært fantastisk om vi hadde en trylleformel for å redusere ulikheter, fjerne fattigdom og gjøre velferden bærekraftig og framtidstrygg? Men det har vi. Det er nye, lønnsomme arbeidsplasser – arbeidsplasser som gir verdiskaping, som er med på å bidra til skatteinntekter og velferd, ikke arbeidsplasser som krever en del av vår velferd gjennom subsidier. Så enkelt og så vanskelig. Likevel er det slik at fra det politiske miljøet har dette året vært et eneste langt angrep på næringslivet og de jobbene som de skaper, fulgt opp av ønsker om til og med å avvikle hele næringer. Miljøpartiet De Grønne, SV og alle ønsket en slutt på leteboring etter olje og gass nå. Det er 13 000 mann som må i gå land til arbeidsledighet da. Miljøpartiet De Grønne og AUF vil avvikle norsk olje- og gassnæring i løpet av de neste 17 år, lenge før de investeringer vi gjør i dag, slutter å levere verdifulle produkter til verdensmarkedet. Det er 180 000 lønnsomme arbeidsplasser borte, eller 11 000 i året. Til erstatning for disse lønnsomme, velferdsbidragende jobbene skal det komme 10 000 velferdsbelastende jobber i ulønnsomme næringer de neste årene.

for oss som har sett de arbeiderne – våre naboer, våre sambygdinger, enn si våre slektninger – gå hjem og si at neste måned klarer vi ikke regningene, er dette svært, svært provoserende. Jeg tror at noe av det denne regjeringen har lyktes med, er å gi disse tilbake troen på fremtiden og en jobb. Det er svært provoserende at noen kan tenke seg å avvikle deres arbeid. I tillegg har Rødt og SV erklært jakt på arbeidsgiverne til 36 000 arbeidstakere i private barnehager. De snakker om at alle pengene må gå til velferd. Jeg er mest opptatt av at vi får har man innført skatt på verk og bruk, og nå ser det ut som om mesteparten av inntektene fra den går til å rekommunalisere et sykehjem. Høyere skatt og mindre velferd – det er ikke en løsning, det er et problem. Senterpartiet har gjennom ingen ringere enn daværende og kommende leder av næringskomiteen, representanten Pollestad, gjennom Nationen, advart dagligvarehandelens 100 000 ansatte om at deres kjeder kan grue seg til en rød-grønn regjering. Arbeiderpartiets skatteopplegg, som de nå selv ser ut til å evaluere seg til var en dårlig

slik at f.eks. Mariann på Bakstehuset på Askøy, der jeg kommer fra, kan konsentrere seg om å bake verdens beste brød, som er hennes ambisjon, og ikke måtte søke kommunen om å få lov til å selge det fordi det ikke var regulert for det der de skulle selge det. Vi må redusere, ikke øke, deres skattebelastning, slik at det blir flere, ikke færre, lønnsomme arbeidsplasser. Vi har ikke råd til å sende 13 000 letearbeidere i land eller å avvikle vår mest lønnsomme næring. Klarer vi å gjøre det enklere å starte bedrift, redusere skattebelastningen, styrke forskningen på nye løsninger, senke terskelen inn i entreprenørskapet og arbeidslivet og øke kompetansen, skapes flere jobber, færre blir fattige, ulikhetene blir mindre fordi flere er i jobb, og vårt velferdssystem gjøres bærekraftig og framtidstrygt. Det er den jobben vi må sette kreftene inn på: gjøre det enklere, ikke vanskeligere, å skape nye arbeidsplasser, lavere, ikke høyere, skatter på arbeidsplasser og ha enklere, ikke vanskeligere, inngang til arbeidslivet. Som avslutning, med tanke på denne morgenens flom av representantforslag, er jeg fristet til å ta en Cato-den-eldre som avslutning: For øvrig er det min mening at revers er feil gir for Norge – dixi.

Vi skal omstille samfunnet til å være forberedt på de utfordringene og det å kunne utnytte de mulighetene den fjerde industrielle revolusjonen og digitaliseringen gir. Og ikke minst: Vi må snu trenden med stadig flere unge mennesker som ikke får jobb, eller som kun får utrygge jobber. At stadig flere står utenfor arbeidslivet, svekker selve grunnmuren i samfunnsmodellen: trygt arbeid og velferd til alle. Og enda viktigere: Det svekker vår samlede velferd, fordi den største delen av nasjonalformuen er verdien av vårt framtidige arbeid. Derfor sier Arbeiderpartiet at igjen må det viktigste for landet bli det viktigste i politikken. Jeg har hatt gleden av å jobbe mye med nordområdespørsmål de siste årene. Det har gitt meg rik anledning til å møte mennesker og virksomheter som har ideer, visjoner, vilje og evne til å reindriftssamen på Finnmarksvidda, reiselivsnæringen på Svalbard og i Lofoten, kunnskapsmiljøene i Bodø og Tromsø og fiskerne langs hele kysten, for å nevne noen. De ser utfordringer som kommer, men også muligheter og løsninger. De konkluderer med at framtidens muligheter ligger i nord. Dessverre er ikke regjeringen like offensiv. I trontalen blir ikke nordområdene omtalt. Det kan synes som om nordområdene ikke er en Da vi satt i regjering sist, var nordområdene ikke bare viktig, men det var det viktigste strategiske satsingsområdet i utenrikspolitikken. Vi hadde visjoner og virkemidler. Norge var en arktisk stormakt – ikke fordi vi var en militær stormakt, ikke fordi vi er flest mennesker eller har den største økonomien. Vi ble en stormakt fordi vi hadde politisk vilje og evne til å sette en agenda. agenda. Arbeiderpartiet vil igjen gjøre nordområdene til nasjonens viktigste strategiske område. Vi vil gjøre det viktigste for landet til det viktigste i politikken. Da er det havnasjonen Norge som er kjernen. Havnasjonen Norge har seks ganger mer hav enn landområder. Vi har verdens nest lengste kyststripe, og ca. 80 pst. av de havområdene vi har, ligger nord for polarsirkelen. Vi er klare for Det er en satsing som er bærekraftig i økologisk, økonomisk og sosial forstand, og som gjør det mulig å bo og virke i hele landet. Derfor har vi også sagt at vi ønsker å ha et verdiskapingsprogram for havet, fordi havet er framtiden. Da vil vi ha bredbåndskommunikasjon i nord gjennom satellitter, slik at enda flere kan drive næringsvirksomhet der, det kan drives mer forskning, og det er mulig å operere tryggere i disse områdene. Derfor vil vi ha hurtigere utbygging av havnefasilitetene i Longyearbyen, slik at flere turister kan komme, vi kan få en effektiv havn for næringsvirksomhet, enten det er fiskeri, eller det er Kystvakten som opererer derfra, og vi kan ta en strategisk rolle som et maritimt knutepunkt for virksomheten i nord. Derfor vil vi ha et nasjonalt dronesenter som bygger på miljøer og muligheter som finnes i Ny-Ålesund, Tromsø, Andenes, Bodø og Trondheim. Vi vil ha på plass et forvaltningsregime som regulerer bærekraftig bruk og utnyttelse av andre ressurser enn fisken i havet, som raudåte, tare og krill. Derfor vil vi ha tilbake og ta opp igjen kartleggingen av mineralressurser i nord,

allerede finnes. Det finnes fantastiske muligheter i nord, men hvis vi skal kunne ta dem i bruk, må vi våge og evne å bruke politiske virkemidler. Det er ikke akseptabelt at nordområdene skal være en moderne koloni, at en kommer utenfra, henter naturressurser og lar oss som lever og bor der fra før, leve med konsekvensene uten å ta del i mulighetene. Nordområdepolitikken må ha en visjon om at alle skal kunne ta del i mulighetene. Det får vi til i et fellesskap, ikke gjennom å la markedskreftene råde grunnen

I årets trontale heter det bl.a.: «Vi er privilegerte som får vokse opp, arbeide, få barn og bli gamle i Norge. Mye i vårt samfunn kan fortsatt forbedres, men sammenlignet med tidligere tider og andre deler av verden, har dagens nordmenn mye å være takknemlige for.» Vi har det beste utgangspunktet for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Statsfinansene, et produktivt næringsliv og en høyt utdannet arbeidsstyrke er med på det. Men gode løsninger vil kreve innsats på flere områder, flere må jobbe lenger, og flere må være i arbeid. Arbeid er også den enkeltes beste mulighet til å øke sin egen inntekt og velstand, og her kommer også en vellykket helsepolitikk og en velfungerende helsetjeneste inn. Økt vekst og flere i arbeid er viktig, men mer må til. Offentlig sektor må belage seg på flere endringer. Vi bør tenke nytt og gjennomføre nødvendige reformer. Det er ikke sånn at alle liker endring, det gir som regel motstand. Men ser vi oss tilbake, er det alle disse store og små endringene av samfunnet som har brakt oss dit vi er i dag. I forrige periode igangsatte regjeringen en rekke nye reformer. Også innen helsetjenesten kom det mye nytt. Likevel er vi ikke i mål. Tempoet i digitaliseringen må øke. Arbeidskraft må bli frigjort, slik at flere kan yte omsorg og sikre at våre eldre får en verdig alderdom. På den måten bidrar vi til at Norge forblir et godt land å bo i også for kommende generasjoner. Digitaliseringen er en avgjørende del av vår verdiskaping og vekst, og vi vil fremover legge vekt på økt bruk av velferdsteknologi og mer digitalisering. Det er bare å innse at helsesektoren har mye å lære av andre deler av samfunnet når det gjelder digital utvikling og samhandling. Et viktig valgløfte fra opposisjonen var å reversere fritt behandlingsvalg. Det er en stor glede å stadfeste at den reformen ikke ble reversert, men heller giret opp. Vi skal arbeide videre med dette og andre tiltak som bygger opp under vårt mål om å skape pasientens helsetjeneste. Det er mer enn bare ord. Pasientens helsetjeneste er å tilpasse systemet til pasienten og ikke omvendt. Det handler ikke om at pasientene skal få alt de peker på, men om at både pasienter og pårørende blir mer involvert. Det betyr færre av Per Fugellis engangsleger og flere forløpskoordinatorer og kontaktleger. Det betyr at en får bedre oversikt over egenbehandling og nye løsninger, som elektronisk liste over legemidler i bruk, som alle behandlende leger får tilgang til. Det betyr at ingen beslutninger om meg skal tas uten meg. En kritisk opposisjon må til, men den må være konstruktiv. Jeg hørte med undring lederen av Norges største parti fundere på om Arbeiderpartiet hadde vært for konstruktive de siste årene. Det er en underlig tilnærming til politikken. For hva er det motsatte av konstruktiv? For oss som er opptatt av å bygge landet og ruste det bedre for kommende generasjoner, går det ikke an å være «for konstruktive». Vi er valgt til å forvalte våre felles verdier og det vi har bygd opp sammen. Da må alle bidra, og det gjør en best ved at både posisjonen og opposisjonen har en mest mulig konstruktiv tilnærming til både saker i Stortinget og de utfordringer vi i samfunnet står overfor. Å være stortingsrepresentant er en stor ære og et stort ansvar. Vi er valgt for å forvalte nasjonens interesser til alles beste. Det er tidvis tyngende, men alltid givende. Vi har mye å være stolte av i landet vårt, men vi kan ikke ta noe for gitt. Å utvikle Norge videre krever felles innsats på tvers av politiske partier. Samtidig må vi aldri glemme alle dem som driver bedrifter, alle dem som leder våre offentlige og private virksomheter, og alle ansatte i arbeidslivet, uansett sektor, som holder landet vårt i gang. Vår framtid er avhengig av folks arbeidsinnsats og frivillig sektor. Vi politikere skal legge til rette og sørge for gode rammebetingelser. I mange tilfeller fordrer det samarbeid på tvers av partiskiller. Jeg stusset derfor litt da min kollega fra Arbeiderpartiet fra Haugesund rett etter valget uttalte: Vi kommer ikke til å gjøre det enkelt for dem. Han mente altså for oss fra Høyre og Fremskrittspartiet. Vi liker å ha utfordringer, og vi liker også å ha noe å bryne oss på. Men det er en merkelig tilnærming til politikk å ville gjøre det vanskelig for hverandre. La oss heller bruke debatten til å få frem alternativer og skillelinjer. Vi må ikke henfalle til å undergrave hverandre framfor å bygge noe bra sammen. Jeg forventer ikke at andre partier er heiagjeng for oss, ei heller at de hjelper oss med å gjennomføre politikk de er uenig i, men jeg håper virkelig at dette ikke betyr at enhver sak skal motarbeides selv om en er enig. Folket har brukt sin makt og satt sammen dette stortinget. Vi låner makten i fire år. La oss vise oss den verdig. Jeg er

Når velgerne ser at vi leverer mer tog, mer vei, mer sykehusbehandling, mer til politi, mer til kommunene og en rekke andre enkelttiltak, gir det troverdighet også for de neste fire år. Og det ble tidlig klart for meg at velgerne ikke kjøpte svartmalingen som Arbeiderpartiet prøvde seg på. Velgerne kjente seg rett og slett ikke igjen. Jeg er stolt av alt det fantastiske vi har oppnådd innen helse, pleie og omsorg. Mer enn 400 flere ansatte i helsestasjoner og skolehelsetjeneste er viktig for å fange tidlig opp barn som sliter, har en funksjonsnedsettelse eller som lever under vold og omsorgssvikt. Lovpålagte kommunepsykologer, kortere ventetider og færre i sykehuskø, og ikke minst fritt behandlingsvalg, lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistent og en er alle viktige forbedringer som det har vært en ære å få på plass. Fremskrittspartiet skal fortsette dette gode arbeidet med å ha fokus på enkeltmennesker fremfor system. Veien videre vil i stor grad handle om å følge opp og videreutvikle alt det gode arbeidet som er påbegynt, og jeg føler meg trygg på at de som overtar stafettpinnen i helsekomiteen, vil gjøre dette på en god måte. Det eneste jeg beklager ikke å få den varslede opptrappingsplanen for psykisk helse for barn og unge. Men det er i kommunene livene skal leves. Jeg registrerer at kommunene i dag, fortsatt mange år etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, ikke har den kompetansen som er nødvendig. Små kommuner vil heller aldri kunne få dette til. Derfor er arbeidet med større kommuner helt avgjørende dersom vi skal klare å gi innbyggerne våre likeverdige og trygge helsetjenester der de bor. I valgkampen varslet jeg for Akershus sin del at kampen mot vold i nære relasjoner ville bli viktig for meg å følge opp. Flere tilfeller av partnerdrap og drap som en del av en æreskultur har skjedd i Akershus de siste årene, og er derfor temaer som har engasjert meg stadig mer. Flere kvinner har de siste årene tatt kontakt med meg, og dette har vært et nytt og spennende felt for meg å dykke ned i. Min erfaring er at det en lærer absolutt mest av, er å møte mennesker som har levd et liv, og lære av deres erfaringer. Sånn sett passer det godt for meg nå å skulle jobbe med integrering og kommuneøkonomi. Vi skal aldri akseptere at barn i vårt land lever under sosial kontroll og med fare for å bli utsatt for omskjæring og tvangsekteskap. Å ta med seg sin egen kultur når man flytter til Norge, er helt naturlig og helt greit. Men vi skal være tydelige på at det er noen deler av enkeltes kultur som vi ikke skal akseptere i Norge. Å holde antall asylankomster på et lavest mulig nivå er viktig om vi skal lykkes godt med integreringen. Mange som kommer til vårt land, ønsker å bosette seg i mitt fylke, Akershus, og mange av kommunene i Akershus er svært gode på å integrere. Så vet vi at den viktigste grunnen til at vi har fått økte forskjeller de siste årene, er den høye innvandringen vi har hatt over mange år. Om lag halvparten av dem som har aller minst, har innvandrerbakgrunn. Men innvandrere er like forskjellige som norskfødte er. Vi har innvandrere som gjør det godt, tjener gode penger, lever gode liv, og barna deres gjør det godt på skolen. Men vi har også innvandrere som ikke deltar i samfunnet, som isolerer seg, som ikke lærer språket, og som derfor heller ikke er i jobb. De aller fleste ønsker seg en jobb å gå til. Innvandrere med dårlige norskkunnskaper og ungdom eller andre med hull i CV-en sliter aller mest med å få seg en jobb. En rekke grep er tatt, og stadig flere får sin drøm om en jobb innfridd. Arbeidsledighetstall fra Nav viser at ledigheten har falt jevnt og trutt det siste året. Andelen helt ledige er nå på 2,5 pst. av arbeidsstyrken. Men dette handler også om holdninger og om arbeidsgiveres vilje til å gi folk en sjanse, og vi trenger derfor flere arbeidsgivere som tør å tenke nytt. Jeg ber om at kommunene bruker frivilligheten for alt den er verd. Frivilligheten består av engasjerte mennesker med mye kunnskap og et stort hjerte, og jeg vet at mang en innvandrer har funnet ut av det norske systemet med hjelp og støtte fra frivilligheten. Jeg gleder meg til det videre arbeid.

veksten er mye større enn i resten av landet. Vi vet også at den regjeringen som sitter nå, faktisk har mer enn fordoblet nordområdestrategisatsingen i forhold til hva de rød-grønne gjorde. I så måte er det ganske urimelige påstander som kom fra Sivertsen. Jeg tar gjerne en prat med ham på tomannshånd hvis han ønsker å la seg bli mer skolert i vår nordområdepolitikk. Årsaken til at jeg kom opp hit, er at i dag for litt over 150 år

i så måte foregangspersoner – personer som har gitt oss muligheter for framtiden. Men muligheter alene skaper egentlig veldig lite. Når vi nå skal sikte mot framtiden, og med norsk økonomi i omstilling, er derfor satsing på utdanning og forskning noe av det viktigste vi kan gjøre. gjøre. Etter fire år med Høyre i Kunnskapsdepartementet ser vi at elevene lærer mer, de er mer til stede, og flere gjennomfører videregående, for å nevne noe. Likevel er det fortsatt for mange unge som faller fra i videregående opplæring, og også innenfor høyere utdanning. Dette skaper utfordringer for den enkelte, men er også tapte muligheter for landet vårt. Derfor er det viktig at vi har høye ambisjoner for veien videre. Satsingen som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har levert de siste fire årene, skal nå følges videre opp, og vi skal få økt innsats for utdanning og forskning i Norge. Vårt neste store løft blir tidlig innsats for å sikre alle tidlig mestringsfølelse i skolen. Men vi skal også styrke yrkesopplæringen, kvaliteten i høyere utdanning, og vi skal ivareta at ingen går ut på dato. Utdanning og opplæring må være en integrert del av vårt arbeidsliv og samfunnsliv, og livslang læring står sentralt når vi skal legge til rette for et arbeidsliv som skifter stadig oftere og er i endring. Høyre startet arbeidet i forrige periode med at vi skal styrke tidlig innsats videre, fra kvalitet videre, fra kvalitet og læring gjennom lek i barnehagen til fokus på å gi alle barn grunnleggende ferdigheter i barneskolen. Slik er vi med på å sikre at alle får et godt utgangspunkt for skolegang og tidlig får oppleve læringsglede. Vi må nemlig lykkes med grunnskoleopplæringen skal vi få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring. Det er et mål at alle skal kunne lese, skrive og regne på barnetrinnet, slik at vi kan bygge på videre på mellom- og ungdomstrinnet og inn i videregående opplæring. Det er også viktig med tidlig innsats for spesialundervisningen, slik at vi ikke får en vente-og-se-holdning i dette landet. Satsingen på lærere er også veldig sentralt. Dyktige faglærere med god formidlingsevne er en av de viktigste ressursene vi har, og lærersatsingen fra Høyre skal fortsette også i denne perioden. Når utdanning skal sikre næringslivet dyktige hender, vil selvsagt også satsingen på yrkesfaglig utdanning bli sentralt. Jeg vil legge til rette for at flere skal ta fagskoleutdanning og få mesterbrev i framtiden. Vi har levert betydelig når det gjelder å styrke yrkesfagene, og nå skal vi fokusere veldig sterkt på at mesterne skal få sin renessanse. Det er også utrolig viktig at vi satser på høyere utdanning. Vi må sikre at våre universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer er i verdensklasse. Derfor ser jeg fram til å følge opp de mange gode tiltakene som vi ble enige om i kvalitetsmeldingen, men også legge til rette for flere studieplasser, fortsette storsatsingen på utbygging av studentboliger og bedre studentøkonomien – i det hele tatt gjøre at vi får en høyere utdanning som leverer det næringslivet etterspør, nemlig kompetente hender for å møte framtiden. Vi må gi ungene våre de beste mulighetene, den beste framtiden. Derfor må vi sikre at alle får en god utdanning, et meningsfylt arbeid og sikrer seg det gode liv. USAs president medvirker også. Innenfor EU står systemfeilen med euro uten et finansdepartement klart for stadig flere. Dette eksperimentet uten forbilde skaper store endringer i det politiske landskapet også i Frankrike og Tyskland. Det gir større utrygghet, fordi Stor gjeldsopplåning hos en rekke nasjonalstater har fortsatt etter finanskrisa. Dette er sårbart. Nasjonalstatene kan nå neppe evne å redde banker som er «too big to fail». I Norge er omfanget av lånefinansiert privat konsum internasjonalt vurdert svært høyt. Ifølge Finanstilsynets Finansielt utsyn 2017 er norske husholdningers gjeld i prosent av disponibel inntekt 219 pst. ved utgangen av 2016. Det er historisk høyt. Gjelda øker mer i prosent enn disponibel inntekt. Dette lånefinansierte konsumet gir svært mange arbeidsplasser. Dette er mange sårbare arbeidsplasser. Det gir grunn til uro. Klimaendringene fører til at framtredende internasjonale statsledere arbeider for å redusere bruken av fossilt karbon. Dette vil i løpet av få år få store konsekvenser for norsk olje- og gassektor. Det blir heller færre arbeidsplasser enn flere innenfor denne viktige delen av norsk nærings- og arbeidsliv.

Vi må satse på torsk, timotei og gran, symboler på framtidas råvarer, råvarer som må få økt lønnsomhet, slik at både produksjon og videreforedling tiltrekker seg dyktig ungdom. Gjennom en strategisk næringspolitikk som tar et oppgjør med næringsnøytraliteten, må det legges til rette for å investere store beløp i moderne foredling. Foredling av fisk og tømmer er åpenlyse satsingsområder. Produksjon av trygg lokalmat er nå et hett forbrukerkrav. Mat fri for antibiotikaresistente bakterier gir et grønt importvern. For å gjennomføre dette må det utdannes flere ungdommer med fagskole etter fullført fagbrev. Vi må gjøre som Sveits og Østerrike: få en sterkere fagutdanning. Det er etter min vurdering rett å prioritere dette framfor økt satsing på akademisk utdanning framover. Arbeidslivspolitikken som gir trygghet for inntekt fra arbeid og næring, må bli den andre viktige debatten for Stortinget framover. Sosial dumping i arbeidslivet, altså lønns- og arbeidsvilkår som ikke er til å leve av i Norge, må stoppes på grensa. Sosial dumping gjennom utnyttelse av arbeidsfolk fra fattige EU-land har blitt en alvorlig trussel mot lønns- og arbeidsvilkårene som Arbeidsinnvandrere fra EØS-området kan sjølsagt konkurrere om jobber i Norge, men det er uakseptabelt når bofaste ansatte som har norske lønns- og arbeidsvilkår, blir erstattet av tilreisende, mange av dem pendlere som går på dårligere vilkår. Mellom 2008 og 2016 falt sysselsettingen i Norge blant ansatte som ikke er arbeidsinnvandrere. I samme periode økte antall sysselsatte fra EU-land i Øst-Europa med nærmere 90 000 personer. Mange av disse har langt dårligere vilkår og lønn, arbeidstid og oppsigelsesvern enn det som er vanlig i Norge. Arbeidsinnvandring i seg sjøl er ikke et problem. Norge har siden 1954 levd godt med et grenseløst arbeidsmarked i Norden. Dette har fungert bra fordi arbeidsinnvandringen har skjedd mellom land med ganske lik levestandard og noenlunde like lønns- og arbeidsvilkår. Dagens arbeidsinnvandring fra fattige land i Øst-Europa er noe Det blir i praksis umulig å opprettholde norske lønns- og arbeidsvilkår og kvalitetsstandarder når det er fritt fram for å importere arbeidskraft fra land der pris- og lønnsnivået og boligkostnadene er en brøkdel av nivået i Norge. Senterpartiet kan ikke sitte rolig å se på at lønns- og arbeidsvilkår som er kjempet fram gjennom 100 år i fagbevegelsen, ødelegges i løpet av få år. Senterpartiet støtter derfor fagbevegelsen, som går i spissen for en politikk som sier at Norge har rett til å regulere landegrensene rundt vårt eget arbeidsmarked. En fornuftig regulering må ha som mål å stoppe sosial dumping på grensa. Det betyr ikke å stoppe arbeidsinnvandrerne, men å sikre at fattigere lands lønns- og arbeidsvilkår legges igjen ved grensa når de kommer inn i det norske arbeidsmarkedet. Dette må følges opp et straffenivå ved sosial dumping som virkelig svir. Dette blir en vanskelig, men svært viktig debatt.
Takk,

rigge et bærekraftig velferdssystem for framtida. Det trengs kraft, og det trengs bæreevne i en framtid hvor det blir stadig flere eldre. Færre skal finansiere velferden vår. Vi er nødt til å bruke pengene riktig og investere smart. Min partileder, Trine Skei Grande, nevnte den kanadiske statsministerens slagord – bedre er alltid mulig. Ser vi bakover i tid, har vi alltid tatt et steg videre. Bedre er alltid mulig, men i tillegg helt nødvendig for å skape den velferden som vi skal møte framtidas utfordringer med. Det er også en frihetskamp å sette noen rusavhengige fri fra nødvendighetene rundt seg, som de i mindre grad enn andre får tilgang til. Vi har noen utfordringer med å skape den velferden som kreves for å løfte alle til et bedre liv. Vi kan også nevne frafallet i skolen. Vi har skapt strukturer som gjør at ikke alle kommer seg igjennom og kan bidra i en framtid der det åpenbart er nødvendig med flere hender i arbeid. Det blir nok å gjøre for alle i Norge i framtida.

Da må vi ruste oss med en bedre folkehelse, en tidlig innsats som gjør at vi får god helse gjennom hele livet. I dag bruker vi nesten 140 mrd. kr på å reparere sykdom og skader som vi har påført oss gjennom livet. Det litt paradoksale i verdens rikeste land er at det er de kroniske lidelsene og de ikke-smittsomme sykdommene som vokser. I et land som har verdens største tetthet av

mestre egen helse bedre og forebygge en del av de lidelsene som vi i dag påfører oss, knyttet til diabetes, overvekt og kols. Det er store muligheter til å løfte oss ut av mye av det sykdomsbildet, ved egen deltakelse. Ser vi litt ut av Norge, har vi ganske like utfordringer rundt i Norden, så det å samarbeide med de nordiske landene for å løse noen av de velferdsutfordringene bør vi også gjøre mer av. Vi står overfor mange parallelle utfordringer knyttet til både alderdom og folkehelse, samtidig som vi er i en del av verden som skaper stadig nye muligheter – digitaliseringen og kunnskapen vi tar til oss, kan skape nye muligheter. Helse kan fort bli den nye erstatningen for oljen – helsekompetanse som resten av verden vil trenge, og ny teknologi som vi kan eksportere. Snø kan også bli vår nye olje. I mitt distrikt i innlandet er vinteren fortsatt veldig lang, og turismen blomstrer. Vi har en arbeidsledighet på under 2 pst. i vår del av landet. den andre sida av grensa i Hedmark investeres det i disse dager 1,1 mrd. kr i en ny flyplass, i Sälen i Sverige. Det grenseoverskridende samarbeidet er der, for Trysil kommer også til å ta en stor del av gevinsten ved den etableringen. Da er det et lite tankekors at vi nettopp har avviklet en flyplass i Valdres og Hallingdal. Det er en del av landet hvor turismen vokser mye. Det koster å reetablere slike infrastrukturer.

Mange i verden har ikke muligheten til å delta i frie, demokratiske valg, og vi skal være takknemlige for at vi lever i et land hvor vi har rett til å være med på å velge hvem som skal styre, og hvor vi hvert fjerde år har muligheten til å bytte dem ut eller gi dem fornyet tillit, om vi mener de fortjener det. Ved valget i høst fikk de ikke-sosialistiske partiene fornyet tillit av det norske folk, og jeg håper vi skal klare å forvalte det ansvaret på en god måte. Vi har begynt på et arbeid, men det er fortsatt mye i vårt samfunn som kan, bør og skal forbedres, og jeg håper vi får muligheten til å fullføre det prosjektet. Et av våre viktigste gjøremål er å sikre at det samfunnet som vi overleverer til våre barn, er i en bedre forfatning enn det vi selv overtok. Fremskrittspartiet er opptatt av at vi må få flere ben å stå på. Vi har vært for avhengige av oljenæringen, men vi kan ikke lenger stole på store, ekstraordinære inntekter i årene som kommer. Oljenæringen vil være Norges viktigste næring i lang tid framover, men som statsråd Terje Søviknes sa: Det er i gode tider vi skal forberede oss på de dårlige. Vi vet at i framtiden må flere stå lenger i jobb, og flere må være i arbeid om vi skal klare å opprettholde og videreutvikle dagens velferdssamfunn. Skal vi lykkes med den omstillingen vi må må vi sørge for at bedrifter får økt sin konkurransekraft, både internt i landet og også mot utlandet. Det gjøres gjennom spesielt tre grep, nemlig skatt, samferdsel og skole – først og fremst ved at vi reduserer bedriftenes utgifter i form av lavere skattenivå. Da tenker jeg spesielt på den særnorske formuesskatten, men også på selskapsskatten. Vi må bygge landet og våge å satse på infrastruktur. Bedre vei, ny tunnel og fastlandsforbindelse er bare noen eksempler på hva næringslivet etterspør etterspør av ting som kan bedre konkurranseevnen. Og vi må investere i kunnskap og forskning. Penger brukt på f.eks. tidlig innsats i dag er penger spart om 20 år på sosialhjelp, arbeidsmarkedstiltak og arbeidsledighetstrygd. Skatt, samferdsel og skole har vært satsingsområder for denne regjeringen de siste fire årene, og vil være det de neste fire Fremskrittspartiet mener at gode rammevilkår for næringslivet og en god utdannings- og forskningssektor er grunnsteinene i velferdssamfunnet og en forutsetning for trygge arbeidsplasser og verdiskaping. Norsk skole er på rett spor. Elevene lærer mer, fraværet synker, og flere gjennomfører videregående. Det er likevel store utfordringer, bl.a. med frafallet, som er for høyt, og fortsatt går årlig tusenvis av elever ut av grunnskolen med så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning og i jobb. Dette, tidlig innsats og et statusløft for yrkesfag blir viktige saksområder i året som kommer, og jeg gleder meg til å gripe fatt i disse utfordringene i komitéarbeidet. Skal vi løfte statusen til yrkesfagene, er det viktigste vi kan gjøre, å sørge for at det finnes jobber til dem som starter skolegangen. Én ting er å skape gode kår for næringslivet,

men det vi vet, er at framtidig velstand og framtidig verdiskaping er avhengig av at storting og regjering viser handlekraft og tør å ta modige beslutninger. Fremskrittspartiets stortingsgruppe er klare for det arbeidet. Vi vil gjøre det vi kan for å få til gode vedtak til beste for dem som skal overta landet, nemlig å skape et bærekraftig velferdssamfunn.

av.» Det er riktig. Men det er et typisk retorisk grep fra Høyres side for å prøve å framstille det som at det velferdssamfunnet som vi alle hyller, er noe det har vært enighet om. Nei, det er et resultat av politisk uenighet, politisk kamp og politiske valg opp gjennom årene. Det er det som har brakt oss den norske modellen, som mange land misunner oss, og som har bidratt til at dette er et godt land for alle å bo i. Den norske modellen består av tre hovedbjelker. Det er den økonomiske politikken, trepartssamarbeidet og velferdssamfunnet som er det spesielle ved den norske modellen. Det angripes nå ved den norske modellen. Det angripes nå systematisk. I den økonomiske politikken er ideen med den norske modellen at vi i fellesskap skal bruke skattesystemet til å finansiere velferdssamfunnet. Vi spleiser, og det er en dugnad. I tillegg til det skal skattesystemet sørge for at selv om man i Norge har relativt små lønnsforskjeller, skal skattesystemet På begge disse punktene svikter den retningen som regjeringa har lagt seg på, den norske modellen. Det er til og med slik at når begrunnelsen for lettelse i formuesskatten er at vi skal få vekst i næringslivet, kan ingen fagmiljøer – ikke engang statsministeren – si at det er noen resultater i form av vekst i næringslivet som følge av lettelse i formuesskatten. På den motsatte sida ser vi at noen får skatteskjerpelser

opprør. Når Piketty viser til at større forskjeller er farlig for samfunnet, sier den nåværende regjeringa: Ja vel, men den veien går vi. Samarbeidsmodellen har blitt utfordret av regjeringa. Regjeringa har pådratt seg den første generalstreiken på mange tiår. Det var da Høyres representant Kambe uttalte at nå skal LO vingeklippes. Men det var ikke bare LO som ble vingeklippet – det var alle på arbeidstakersida og alle på arbeidsgiversida. Vi trenger det samarbeidet for å få til flere tiltak mot sosial dumping, som partene i fellesskap krever, men som regjeringa stritter imot. Vi trenger det for å få til omstilling i samfunnet. I velferdspolitikken ser vi at dagpengene kuttes. Over en milliard kroner har regjeringa tatt inn fra dem som er arbeidsledige, for de har råd til å ha det enda litt trangere. Regjeringa sier at den skal føre en bærekraftig velferdspolitikk framover. Den største trusselen mot velferdssamfunnet i Norge er hvis man ikke har vilje til å finansiere velferden. velferden. Det er det som er den store utviklingen. Vi har sett systematiske angrep på den norske modellen under denne regjeringa. Siv Jensen sier rett ut at hun er imot den norske modellen, mens Høyre prøver å gi inntrykk av at dette er noe vi står sammen om. Vi ser resultatene tydelig. Formuesforskjellene øker, inntektsforskjellene øker, Gini-koeffisienten sier at forskjellene øker. Det er flere som havner utenfor. Det er lavere sysselsettingsgrad enn på veldig lang tid, og det er flere unge uføre og flere som er avhengige av sosialhjelp. Når regjeringa i trontalen sier at i Norge har vi små forskjeller, og at regjeringa vil arbeide for at det fortsatt skal være sånn,

Partiene som stemte mot bruk av tvang – Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne – har nå flertall. Når det gjelder tvangssammenslåing av fylker, er det litt annerledes, siden Kristelig Folkeparti støttet dette. Men jeg har merket meg at representanter for partiet har gitt uttrykk for at det nye fylkeskartet er dårlig begrunnet, og har stilt spørsmål ved hensiktsmessigheten. Representanten Geir Sigbjørn Toskedal ga i debatten i juni uttrykk for det jeg tror mange egentlig følte i den debatten. Han sa: «At vi har greid å få fram en løsning som ingen partier er enige i, må være et bevis på at det går an å samarbeide, for vi har et felles resultat der ingen er helt fornøyd.» Vi kan ikke ha en fylkesstruktur her i landet som ingen er fornøyd med. Fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er forslagene våre blitt forsøkt stemplet som uttrykk for motstand mot enhver reform som moderniserer Det bekymrer tydeligvis ikke disse partiene at vår motstand mot tvangssammenslåing deles i både kommunene og fylkeskommunene det gjelder, også av svært mange av disse partienes egne lokale representanter. Folkemeningen lokalt står lavt i kurs hos regjeringen og støttespillerne her på Stortinget. Det har vi iallfall registrert. Senterpartiet vil ha tjenester nær folk. Vi vil desentralisere forvaltningen av Norge. Vi er motstandere av regjeringens sentraliseringsreformer som flytter tjenester bort fra folk og konsentrerer offentlige arbeidsplasser til færre steder. Senterpartiet ønsker en reformpolitikk som desentraliserer oppgaver, og som skaper grunnlag for arbeidsplasser og bosetting over hele landet. Senterpartiet stemmer mot sentraliseringsreformer og for desentraliseringsreformer. Det har vi stor støtte for i befolkningen. Det er en grunn til at vi har doblet stortingsgruppen. Som i forrige stortingsperiode vil vi også de neste fire årene ta initiativ til reformer som gir landet et desentralisert tjenestetilbud, og som styrker lokaldemokratiet. Den såkalte lokaldemokratireformen, som regjeringen kalte kommunereformen, svekker muligheten for påvirkning og deltakelse. deltakelse. Jeg har fått mange henvendelser fra lokalpolitikere som setter sin lit til at Stortinget åpner for omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylker. Tilbakemeldingen fra meg har vært at det er det absolutt håp om. Jeg har også fått henvendelser fra lokalpolitikere som har bøyd av for presset om å godta kommunesammenslåing fordi de opplever at omfordelingen av inntekter mellom kommunene er blitt stor. Nytt inntektssystem for kommunene ble lagt om i budsjettet for 2017. Det vanlige er at endringene begrunnes med faktiske endringer i faktorene i inntektssystemet. Ved årets endring la regjeringen inn en vesentlig tilleggsbegrunnelse, nemlig at de skulle smøre kommunereformen. Det førte til at små og mellomstore kommuner tapte, mens store kommuner vant. De fikk også tilslutning til at inndelingstilskuddet som vil løpe fra 2020, skulle ha grunnlag i 2016-nivå. I tillegg ble 300 mill. kr av skjønnsmidlene til kommunene brukt til sammenslåtte kommuner. Det er store summer det er snakk om, og det er en stor omfordeling. Representanten Schou karakteriserte det i Smaalenenes Avis som en gedigen gavepakke til de sammenslåtte kommunene i Indre Østfold. Det er jeg enig i, men det er på bekostning av noen. Regjeringen har lagt opp til en gedigen omfordeling fra små til store kommuner, og fra kommuner som velger å fortsette som egne kommuner, til kommuner som blir sammenslått. Senterpartiet har gått mot disse endringene. Vi vil legge opp til likeverdige tjenester til innbyggerne i hele landet.

Det er viktig å lytte til den som kjenner skoen trykke. Jeg har vært i mange møter med næringslivet, og tilbakemeldingene har vært tydelige: Vi har en regjering som har vært ute og møtt ledelse og ansatte, som lytter, og som iverksetter nødvendige tiltak. Det er viktig, ikke bare i de næringene som har møtt motgang, men også der det går bra. Vi gikk til valg både i 2013 og i 2017 på å legge til rette for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, og som kan være med på å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Oljeprisfallet viste med all tydelighet hvor viktig dette er. I hele den perioden vi har lagt bak oss, har det vært en massiv satsing på kunnskap, på kompetanse, på innovasjon og næringsrettet forskning og utvikling, på infrastruktur og på vekstfremmende skattelettelser. Tilbakemeldingene fra næringslivet er at dette er riktig medisin, sammen med en forsvarlig økonomisk politikk. politikk. Dette vil vi fortsette med å videreføre og forsterke i den stortingsperioden vi nå går inn i. Samtidig ser vi at vi står overfor nye utfordringer når vi nå går inn i en ny stortingsperiode. Jeg vil ta for meg tre områder. For det første: Digitalisering, robotisering og automatisering er og blir viktig for norsk næringsliv i årene som kommer. Ny teknologi vil utfordre etablerte på en måte som helt sikkert vil oppleves som et problem for mange. Men først og fremst er dette en stor mulighet for å skape nye og spennende jobber, for å flytte arbeidsplasser hjem igjen til Norge og for å legge grunnlaget for at vi skal ha flere lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet i årene som kommer. Ny teknologi gir nye muligheter. For det andre: Strenge miljøkrav er nødvendig for at vi skal nå klimamålene. Men det er samtidig et som kan bidra til å utvikle ny miljøteknologi, med utgangspunkt i Norge. Særlig på det maritime området er vi i en unik posisjon, med sterke og komplette klynger i verdensklasse, stor innovasjonsevne og lange tradisjoner. I mitt eget fylke, Møre og Romsdal, er det mange bedrifter som er helt i verdenstoppen på sine områder. Det er i disse bedriftene ny teknologi blir utviklet og som vil bidra til morgendagens lav- og nullutslippsløsninger. I transportsektoren vil digitalisering og strenge miljøkrav endre måten vi tenker samferdsel på, og det kommer til å gå fortere enn det vi tror. Vi ser allerede nå at etablerte forretningsmodeller blir utfordret som følge av ny teknologi, f.eks. i taxinæringen. Delings- og formidlingsøkonomien er på full fart inn i transportsektoren, og autonome kjøretøy og skip vil bli en realitet i løpet av de nærmeste årene. Elektrifisering av transportsektoren er i full gang og vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Ny teknologi vil kunne gi nye og bedre løsninger for innbyggerne, og det er vår jobb å legge til rette for at det kan skje. For det tredje: Vi må fortsette å fornye og modernisere offentlig sektor. Det er nødvendig for at våre innbyggere skal ha gode tjenester i årene som kommer. Og det er helt avgjørende for at vi skal ha et bærekraftig velferdstilbud, og for at vi klarer å gi våre barn den kunnskap de må ha for å løse morgendagens I et samfunn der endringene skjer stadig raskere, er ikke løsningen reformpause, reversering og økte skatter, slik flere partier tar til orde for. Tvert imot må vi fortsette å fornye oss, bruke ny teknologi til å gi et bedre tilbud til innbyggerne og sørge for at vi bruker fellesskapets penger effektivt. Vår evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi er avgjørende for vår konkurransekraft. I transportsektoren har vi gjort mange endringer. Vi har f.eks. etablert Nye Veier AS. Det er stor motstand fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Allerede nå ser vi at Nye Veier bygger raskere og mer effektivt og sparer samfunnet for store kostnader. Det bidrar til et mer bærekraftig velferdssamfunn. Jeg er stolt av å være på et lag som har styrt landet trygt gjennom en krevende periode. Statsministeren og regjeringen har vist både styringsvilje og styringsevne. Samtidig har det borgerlige flertallet funnet sammen i viktige saker for landet og lagt grunnlaget for en trygg og stabil styring. Det har vi tenkt å fortsette med de neste fire årene. Det er

Skal Norge kunne opprettholde et samfunn basert på gode, liberale fellesverdier, må innvandringen reguleres strengt. Det overordnede fokus må være at verdier assimileres og fellesarenaer oppsøkes. En god, vellykket og forsvarlig innvandringspolitikk kan ikke måles ut fra antall alene, men ut fra hvorvidt de som kommer til Norge, selv tar initiativ til å benytte seg av de mulighetene som vårt samfunn gir, og blir aktive bidragsytere.

Vi har behovet, og vi har pengene. La oss samtidig være ærlig og innrømme at det ikke er utenkelig at en plan kan bli noe dyrere å implementere enn det regnestykkene tilsier i forkant. Når det er sagt, er det ikke gale regnestykker som skal avgjøre om Norge oppfyller sine forpliktelser. Det er kampkraften som avgjør. Derfor er det Fremskrittspartiets ambisjon å styrke Forsvaret utover det som ligger i LTP-en. Vi vil over tid stadig nærme oss 2 pst.-målet, noe vårt landsmøte har vedtatt. Skal vi lykkes med det, må vi i enda sterkere grad involvere vår egen forsvarsindustri. Slik mange andre land gjør, bør vi aktivt bruke styrking av eget forsvar til aktiv styrking av forsvarsindustrien. Økt kampkraft kan parallelt bidra til industriell kampkraft og teknologisk utvikling. Det vil samtidig skape synergieffekter innenfor høyteknologi generelt. Arbeiderpartiets parlamentariske leder holdt tidligere i dag et innlegg som tvinger meg til et noe annet fokus enn jeg hadde tenkt. Representanten Gahr Støre påpekte at Norges tilknytning til EU gjennom EØS og vårt medlemskap i NATO ligger fast – og det høres jo tilforlatelig ut. Utfordringen til Arbeiderpartiets leder er imidlertid at verken EØS som samarbeidsverktøy eller NATO som organisasjon selv ligger fast. Med andre ord sier representanten Gahr Støre at Norge skal sitte stille i båten samtidig som båten beveger seg raskt. Det er et lite visjonært syn på Norges plass og rolle. Ellers registrerte jeg at Gahr Støre fortsetter valgkampen. valgkampen. Favoritten er at Fremskrittspartiet ligger til høyre for Høyre. Gøyal polemikk, men helt i utakt med folket – noe velgerne igjen gjennomskuet. Fremskrittspartiet har siden partiet ble grunnlagt representert folk flest, og våre velgere er i særlig grad blitt rekruttert fra et elitistisk og lite folkelig Arbeiderparti. Så hver gang Gahr Støre gjentar denne undergravende analysen, sparker han sine tidligere velgere på

Taliban kontrollerer i dag 70 pst. av landet. I forlengelsen av dette er 50 000 amerikanske våpen på avveie. De var i utgangspunktet gitt til afghanske sikkerhetsstyrker, og de er deretter forsvunnet. Et annet paradoks er at USA har brukt mer penger i Afghanistan enn landet gjorde for å gjenreise Europa etter den andre verdenskrig – mer enn Marshallhjelpen. Det er ikke noe fasitsvar på dette, men det er viktig at Norge foretar selvstendige analyser av norsk engasjement, men selvsagt i tett dialog med NATOs øvrige medlemsland. Det samme gjelder eventuelt forlenget engasjement den dagen Den islamske stat er nedkjempet. Det er avgjørende at Norge ivaretar egne sikkerhetspolitiske interesser. Disse er særlig tuftet på et sterkt allianseforsvar innenfor rammen av NATO. Artikkel 5 sikrer et kollektivt forsvar samtidig som NATOs artikkel 3 er en garanti for at alliansens medlemmer deler og praktiserer demokratiske verdier. Nettopp dette kan bli en utfordring for alliansen i relativt nær fremtid. La det være helt klart at Norge har en sterk interesse av at verden er tuftet på internasjonal rettsorden og sterke institusjoner. Få regjeringer har hatt slike muligheter som den vi nå har. Da er

og noen av løsningene ligger rett foran nesa på oss? Regjeringen sier at de ønsker bærekraftig velferd. Det er SV enig i, men da kan man jo ikke fortsette med en politikk der man f.eks. gjør barnevern til butikk, når barnevern er omsorg. Det er ingen som betaler skatt for at internasjonale aksjefond og spekulanter skal tjene seg søkkrike på anbud i barnevernet, private barnehager eller eldreomsorgen. Men det er det som skjer nå. Det er dette de borgerlige vil ha mer av, og som Arbeiderpartiet hittil ikke har villet være med og sette ned foten for. Det handler ikke om små entreprenører, foreldredrevne barnehager eller frivillige organisasjoners viktige bidrag i

Det er SV imot. Det er elendig likestillingspolitikk også, for det er i hovedsak kvinner som gjør disse jobbene. Jeg har spurt mange fra Fremskrittspartiet og Høyre om de vil være med meg bort i barnehagen og på sjukehjemmet, se hjelpepleierne og renholderne rett i øynene og si: Du tjener for mye, og du har for mye i pensjon. Hittil er det ingen som har villet være med, for de har vel litt skam i livet. SV mener at skatten folk betaler, skal gå til velferd og til å lønne dem som faktisk gjør jobben, og ikke være en ny måte for smarte investorer å tjene penger på. Det er dette sugerøret ned i statskassen, felleskassen og skattepengene våre, vi vil tette. Det er ikke innovativt å trikse til seg millioner som er bevilget til barnevern og barnehager, og det er ikke bærekraftig heller. Det skapes ikke mangfold av å avspise heltene i omsorgen, de som faktisk gjør jobben, med dårligere lønn og pensjon. Det er heller ikke bærekraftig når man skal rekruttere, og det trengs. Det innrømmer jo regjeringen, at mange flere skal ha slike jobber i framtida. Det er ikke ansvarlig å be folk om å betale skatt for at noen skal tjene seg søkkrike på denne velferden. Dette er ikke bærekraftig. Det er nødvendig å sette en stopper for det, for vi er nødt til å bruke skattepengene våre til å bedre omsorgen og til å gi skikkelig lønn og pensjon til dem som skal gjøre jobben. Jeg har lett i trontalen etter hvordan man skal skape de grønne arbeidsplassene i Norge, og jeg har ikke funnet at det står noen ting. Jeg kommer fra Hedmark, det fylket som det fylket som har mest skog i dette landet. Det er vel og bra når regjeringen skaffer penger til skogsbilveger og høyere akseltrykk, men det går jo stort sett med til å kjøre tømmeret til Sverige, og der utvikler de grønne arbeidsplasser på vårt råstoff.

Dessverre ser det ikke ut til at regjeringen vi har nå, ser at deler av disse arbeidsplassene må komme i Norge. Selvfølgelig er det behov for samarbeid over landegrensene både på bedriftsnivå, på forskningsnivå og på utviklingsnivå, men det må legges en skikkelig satsing på bordet – langsiktig – med forskning, utvikling, statlig medeierskap, tålmodig medeierskap, for å skape denne endringen, dette moderne næringslivet, som har arbeidsplasser som klimaet og framtidige generasjoner kan leve med, og som er arbeidsplasser der folk har lønninger som de også kan betale skatt av, og slik berge velferden i framtida.

Barn, foreldre, pårørende og pasienter er i daglig kontakt med de kommunale velferdstjenestene, tjenester som koster penger. Derfor prioriterte Arbeiderpartiet mer penger til kommunesektoren enn flertallet i hele forrige stortingsperiode. Her vil Arbeiderpartiet være svært gjenkjennelig i den stortingsperioden som kommer. Vi er fortsatt opptatt av å ha store ambisjoner på vegne av tjenestetilbudet til innbyggerne i norske kommuner. Vi kommer til å prioritere skole, eldreomsorg, helse og barnehager og å sette kommuner i stand til å møte det ansvaret som klimaendringene gir. Kommuner må jobbe smartere, ta i bruk ny teknologi og digitalisere. Teknologi og digitalisering vil bli sentralt på arbeidsplasser i alle sektorer, på alle nivåer. Det ligger store muligheter i teknologiutviklingen. Derfor mener Arbeiderpartiet at vi trenger et taktskifte i digitalisering av offentlig sektor. Vi vil intensivere satsingen på digitalisering av offentlige tjenester. Et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor er avgjørende for en mer effektiv offentlig sektor. Slike endringer krever, i tråd med det beste fra den norske modellen, et godt samarbeid med de ansatte.

Men reformer må fylles med innhold. Det å flytte grenser på et kart og kalle det en reform er misbruk av reformbegrepet. I sitt innlegg i dag sa Høyres parlamentariske leder at vi sikkert har sagt ting til hverandre i valgkampen som er litt spissere enn det vi normalt er komfortable med. Jeg synes det høres lovende ut. Mye har vært sagt om retorikken i innvandringsdebatten. Og la meg understreke så sterkt jeg bare kan: Vi må ikke gå i fella og si at retorikk ikke er politikk. Det er det i høyeste grad. Hvordan man snakker om saker, har mye å si for folks holdning til spørsmålene. Derfor påligger det oss politikere et tungt ansvar. Dersom man gjennom sin politikk og retorikk skaper et negativt bilde av hele befolkningsgrupper, har man åpenbart bidratt til mer splittelse og polarisering i samfunnet. Da får vi et kaldere samfunn. Det handler like mye om hva som sies, og hva som ikke sies. Når regjeringen ikke evner å kommunisere stort

om menneskerettigheter, om likestilling, om friheten til å kunne ta egne valg, sånn som man ønsker seg. Og det må gjelde for alle. Vi må stille opp for dem som opplever det motsatte. Jeg er

som at flertallet av den norske befolkningen ønsket deres politikk i denne perioden. Det er feil. De borgerlige partiene vant. Det gjelder på alle felt. Det gjelder på økonomisk politikk, det gjelder på arbeidspolitikk, det gjelder på kommunepolitikk, det gjelder på klimapolitikk. Det er intet nytt under solen.

tid, tid vi kunne brukt til å samarbeide, tid vi kunne brukt til å finne gode felles løsninger for hvordan vi skal bekjempe vår viktigste utfordring, nemlig klimaendringene. Jeg vil nevne to ting. Det ene er konflikten om folks intensjoner. Vi har allerede sett her i dag hvordan enkelte representanter fra venstresiden har forsøkt å så tvil om intensjonene til Det forsinker oss, fordi hver gang det er på agendaen, må vi diskutere det istedenfor å diskutere de gode løsningene. Det andre er olje og gass. Det overskygger hele debatten, nyansene kommer aldri fram, det er stort sett bare de med de mest outrerte synspunktene som når fram i mediene. Og hva er det som glipper når nyansene forsvinner i den debatten? Jo, det er hvordan vi kan jobbe for å få de globale klimagassutslippene ned, eller hvordan vi f.eks. kan hjelpe befolkningen i Tanzania, hvor de stort sett bare bruker trekull, noe som er farlig for både folk og klima. Tiden da det bare er de som vil stanse alt av norsk produksjon, som får sette dagsordenen i klimaspørsmålet, må være forbi. Det er ingen debatter som er gode når de bare reduseres til ytterpunkter. I løpet av de siste fire årene har det borgerlige flertallet ført en offensiv klimapolitikk. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti forsterket klimaforliket, og vi løftet ambisjonene i klimapolitikken. Trenden med økende utslipp er snudd. Vi kommer stadig nærmere målene vi har satt for kutt i utslippene av klimagasser. Aldri har Enova fått høyere bevilgning. Vi har satt i gang et offensivt Vi har opprettholdt den internasjonale innsatsen for å begrense tap av urskog som binder opp klimagasser. Vi satser sterkt på utvikling av ny teknologi for å kutte utslipp og få flere grønne arbeidsplasser. Med borgerlig flertall settes det rekord i antall elbiler, med rød-grønt flertall var det rekord i antall dieselbiler. Nå sier vi at alle nye kjøretøy skal være null- og lavutslippskjøretøy fra 2025. Med satsingen til det borgerlige flertallet på elferger har vi blitt verdensledende på dette feltet. Det har aldri tidligere vært investert mer i jernbane og kollektivtrafikk. Det kan man bl.a. se i min hjemkommune, Oslo. Ny T-banetunnel kommer. Fornebubanen kommer. Bedre tverrforbindelser i Groruddalen kommer. Med denne regjeringen er det mulig for alle storbyene å intensivere satsingen på kollektivtrafikk. Målene er klare. Klimagassutslippene er gått ned. Det skal ikke være en hvilepute, men det er et viktig poeng at klimagassutslippene går ned mens veksten i økonomien går opp. Vi får av og til høre at en økonomisk politikk som bidrar til flere arbeidsplasser, og som bidrar til vekst, ikke kan gå sammen med en ansvarlig klimapolitikk som får utslippene ned. Dette flertallet har vist at den motsetningen er avlivet. Den finnes ikke, den er ikke ekte, og det er fordi vi sier at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Vi er generasjonen som må lykkes med klimaarbeidet, men da må vi samarbeide, og så må vi komme opp av

debattskoleringen. Jeg hører ord som at Arbeiderpartiet tapte valget – ja, det er riktig. Men jeg hører også at høyresiden har fått fornyet tillit, klart mandat, og noen har til og med brukt ord som at høyresiden fikk klart flertall! Jeg tror jeg ville gått litt stillere i dørene. La det være helt klart: Arbeiderpartiet gjorde et dårlig valg. Vi gikk tilbake med over 3 prosentpoeng. Men de fire samarbeidende partiene fra forrige periode gjorde også et dårlig valg. Alle de fire partiene gikk tilbake – til sammen med over 5 prosentpoeng. De som gikk fram, var de andre rød-grønne partiene som ville ha regjeringsskifte – de gikk fram med over 8 prosentpoeng. Det er ikke noe folkekrav om mer høyrepolitikk i Norge, heldigvis. så vidt båten bar – det er realitetene etter valget. Høyre og Fremskrittspartiet må nå fortelle oss hva de vil gjøre framover. Det hører vi svært lite om.

Vi som er medlemmer av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, er verdens heldigste transportkomité, for det er antakeligvis ingen regjering og intet parlament i hele verden som skal bruke så mye penger på infrastruktur. Tar vi med et rekordhøyt nivå på bompenger, skal vi bruke over 1 000 mrd. kr til samferdselsformål de neste tolv årene. Det er bra, men det er også store behov. Skal vi lykkes med de målene vi har for hva vi vil med Norge, trengs bedre kommunikasjoner. Folk må komme seg på jobb, og bedriftene må få transportert produktene sine. Vi må bygge ut bredbånd og ta i bruk ny teknologi. Det er også en del av

Norge har store muligheter på vegen mot lavutslippssamfunnet vårt. Hvis vi nå fatter de riktige avgjørelsene, hvis vi nå legger til rette for å skape en transportsektor, skape boområder og skape et næringsliv som er formet for framtida, ja, så kan vi nå klimamålene våre. La oss som sitter i denne sal, minne hverandre på at jobben vår egentlig dreier seg om å gjøre samfunnet og hverdagen til folk litt og litt bedre, litt og litt enklere. Det er derfor vi er valgt til denne

Det er blitt framlagt en lang rekke – jeg vil si historiske, iallfall fra SVs side – representantforslag i trontaledebatten i dag. Det er mange forslag for en mer ambisiøs klimapolitikk. Det var med stor glede at jeg lyttet til representanten Heggelunds oppramsing av god klimapolitikk vedtatt av den rød-grønne regjeringen. Dette stortinget står overfor store utfordringer. Vi merker nå for alvor konsekvensene av klimaendringene, og de treffer oss samtidig som ulikhetene vokser mellom land og folk. Den største flyktningkatastrofen siden andre verdenskrig ryster oss, og i flere land velges det nå ledere som skaper avstand mellom folk og gjør internasjonalt samarbeid vanskeligere. Det er derfor med stor hast

andre. Norge har brukt opp sitt karbonbudsjett. Hvis Norge skal ta sin del av ansvaret, må vi halvere utslippene fram mot 2030. Det er fullt mulig, men vi er dessverre langt unna. Det må få konsekvenser for alle politiske beslutninger i denne perioden. Der regjeringen svikter, går byene foran. Jeg er stolt over Oslos klimasatsing. Den vekker internasjonal begeistring. Særlig stolt er jeg over satsingen på nullutslippsteknologi, kollektivtransport og bilfritt byliv. SV fremmer i dag et representantforslag med 42 forslag for å redusere klimagassutslippene i Norge i løpet av denne stortingsperioden. Vi vil gå fra å sette langsiktige mål, som stadig skyves på, til å vedta konkrete tiltak som gir effekt denne stortingsperioden. Jeg vil invitere de andre partiene med på å vedta en mer ambisiøs klimapolitikk. Denne sommeren har Statoil gjennomført en stor letekampanje i Barentshavet. Hvis vi legger klimarettferdighet og karbonbudsjett til grunn, er det riktig å konkludere med at det er feil å la stater og andre selskaper få lete etter og utvinne mer olje og gass. Det er ikke min prioritet å sette årstall for når Norge skal slutte å produsere olje og gass. Som representant vil jeg i stedet følge det samme rådet som jeg ga som miljøverner tidligere: Det viktigste grepet for å starte omstillingen bort fra olje, er å slutte å lete etter den. Derfor fremmer vi også i dag et forslag om å stanse den 24. konsesjonsrunde. Det vil også være lurt for norsk økonomi. Jeg er bekymret over at regjeringen ikke har lyktes med å omstille Norge i den perioden vi har hatt lav oljepris. Nå meldes det om at oljeinvesteringene er på vei opp igjen. Det vil innebære at oljeavhengigheten vedvarer, i likhet med Norges høye klimaavtrykk. Vi er nødt til å forberede oss på en virkelighet med permanent lavere oljepris. Internasjonalt ser vi at vindkraft, solkraft og batterier får stor teknologiutvikling og store kostnadsfall. Dyr olje og Etter hvert vil også billigere olje og gass møte veggen. Denne perioden vil SV jobbe for at Norge skal bli mindre oljeavhengig, for lavere klimagassutslipp og bedre rammebetingelser for klimaløsninger. Jeg håper flere vil stå sammen med oss om det.

det potensialet må vi ha et trygt arbeidsliv. Da må vi verne om arbeidstakeres rettigheter, ikke svekke dem. Kreative og dyktige mennesker vil være grunnmuren i byggingen av nye, grønne næringer. Det er ingenting som tilsier at dagens oljearbeider i framtiden ikke skal jobbe i f.eks. møbelindustrien. Norge har de beste forutsetningene for å lykkes med de endringer vi skal igjennom, hvis vi benytter oss av det. Vi glemmer ofte at innovasjonskraften i oljebransjen er stor. På IKM Haaland, en bedrift med 92 ansatte på Vigrestad i Rogaland, ser vi et perfekt eksempel på nettopp dette, en leverandørindustri som nå er en del av et møbel- og designeventyr som strekker seg fra Tokyo til Times Square, som lager grønne uteområder der det tidligere ble kjørt biler. IKM Haaland er en av Europas beste og mest moderne bedrifter innen platebearbeiding. Denne bedriften lager i dag deler av møbelproduktene til Sundays og Vestre. Hvis kvalitetskravene i offshoreindustri og militærindustri settes sammen med design i verdensklasse, oppstår det noe interessant. For når en leverandørindustri som lager kvalitetsmaskiner til oljeproduksjonen, overfører denne kunnskapen til f.eks. møbler, får en et produkt av en kvalitet som får internasjonal oppmerksomhet. Dette er ikke en banebrytende observasjon, men det interessante spørsmålet er om dette vil skje hvis arbeidsplassene er utrygge. Dette handler altså om mer enn styrt nedleggelse av oljebransjen eller ikke. Den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet, med høy kompetanse, små forskjeller og høy grad av tillit, er avgjørende. Denne modellen er grunnlaget for å bygge kompetanse og endringsvilje som kreves for å lykkes i en situasjon den man nå er i, med raske endringer. Derfor er det viktig å slå ring om et trygt arbeidsliv, rettigheter til arbeidere og trepartssamarbeidet. Ellers vil en rett og slett bomme på det grønne skiftet. Symbiosen med Fremskrittspartiet og Høyre har i sine første fire år tatt bort viktige rettigheter for arbeidere og fagforeningene. De bygger ned De bygger ned vinnermodellen. De gjør arbeidslivet vårt mindre omstillingsdyktig og mindre innovativt, med utrygge arbeidstakere med mindre bestemmelse over arbeidshverdagen, mer midlertidighet og mange som står utenfor det ordinære arbeidslivet. Så til representanten Stensland: Ja, nye angrep på arbeidsmiljøloven vil bli krevende å få igjennom for Innovasjonskraften ligger ikke i hendene til dem som jobber på tremånederskontrakter. De står faktisk med mobiltelefonen i neven og venter på nye oppdrag. På Vigrestad lages det nå altså designmøbler på de samme maskinene som det lages maskiner til oljebransjen på, ikke fordi designmøbler er den nye oljen, men fordi den norske modellen fungerer en modell det blir viktig for Arbeiderpartiet å slåss for i denne sal når Høyre og Fremskrittspartiet på ny danner regjering. Arbeiderpartiet vil heie på bedrifter som den på Vigrestad, som skaper morgendagens arbeidsplasser – de grønne arbeidsplassene der fast arbeid er De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Vestlandet har det i lengre tid vært tøft å være reder. Med over 100 offshoreskip til kai er det et trist syn. Det er tøft å være verftseier med mangel på nye kontraheringer, og leverandørindustrien har vært hardt rammet på grunn av oljeprisfallet. For mange er det blitt kroken på døra, mens andre har greid å finne nye løsninger innenfor beslektede bransjer

Klimaproblemene er en av vår tids største utfordringer og et av de områdene vi må løfte på den politiske dagsordenen, med framtidsrettet politikk. Næringsutvikling i et klimaperspektiv vil være et viktig og avgjørende samspill nettopp på dette området. Politiske klimakrav, virkemidler som støtter utviklingen av nye og bedre løsninger, sikre og forutsigbare rammebetingelser og bedre løsninger er vinn–vinn. Men vi kommer til å drive med olje- og gassproduksjon i mange tiår framover. Mest sannsynlig er det markedet som kommer til å styre hvor lenge vi faktisk holder det gående. Vår jobb er å drive forsvarlig og bygge bro for å få flere og «større næringsbein» å stå på framover, slik at vi kan forholde oss til OECDs budskap om at vi i Norge må doble fastlandseksporten innen 2040 for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå. Paris-avtalen pålegger Norge et taktskifte i klimapolitikken. Det gjør også det norske folk. Men hva gjør regjeringen? Venstre, ved Ketil Kjenseth, står i dag på talerstolen og sier at snøen er den nye oljen. Da sier jeg: Lykke til, Erna – du har en jobb å gjøre med det samarbeidet. Men vi som opposisjon stoler ikke på at regjeringen har den politiske handlekraften som er nødvendig, og kommer i denne perioden til å fremme mange viktige forslag som vi skal få flertall for – forslag som bidrar til å redusere utslippene i transportsektoren, og som kan bidra til at næringslivet faktisk kan bygge opp den teknologien. Vi må redusere utslippene i industrien, og vi må bygge opp et virkemiddelapparat som kan bidra til næringsutvikling på dette området. Vi har utrolig mye spennende å ta tak i, men vi har et stort ansvar, og jeg sier som Kjersti Kleven, at vi skal utvikle ny teknologi, men vi må også bli bedre på det vi allerede er gode på. For det går an å ta med seg allerede eksisterende teknologi og løse helt nye utfordringer. Det er framtidsrettet, og da må vi ha en tydelig næringspolitikk og en industripolitikk som bygger opp under det. Det er

kjent for de fleste i vårt kongerike at Nordland fylke og hele Nord-Norge går så det suser under dagens regjering. Vi har en bedre økonomisk utvikling enn resten av landet. Det settes stadig nye nordnorske rekorder, ikke bare i lav arbeidsledighet, men også i omsetning og eksport fra Men aller gledeligst er det å registrere at rekruttering av ungdom til distriktsnæringene fiskeri og landbruk øker – etter mange tiårs nedgang. Det er derimot én eksportrekord Nordland og Nord-Norge burde vært foruten, og det er eksporten av ungdom sørover. Nord-Norge har mangel på arbeidskraft og behov for kompetanse, så dette er et stort paradoks. paradoks. Derfor må vi si ja til å utvikle og skape verdier av de enorme nordnorske naturressursene – både på hav og på land. Vi må si ja til å skape nye bærekraftige og spennende arbeidsplasser med nye teknologiske og miljøvennlige løsninger. Dette handler i bunn og grunn om hvilke politiske signaler vi sender til ungdommen vår. Det er vi politikere som må være framtidsoptimistene, vi må være bjellesauene – og vi må vise veien til framtiden. Historien vil vise om dette storting forsto den tiden vi levde i, nok til å skape den framtiden som ungdommen ønsker å investere i. Så jeg har et håp om at vi skal bli bedre til å si ja til mulighetene, og mindre nei. Ungdommen i Nord-Norge må ha troen på at landsdelen får utvikle seg, at ressursene skal utvikles, og at det skal investeres i en framtid som ungdommen vil ønske å ta del i – for sitt fylke, for sin landsdel og for landet vårt. Så har jeg et ønske om mer politisk framsnakking av bærekraftig utvikling til stadig mer miljøbevisst ungdom, med mer politisk retorikk Som kjent er politiske kompromisser kun fullkomne når alle parter får det de ikke vil ha. Derfor må det grønne skiftet ikke gå i miljøfella. Vi må ikke slutte med alt vi gjør så bra, og som vi skal utvikle videre – som vi tjener penger på, og som skaper dagens velferd. Det grønne skiftet handler om ny kunnskap, teknologiutvikling og verdiskaping i en grønnere og mer bærekraftig retning, med bedre Da kreves det gode politiske kompromisser som legger til rette for å ta i bruk våre store naturressurser på hav og på land på en ny og framtidsrettet måte. Spesielt ønsker jeg meg gode politiske kompromisser for utvikling av ressursene på «nordkloden» vår. I dag markeres Verdensdagen for psykisk helse. Psykiske lidelser er

Det medfører redusert livskvalitet for mange. Det fører til økt arbeidsuførhet, og psykisk helse-problemer tar liv. Jeg skulle ønske det var like stor aksept for å si at man søker helsehjelp for sin mentale helse, som det er for å si at man skal en tur til legen, at det var like normalt å si at man har mental helse-problemer eller

dører. Negative holdninger til psykisk helse er både sykdomsfremmende og sykdomsbevarende. Det å være åpen om psykisk helse-plager kan få konsekvenser i enkeltpersoners liv, f.eks. når det kommer til skole, arbeidsplass eller sosialt nettverk. Jeg lurer på hvordan samfunnet hadde sett ut hvis de samme fordommene hadde funnes mot fysiske sykdommer som mot de psykiske – hvis noen som har brukket beinet, blir bedt om bare å ta seg litt sammen, eller hvis man ser på kreftpasienten og tenker: Ja, ja, han later vel bare som. Jeg tror at holdninger er grunnleggende. Vi er nødt til å skape trygge rammer i hverdagslivet, både for å forebygge psykisk helse-utfordringer og for å møte dem som trenger hjelp, på en god måte. Trygge nærmiljøer, godt psykososialt miljø på arbeidsplasser og på skolen og fleksible ordninger i arbeidslivet er grunnleggende for å skape et inkluderende samfunn. Mange av utfordringene skapes, og de kan løses og forebygges i lokalsamfunnene og i kommunene. Jeg mener at vi trenger en konkret og aktiv politikk for å sette kommunene i stand til å møte utfordringene slik de skal gjøre. I Senterpartiet har vi foreslått en kommunal opptrappingsplan for psykisk helse som innebærer en betydelig satsing på forebygging, folkehelse og inkludering på lokalt nivå. Samfunnet er tjent med åpenhet om psykisk helse og fokusering på det området. Jeg tror ikke vi har råd til å la være. Vi må satse på psykisk helse for å redde liv.

Det vil komme stor utfordringer som det forventes at storting og regjering her skal løse. Utfordringene vil bl.a. være å få flere i arbeid. Skal vi, som regjeringen selv påpeker i trontalen, ha et bærekraftig velferdssamfunn, må flere komme ut i ordinært arbeid. I mitt eget hjemfylke, Østfold, er det altfor mange som ikke er med i arbeidslivet, spesielt unge mennesker står utenfor arbeidslivet i Østfold. Østfold. Dette er ikke bærekraftig, og der ligger kanskje den største utfordringen. Folk må ha en jobb å gå til. Vi kan i hvert fall ikke slå oss til ro med at ungdommen får beskjed om at samfunnet ikke har bruk for dem. Da vil det bære galt av sted. Arbeiderpartiet vil fortsette å prioritere arbeid til alle. Et godt trepartssamarbeid er nøkkelen til å En annen nøkkel er kompetansereform for arbeidslivet, noe som vil styrke både den enkelte arbeidstaker og bedriftene, og bidra til økt konkurransekraft. Jeg har snakket med mange av Østfold-bedriftene, og de er positive til et slikt trepartssamarbeid. Jeg håper regjeringen vil følge opp det. Å bekjempe sosial dumping, sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår er det som gjelder, er også vesentlig for et trygt arbeidsliv. Et seriøst arbeidsliv i Norge Norge er også nøkkelen til et bærekraftig velferdssamfunn. I valgkampen var det representanter for regjeringspartiene i Østfold som lovte å bygge ut sykehuset i Østfold, de lovte å endre på flypassasjeravgiften, slik at Rygge flyplass kan reåpnes, og de hadde en del andre lovnader som vi skal følge med på i tiden som kommer. kommer. Muligens kan svaret på en del av dette komme på torsdag. Så merket jeg meg i trontalen at regjeringen mener at små forskjeller er en styrke for Norge. Da bør et slikt prinsipp også vise seg i regjeringens politikk de neste ukene og månedene. Det gjenstår å se. Til slutt registrerte jeg for noen timer siden at Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, sa fra Stortingets talerstol at flere kommuner har innført eiendomsskatt uten at det var nødvendig. Jeg må bare oppfordre representanten Limi til å referere den listen han tydeligvis har over disse kommunene som har innført eiendomsskatt uten at det var nødvendig. Jeg er ganske sikker på at det er mange i denne salen, men også utenfor denne salen, som vil være svært interessert i å høre representanten Limi referere de kommunene som har gjort denne øvelsen.
Neste talar er

det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Stadig flere skal nyte godt av velferden, men færre er med på å finansiere den. Når det økonomiske handlingsrommet blir mindre, får vi et større ansvar for å tenke nytt. Vi kan ikke lenger redusere norsk politikk til kun å være en krangel om hvem som kan bevilge litt mer til alt. Vi må få mer og bedre velferd ut av hver eneste krone som bevilges over budsjettene. budsjettene. Jeg er ganske optimistisk, for Høyre har vist at nye løsninger finnes, og at de kan fungere. Pakkeforløpet for kreft viste at pasientene kunne få raskere og bedre oppfølging ved bare å organisere tjenesten annerledes. Ved å organisere hjemmetjenesten annerledes, med tverrfaglige helseteam og ny teknologi, vil flere kommuner lykkes bedre i eldreomsorgen. Ved å stille strengere krav om aktivitet for å få velferdsytelser sikrer man at færre handler om å bevilge seg fram til et varmere samfunn, men at nye politiske løsninger kan legge rammene for at mennesket mestrer eget liv, for frihet til å ta egne valg og ta ansvar for seg selv og sin familie. Jeg er enig i at vi står overfor et retningsvalg i Norge ikke mellom dem som er for eller mot fellesskapsløsninger, men mellom dem som evner å utvikle nye løsninger som trygger velferden for framtidige generasjoner, og dem som tviholder på at folk skal betale mer i skatt nå fordi politikerne ikke evner å løse statens oppgaver på en bedre måte. Vi kan ikke skatte oss vekk fra nødvendige omstillinger. Viktige verdier som samfunnet vårt er bygget på, som skaper tilhørighet og tillit, bevares ikke gjennom I en tid med stor sosial endring trenger vi en ansvarlig og aktiv reformpolitikk. Generasjonsfelleskapet er ikke bare en hyggelig idé; det er en moralsk forpliktelse. Det begrenser vår handlefrihet. Det betyr at vi må stå oppreist i prioriteringsdebatter. Det betyr at vi må satse på ny teknologi som frikobler økonomisk vekst med økte klimagassutslipp. Vi må få en velferdsstat som i større grad enn i dag evner å hjelpe dem som trenger det aller mest. Det kan godt være at den store pengefesten er over, men jeg tror vi kan ha det like gøy på nachspiel dersom vi tør å tenke

der enkelte kommuner i mitt hjemfylke, Møre og Romsdal, nå opplever en arbeidsledighet på over 6 pst. Heldigvis viser bedrifter i den maritime klyngen en imponerende evne til omstilling. Det gir håp om bedre tider. Likevel må vi som politikere aktivt bidra med de virkemidlene vi har i verktøykassa for å bryte den negative trenden og få folk tilbake i arbeid. Da er lettelser i bedriftsbeskatningen et viktig grep. Vi i Kristelig Folkeparti vil stå ved våre forpliktelser i skatteforliket i kommende periode, og vi vil bidra til at formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og på sikt avskaffes. I de vanskelige tidene for deler av norsk næringsliv har vi også sett en annen trend som er verdt å merke seg: Primærnæringene fiskeri, havbruk og landbruk, med tilhørende næringsmiddelindustri, har levert solide resultater og til dels eventyrlig gjort at stadig flere får øynene opp for at jord, oppdrettskonsesjoner og fiskefartøyer med tilhørende kvoter er interessante investeringsobjekter for god og sikker avkastning. Det å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for primærnæringene har i alle år vært en bærebjelke i Kristelig Folkepartis næringspolitikk. Vi har hatt som et grunnleggende prinsipp for vår politikk at kontroll over jord og fiskeressurser skal ligge hos bønder og fiskere. På den måten sikrer vi at det fortsatt er lys i vinduene i små kystsamfunn, og at arbeidsplasser blir skapt og opprettholdt i Distrikts-Norge. Kristelig Folkeparti vil videreføre en politikk bygd på prinsippene i deltakerloven, havressursloven og fiskesalglagsloven. Norske fiskere skal fremdeles ha kontroll over fartøyer og kvoter, og de skal ha siste ord når prisen på fangster blir fastsatt. Vårt parti har også stått som en garantist for at hovedlinjene i norsk landbrukspolitikk har ligget fast i perioden som ligger bak Årlige separate jordbruksoppgjør, videreføring av samvirkemodellen for markedsregulering og et aktivt importvern vil også i årene som kommer, være sentrale elementer i vår landbrukspolitikk. Vi er godt fornøyd med at bønder som har våget å satse på stordrift, ny teknologi og økt produksjonsvolum, har fått god økonomisk For oss vil det nå bli en prioritert oppgave å sikre at også små og mellomstore bruk får et inntektsløft som bedrer inntjeningen og fremmer generasjonsskifter framfor nedleggelse. De mindre brukene har en nøkkelrolle i arbeidet med å sikre fortsatt drift i mer tungdrevne landbruksområder, holde kulturlandskapet åpent og nå målet om økt matproduksjon. Da er bedret økonomi og lønnsomhet avgjørende viktig for å sikre bredden i norsk landbruk – både geografisk og størrelsesmessig.
Neste talar er

Dette er odiøs retorikk – den hører hjemme i omtale av dem som beriket seg i samarbeid med okkupasjonsmakten, men ikke når man skal beskrive private barnehager. De som jobber i barnehagene, og titusenvis av fornøyde barn og foreldre som benytter seg av tilbudet, kjenner seg ikke igjen. Samspillet mellom private, ideelle og offentlige er nødvendig for å levere stadig bedre tjenester. Vi lærer av hverandre, vi retter opp Ofte er det de private som er innovatørene, og i stedet for å sverte dem burde venstresiden hylle dem. De private aktørene er med på å løfte Velferds-Norge. Hvem står for tur på SV og Rødts liste over private som skal vingeklippes i neste runde? Er det optikerne? Er det protesemakerne? Er det tannlegene? Forbudet mot profitt er absurd. SV hevdet at Høyre har et forklaringsproblem alt SV vil, er å sørge for at skattepengene går til det de skal, nemlig til velferd og ikke til profitt. Vel, det er vi selvfølgelig helt enig i. Skattepenger som settes av til velferd, skal gå til velferd. Og slik er det i dag. Pengene som går til privat barnehage, gir titusenvis av barn en svært god barnehage, ja, ofte en bedre barnehage, men til samme pris som den offentlige. Og dette er interessant. For representanten Lysbakken hevdet videre at dette er enkelt, vi skal bare sørge for at skattepengene vi gir til private, går til velferd, slik som i det offentlige. men til samme pris som den offentlige. Og dette er interessant. For representanten Lysbakken hevdet videre at dette er enkelt, vi skal bare sørge for at skattepengene vi gir til private, går til velferd, slik som i det offentlige. Ja, la oss se litt på det. I Norges ti største kommuner er det stor variasjon i ressursbruk og svært stor variasjon i resultater innenfor velferdstilbudet. Det betyr at ikke alle kronene bevilget til offentlig velferd går til velferd. Private bidrar med innovasjon, kostnadskontroll og temmelig ofte bedre kvalitet. Det er ikke en eneste privat barnehage i Norge som får en eneste krone mer per barn enn de offentlige i samme kommune. De private har bidratt til å gjennomføre en av SVs politiske seire: barnehageforliket. Takken er mistenkeliggjøring, og det bør andre aktører innenfor velferdsområdet merke seg. Man lever utrygt som privat næringsdrivende om SV får innflytelse med sin politikk. Kvinnelige gründere blir til velferdsbaroner, lokale bedrifter med hardtarbeidende eiere blir til velferdsprofitører. velferdsprofitører. Hvordan kan SV og Rødt forsvare offentlig sløsing med skattepenger, mens privat, populær og effektiv bruk av dine og mine penger er noe man vil til livs? Venstresiden er opptatt av å kreve inn unødvendige skatter for å fôre sine ideologiske kjepphester. Høyre er opptatt av å gi alle best mulige tjenester.

I kommuneproposisjonen for 2018 presenterte regjeringen en ny kostnadsnøkkel for båt- og ferjedrift, delvis basert på utredninger fra Møreforsking. Fortsatt gis det ikke et best mulig grunnlag for å kompensere fylker med store båt- og ferjeutgifter. Med andre ord er det ikke mulig å gi innbyggerne et likeverdig tilbud i hele landet. Derigjennom svekkes innbyggernes evne til å yte sin del for å nå noen av målene som er listet opp i trontalen. Senterpartiet har i sine merknader til kommuneproposisjonen for 2018 etterlyst en bedre redegjørelse for de faglige begrunnelsene som ligger til grunn for nye nøkler. Senterpartiet viste bl.a. til at kostnadene i ferjedriften i stor grad bestemmes av faktorer som kapasitetsbehov, fartsområde og strekningslengde. Dimensjonering av fartøyene og dermed også kostnadene har ikke alltid sammenheng med antall passasjerer, skolereiser eller kystlengde. Senterpartiet etterlyste også en bedre og bredere vurdering av faktorene i kostnadsnøklene for båt- og ferjedrift i statsbudsjettet for 2018. Vi forventer at dette kommer når budsjettet legges fram senere denne uken. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. Mye av dette fulgte med da fylkeskommunene fikk overført en stor del av riksveiene i 2010. 2010. Ifølge KS og fagetatenes grunnlag for Nasjonal transportplan er det et årlig behov for mellom 1,5 og 2 mrd. kr mer for å opprettholde dagens standard på fylkesveiene. Flere parter har ment at dette umulig kan dekkes inn gjennom de ordinære rammeoverføringene til fylkeskommunene, og har tatt til orde for et tiårig nasjonalt vedlikeholdsprogram for fylkesveiene. Senterpartiet fremmet sammen med SV et forslag forslag i forbindelse med Stortingets behandling av kommuneproposisjonen for 2018, hvor det het: «Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 etablere et tiårig nasjonalt vedlikeholdsprogram for fylkesveiene.» Satsing på infrastruktur blir ofte framhevet som noe av det viktigste for å forbedre næringslivets konkurransevilkår i hele landet og dermed skatteinngangen for å finansiere velferd. Dette kan ikke bare skje gjennom tidenes innkreving av bompenger til som dagens regjering gjennomfører. Det må bl.a. også skje ved at fylkeskommunene settes i stand til å vedlikeholde og fornye fylkesveinettet, som Senterpartiet i forslaget til revidert budsjett foreslo å starte opp med en bevilgning på 0,5 mrd. kr. Senterpartiet inviterer med dette Stortinget og regjeringen til å følge opp, slik at fylkene over noen år kan tette etterslepet i vedlikehold av fylkesveiene, og at det ytes et likeverdig tilbud for vekst i hele landet.
Neste replikant er Nicholas Wilkinson.

på en åpen skytebane. Barna i Oppegård vil vokse opp med lyden av eksplosiver og skudd fra de står opp, til de legger seg. Kommuneoverlegen i Oppegård har advart om at støyen blir så høy at barna i barnehagen ikke lenger engang kan sove ute, og at støyen blir så plagsom at politiet ikke får trene nattetid. Terrorberedskap er viktig. SV ønsker et nytt beredskapssenter for politiet så fort som mulig, men om senteret skal bli godt, må det bygges på en måte som ikke overkjører lokalsamfunnet, som ikke gjør at barn vokser opp med lyden av skyting og sjokkgranater, og som sikrer gode øvelser for politiet. Støyen fra skytebanene vil nå bli så plagsom at politiet ikke får øve så mye som de ønsker. Det er alvorlig, for mengdetrening er det viktigste for god beredskap. Derfor bør vi bygge inn skytebanene på Taraldrud. Bygger vi inn skytebanene, demper vi støyen, og politiet kan øve 24 timer i døgnet 365 dager i året. Innbygging gir bedre beredskap. Bruken av tunge eksplosiver må begrenses, og den vanlige helikoptertrafikken må i størst mulig grad styres utenom bebygde områder. Prosessen rundt nytt beredskapssenter har vært svært rotete styrt av denne regjeringen. beredskapsdepartementet klippet bort bebyggelsen fra kartet for å skjule hvor nær det var hjemmene til folk. Prosjektlederen sammenlignet lyden av skyting med barnelatter, og departementet har tildelt en millionkontrakt uten konkurranse, noe Robert Myhre, ekspert på offentlige anskaffelser, mener bryter med regelverket. SV gjorde et brakvalg i Oppegård fordi innbyggerne ikke godtar at barna våre skal vokse opp med lyden av skyting og sjokkgranater gjallende gjennom skolegården og over barnehagene våre. Skytebanene på beredskapssenteret må bygges inn.

Å være passiv er risikofylt. Klimarisiko handler like mye om økonomisk risiko som om endringer i været. Det er økonomisk risiko for norsk næringsliv og for Norge som nasjon. De siste tiårene har vi ikke vært helt vant til å tenke nytt. Vi har kunnet hvile på våre laurbær – eller oljefelt, som vi kaller våre laurbær her oppe på berget. Nå går vi tøffere økonomiske tider i møte. Derfor må vi bruke markedet, vi må sette kapitalen i arbeid, og vi må sikre grønn konkurransekraft. Norge skal være et foregangsland innenfor fornybar energi, transportsektoren skal bli utslippsfri, vi må utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, bruk og lagring av CO2, og Norge bør gå foran med en grønn maritim sektor. Samtidig har norsk luftfart potensial til å gå fra å være et av de største klimaproblemene til å bli en av de viktige klimaløsningene, uten at vi trenger å gjøre hverdagen vanskeligere for folk. For klimapolitikken vi skaper i denne salen, handler om løsninger. Idealisme er fint, og vi kan nå langt med det, men det er først når kapitalistene og idealistene slår seg sammen, ting begynner å skje. Vi må i mye større grad ta innover oss at næringslivet er nøkkelen til arbeidet med å utvikle og ta i bruk klimaløsninger. Vi har et avgjørende ansvar for å skape forutsigbare rammer for klimapolitikken, slik at næringslivet kan utvikle gode, lønnsomme og klimavennlige løsninger. Det handler om å klare å kombinere klimapolitikk med det å skape arbeidsplasser. En av konservatismens grunnsteiner er å forandre for å bevare. forandre for å bevare. For å bevare et samfunn der vi fortsatt skal kunne leve godt, må vi forandre måten vi gjør ting på. Vi kan ikke hvile på laurbærene våre lenger, vi må gå den grønne framtiden i møte.

Dette trengs det politisk handling for å motvirke. Et grunnleggende viktig tiltak, etter Kristelig Folkepartis oppfatning, for å sikre tidlig innsats i skolen er å sørge for økt lærertetthet på alle klassetrinn – og spesielt de laveste. Når hver lærer har ansvar for færre elever, ja, så blir det enklere å gi den Da blir også behovet for spesialundervisning mindre. Dette vet vi fungerer godt. Et bra eksempel er Dovre kommune, som har klart å bryte den negative trenden med økende behov for spesialundervisning gjennom økt satsing, tidlig innsats, økt lærertetthet og kompetanseheving, sammen med flere forskningsbaserte undervisningsopplegg. Her ble andelen elever med behov for spesialundervisning halvert på bare ett år og har faktisk siden ligget på under 5 pst. Det er ca. halvparten av gjennomsnittet i landet for øvrig. De siste årene har det kommet flere faglige anbefalinger om økt lærertetthet. Tidstyvundersøkelsen, som Fafo utførte på vegne av Utdanningsforbundet, viste at tre av fire lærere mente de ikke hadde tid til å utføre arbeidsoppgavene sine på en skikkelig måte. Derfor har Utdanningsforbundet tatt til orde for en norm i grunnskolen som Kristelig Folkeparti i dag har Folkeparti er veldig glade for at vi de siste årene, i perioden som ligger bak oss, har prioritert økt lærertetthet på barnetrinnet og sammen med regjeringen og partiet Venstre fått på plass omtrent 1 700 nye lærerstillinger på 1.–4. trinn. Nå mener vi tiden er inne for å lage en norm som stiller krav til hvor mange elever hver enkelt lærer kan ha, slik at elevene sikres lik tilgang til skolens aller viktigste ressurs, som er Folkeparti foreslår derfor en maksimalgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse per lærer på skolenivå: for 1.–4. klasse 15 elever og for 5.–10. klasse 20 elever per lærer. På Sørlandet ligger alt nå til rette for gjennomføring av store og viktige samferdselstiltak som knytter by og bygd sammen. Dette er et resultat av en storstilt satsing som de fire ikke-sosialistiske partiene har fått til. Landsdelen har også gode forutsetninger for å kunne etablere nye datasentre. Her trenger vi tilgang på fiber nasjonalt og mot utlandet som kan gi en god kapasitet. Det vil derfor være en sentral oppgave å få denne fiberinfrastrukturen på plass ved hjelp av statlige midler. Norge er et godt
og som nasjonale politikere arbeider vi for at det skal bli like godt for alle innbyggerne våre. Regjeringa ledet oss trygt gjennom turbulente tider i stortingsperioden vi har bak oss, og velgerne har gitt nytt mandat til de borgerlige partiene. Like før sommerferien behandlet vi i denne sal kommunereformen. Jeg sa i debatten da at kommunereformen er en suksess, og det står jeg ved. Når over 150 kommuner, som representerer to tredjedeler av Norges befolkning, hadde et ønske om sammenslåing, ser vi at kommunereformen er ønsket lokalt. Mens Arbeiderpartiet vinglet og Senterpartiet bremset, leverte regjeringa en kommunereform med den største endringen i kommunestrukturen på over 50 år. På Sørlandet svarte velgerne i tre kommuner som ble vedtatt ufrivillig sammenslått av Stortinget i juni – med å stemme Høyre fram som det største partiet i alle de tre kommunene. Og i Aust- og Vest-Agder, to fylker som nå slås sammen til én ny region, svarte velgerne med å gjøre det samme. Innbyggerne vil ha et godt og effektivt tjenestetilbud i kommunene sine. De vil ha kapasitet, de vil ha kompetanse og tilgang til gode fagmiljøer. Det krever innovasjon og nytenkning. Vi gjennomfører verken kommunereform eller regionreform fordi vi vil forandre Norge og det vi er glad i ved landet vårt, vi gjør det fordi Norge er forandret. Vi trenger en framtidsrettet struktur på både kommune- og regionnivå som kan tjene oss som innbyggere ikke bare de nærmeste årene, men også på lengre sikt. Det krever fornying, og derfor må kommune- og regionreformen fortsette. Vi har som nasjonale politikere et ansvar for Norges framtid. Når oppgavene krever det, har vi tradisjon for å søke brede forlik i Stortinget. Det ansvaret påligger oss også i denne stortingsperioden. Det er i landets interesse. Denne debatten har vist at vi er mange som merket oss at Arbeiderpartiet i sin selvransakelse etter valgnederlaget stilte spørsmål om de hadde vært for konstruktive i opposisjon. Høyre har tross meningsforskjeller alltid sett på Arbeiderpartiet som et ansvarlig styringsparti, ikke som et protestparti. protestparti. I Høyre kommer vi derfor til å fortsette å invitere både Arbeiderpartiet og de andre partiene i Stortinget til forlik og samarbeid i de sakene der landets interesser bør komme i første rekke – og det forventer også velgerne av oss.

Det alvorlege oljeprisfallet me opplevde i 2014, gav oss ei påminning om sårbarheita i det å ha ei så stor og dominerande næring. Behovet for omstilling og fleire bein å stå på har vore regjeringa si fremste oppgåve i førre stortingsperiode. Finans- og pengepolitikken som regjeringa har ført, har vore godt tilpassa situasjonen i norsk økonomi. Partane i arbeidslivet har opptredd ansvarleg, og fallet i kronekursen har gjort norsk eksportindustri meir konkurransedyktig

der dei framhevar SkatteFUNN-ordninga som eit godt verktøy. Veksten er på veg opp og arbeidsløysa på veg ned. I mitt heimfylke har ikkje talet på ledige vore lågare på ni år, og forventingsbarometeret til Finans Norge viser at nordmenn i alle delar av landet har fått tilbake trua på at Noreg går mot lysare økonomiske tider. Klimaendringane me opplever i verda, vil gje oss meir ekstremvêr, og me vil heller ikkje i Noreg sleppe unna store øydeleggingar og dramatiske situasjonar, slik som nett no under flaumen i Agder. At klimaendringane er ei av våre store utfordringar, er dei fleste einige om, og klimaavtalen frå Paris i 2015 forpliktar oss til å setje dette på dagsordenen i alle sektorar. Rundt ein tredel av klimagassen er knytt til transport. Regjeringa si satsing på jernbane, på kollektivutbygging og på vegutbygging og dreiinga av avgiftssystemet som stimulerer til rask innfasing av miljøvenlege køyretøy, er politikk som verkar på vegen mot eit lågutsleppssamfunn. I Telemark har me mykje industri, og me var stolte over at næringsministeren valde Herøya industripark som staden for å leggje fram industrimeldinga, den første sidan 1981. Yara er ein verdsleiande bedrift i parken og produserer mineralgjødsel. produserer mineralgjødsel. I dag blir gjødsel frakta med bil til konteinarterminalar i Brevik og Larvik. Yara har saman med Kongsberg Gruppen utvikla verdas første førarlause og heilelektriske konteinarskip, «Yara Birkeland». Enova bidreg med 133 mill. kr i støtte til prosjektet, som skal erstatte 40 000 årlege lastebilturar. Dette er eit eksempel på eit prosjekt med samarbeid mellom det offentlege og privat næringsliv for å utvikle ny teknologi og skape nye næringar. Det må me ha meir av i

I dag er ozonlaget på bedringens vei, den sure nedbøren er kraftig redusert, skogsdød er ikke lenger et stort problem, og fisken er tilbake i vannene. Miljøkampen har nyttet. I dag handler det om å bekjempe de farlige klimaendringene og om å stanse en massiv utryddelse av planter og dyr, vårt felles livsgrunnlag. Naturen er ikke bare til for å gå på tur i. Naturen gir oss alt vi trenger av mat, klær, medisiner, hus og hjem – helt gratis. Naturen tar vare på oss, men vi har ikke vært like flinke til å ta vare på den. Derfor har SV i dag lagt fram 42 forslag til hvordan Norge kan kutte sine utslipp av klimagasser og nå det klimaforliket som Stortinget satte seg i 2012. De siste fire årene har utslippene stått mer eller mindre på stedet hvil. Samtidig har regjeringen villig vekk delt ut tillatelser til oljeindustrien uten å lytte til en eneste av de miljøfaglige advarslene mot oljeboring i sårbare områder som har kommet gjennom konsesjonsrundene. Aldri før har det blitt tatt så lite hensyn til miljø i oljepolitikken. Altfor lenge har norsk miljøpolitikk dreid seg om hva vi skal gjøre i en fjern framtid, om 10, 15 eller 20 år. Vi vil ha en forpliktende plan som kutter utslipp de neste fire årene, en plan som sier nei til tildeling av nye felt hvor oljeindustrien skal kunne bore etter olje, som satser på jernbane framfor nye motorveier og nye flyplassutvidelser, som reduserer biltrafikken i de store byene og i stedet legger til rette for at vi kan ta buss, trikk, føtter og sykkel, og som satser på energieffektivisering og på en elektrifisering av båtene som går langs kysten. Sammen med fortsatt vern av sårbare havområder som Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene og Skagerrak er dette blant de viktigste miljøsakene de neste fire årene. SV vil gjøre sitt ytterste for at vi i det nye stortinget er oss vårt ansvar bevisst, at vi som er valgt av det norske folk, bruker de fire neste årene på sammen å kutte utslipp av klimagasser og å ta vare på den fantastiske naturen vi har.

Vi satser på samferdsel, utdanning og vekstfremmende skattelettelser. Vi vil ha «ja-kommuner» og lokalsamfunn med skaperkraft. Og vi ser at politikken virker, det går bra i distriktene. Heldigvis ser velgerne dette og stemte deretter. Høyre gjorde et godt valg i Agder og ble største parti i både Aust- og Vest-Agder. I Vest-Agder gikk Høyre fram i 11 av 15 kommuner, og flere av disse er distriktskommuner. Selv i de såkalt tvangssammenslåtte kommunene gikk Høyre fram. fram. Min analyse av dette er at flertallet av velgerne forstår at samfunnet må endre seg i takt med tida og behovene. I møte med klimaendringer, utenforskap, fattigdom og flere eldre er Høyres mål å ta vare på Norge som verdens beste land å bo i. Da trenger vi en politikk som utvikler nye og bedre løsninger på samfunnets utfordringer. Vi har vist både vilje og evne til å gjennomføre nødvendige reformer, og det vil vi fortsette med. Når oppgaven krever det, vil vi søke brede forlik i Stortinget. Samarbeid på tvers av partier og ideologiske skillelinjer er en styrke ved det norske demokratiet og en verdi det er vel verdt å ta vare på. Derfor er det grunn til bekymring når Jonas Gahr Støre signaliserer at Arbeiderpartiet vil bli mindre konstruktive og kompromissvillige i denne perioden. Min erfaring er at det var de i forrige periode også, da det kunne virke som om Helga Pedersens oppfordring om å sverte regjeringen så mye som mulig var partiets hovedstrategi. Jeg håper Arbeiderpartiet finner tilbake til sin tradisjon, der de i viktige saker setter landets interesser foran partiinteresser.

De aller fleste av oss har det veldig bra i Norge. Gjennom generasjoner har vi sammen bygd opp et velferdssamfunn vi kan være stolte av, og som vi sammen skal ta vare på. I den sammenhengen må vi legge til rette for å skape flere jobber, få mer kunnskap inn i skolen, bygge et enda bedre helsevesen og styrke beredskapen. Dette er områder som Høyre også vil prioritere de neste fire årene selv om helheten i politikken alltid er det som skal veie tyngst. Derfor har det de siste fire årene blitt startet opp flere viktige reformer. I tillegg er flere gode planer som legger grunnlaget for framtiden, vedtatt her i Stortinget. Det disse har til felles, er at man nettopp legger grundige prioriteringer til grunn for å skape framtidens bærekraftige løsninger. Når oppgaven krever det, har vi søkt og vil søke brede forlik med alle partier her i Stortinget. Dette er med på å sikre nødvendig kontinuitet og legitimitet, uansett regjering og uansett parlamentarisk grunnlag. Derfor er det grunn til bekymring når Arbeiderpartiets leder antyder at de kanskje vil bli mindre konstruktive og kompromissvillige – og kanskje heller I trontalen var regjeringen tydelig på at Forsvarets operative evne skal styrkes i tråd med langtidsplanen. Langtidsplanen ble vedtatt av et stort flertall på Stortinget i november 2016. Her inngikk Arbeiderpartiet og regjeringspartiene et godt kompromiss til beste for Forsvaret. Men de siste ukene av valgkampen viste oss et arbeiderparti som Både i sakene om helikoptre på Bardufoss, flystasjonen på Andøya og beredskapssenteret på Taraldrud viste Arbeiderpartiet seg tvert imot fra en lite tydelig side. Dette er det siste Forsvaret trenger nå. For Høyre er forsvar av landet statens aller viktigste oppgave. Derfor har vi startet gjenreisingen av landets forsvarsevne. Med nye kampfly, ubåter og overvåkningsfly beveger vi oss nå mot å nå NATOs Skal vi klare å bygge et forsvar som kan stå imot morgendagens moderne trusler, trenger vi politisk forutsigbarhet. Langtidsplanen legger nettopp dette til grunn. Men da kan vi ikke bevege oss tilbake til da man var mest opptatt av baser og kontorer. Det Norge trenger, er forsvarsevne og kampkraft. Det krever politikere som står ved sine vedtak, og gjennom det sikrer nødvendig kontinuitet.
Neste talar

her. I denne jobben har jeg hatt anledning til å reise mye rundt, både i verden og i Norge, i mange krinkelkroker av landet, for å fravriste naturen noen av dens hemmeligheter. På disse reisene har jeg observert skremmende utviklingstrekk som har gjort meg bekymret, og dette er en vesentlig motivasjon for at jeg står her som stortingsrepresentant i dag – for et rødt miljøparti.

De skriver under Paris-avtalen, men de skyver stadig målsettingene om klimakutt foran seg. Klimaforlikenes mål for 2020 ble uoffisielt oppgitt. I stedet ble et nytt mål for ti år senere, 2030, satt opp, i pakt med EU. Det er noe underlig med det – hvor mye lettere det er å sette hardere krav til kutt av CO 2 , bare det er lenger fram i tid og en slipper å gjøre så mye hjemme. Climate Action Tracker har laget et nytt rangeringssystem for ulike lands klimainnsats som bedre reflekterer målene i Paris-avtalen. I dette nye systemet blir Norges klimainnsats karakterisert som «insufficient», utilstrekkelig, for å nå målet om å unngå oppvarming på mer enn 1,5–2 grader. I trontalen varsler regjeringen ingen raske eller nye tiltak. Det er på denne bakgrunn SVs representantforslag om klimakutt må Det er en plan for å starte konkrete kutt nå, med rundt 40 forslag om utslippsreduksjoner. I tillegg til disse vil flere forslag fra SV komme gjennom transportkomiteen, hvor vi nå er representert ved undertegnede, og gjennom

dette: utestenging. Dette gir kriminalomsorgen et stort ansvar for å bidra til at hvert enkelte menneske innenfor murene har en realistisk mulighet til å vende tilbake til samfunnet og hverdagen, å vende tilbake og bli gode naboer for deg og meg, å kunne gå i gatene som vanlige folk, slik Thorbjørn Egner skrev at røverne i Kardemomme by sa. Regjeringen har lagt seg på en linje der vi står overfor en situasjon hvor ikke lenger rehabilitering og tilbakekomst til samfunnet er en ledestjerne for arbeidet i fengslene. Kriminalomsorgen står i fare for å bli et oppbevaringsalternativ dersom denne linjen videreføres. Arbeiderpartiet mener at dersom vi skal nå målet om rehabilitering og tilbakekomst til samfunnet, må det lovfestes at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere. Verken utfordringene i samfunnet eller for enkeltindividet løses ved soning i utlandet, og en blir ikke kvitt problemene sine med rus kun ved å motta Subutex når cella låses og minnene om et annet liv er det eneste som holder en med selskap, når luftegården er blitt så liten at sola så vidt skinner inn noen timer om dagen, og når sinnemestringsprogrammet og rusmestringsprogrammet

Neste talar

Vi ønsker lokal forvaltning og et lokaldemokrati med reell makt. Vi trenger trygge arbeidsplasser og gode muligheter for å skape nye jobber. Vi trenger et forsvar for hele landet. Vi må nå innføre likhet for loven ved å innføre lokal forvaltning av statens grunn, statsallmenningsgrunn, i Nordland og Troms. Mange kommuner har vilje til å innføre fjelloven, og lokale vedtak er fattet. Både fjelloven og for så vidt også Hålogalandsallmenningen vil gi en mye større sikkerhet mot salg av verdifulle områder som er viktige for jakt og fiske for både bygdefolk og allmennheten. En regjering som ønsker å fjerne konsesjonsloven og selge attraktive områder langt utover et begrenset arronderingssalg, kan risikere å selge ut

Og nå er begge truet. Vi har en regjering som sier at de vil reformere Norge. De kjører på med kommunereform, regionreform, politireform, men det de i virkeligheten gjør, er ikke å reformere, men å formere byråkratiet. Makten flyttes fra oss til embetsmenn. De kaller det å fornye jeg kaller det å dra oss baklengs tilbake til embetsmannsstaten. Når forandringen skjer med tvang, tar de fra oss selvråderetten og selvstendigheten hos det folket som har skapt Norge. Den neste reformen i dette samfunnet må være en tillitsreform. Tillit skaper trygghet og gode løsninger.

for når jeg snakker med mine 17 234 velgere, er de opptatt av vanlige ting. De er opptatt av at vi skal ha tre velfungerende sykehus i Agder. De er opptatt av at Flekkefjord sykehus skal bestå med de funksjonene det har i dag, og at det skal videreutvikles med dyktige ansatte, slik det legges opp til i Nasjonal helse- og sykehusplan. Mine velgere er opptatt av at det kommer firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger, en vei som har blitt forsømt av samtlige regjeringer før Fremskrittspartiet kom i regjering. Og så kommer jeg fra en landsdel som har en relativt høy arbeidsledighet, det er mange som jobber eller har jobbet innenfor olje og gass, i leverandørindustrien eller i annen tilknyttet industri, som f.eks. skipsverft. skipsverft. Det er en mager trøst for mine velgere, som gjerne kan være en arbeidsledig oljearbeider med familie å forsørge, at de er med på det grønne skiftet. Derfor er jeg glad for at vi har en regjering som spiller på lag med landets viktigste industri. Som nyvalgt medlem i energi- og miljøkomiteen og Fremskrittspartiets klimapolitiske talsmann – hvis en sånn stilling finnes – vil jeg gjerne avslutte om miljø og klima, for vi skal være føre var og ta klimautfordringene på alvor, men vi må gjøre det som er smart, og kutte der det har størst effekt. Derfor trenger vi norsk olje og gass for å lykkes med klimautfordringen. Selv om jeg er Fremskrittspartiets nye «klimaraddis», mener jeg det er mye mer radikalt å slå beina under Norges viktigste næring – som hadde ført til høyere globalt – enn å spille på lag med den og finne en gyllen middelvei hvor vi satser både på den viktigste næringen og på ny teknologi for å møte morgendagens utfordring. Klimautfordringene møter vi med nettopp det – ny teknologi. Den utviklingen som har vært i teknologi og innovasjon, har ikke kommet gjennom forbud og påbud. Jeg bruker ikke mobiltelefon fordi Stortinget har bestemt at man skulle nedlegge fasttelefonen eller forby den. Vi bruker ikke e-post fordi Stortinget har bestemt å legge ned postkontor. På samme måte kommer ikke det grønne skiftet – det er heller ikke avhengig av at vi forbyr oljen, snarere tvert imot. Innovasjon og nytenking kommer ikke gjennom forbud, påbud, pisk, skatter og avgifter. De kommer gjennom gode ideer, en godt utdannet og mobil befolkning og et fritt marked.

Derfor er det gledelig å se at fiskeri- og havbruksnæringen er i en svært positiv utvikling. Norge er i dag verdens nest største eksportør av sjømat. Eksportverdien av norsk sjømat i 2016 endte på hele 91,64 mrd. kr. Dette er altså 17 mrd. kr mer enn i 2015. Det skal vi bygge videre på gjennom næringsrettet kunnskap og infrastruktur. En betydelig andel av norsk eksportverdi genereres fra nordnorsk fiskeri- og sjømatnæring. Om lag 75

Økt aktivitet og tilstedeværelse, særlig i nord, har hatt og vil fortsatt ha høy prioritet. Dette er en forutsetning for evnen til kontinuerlig å ivareta oppgaver som overvåkning og etterretning, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Dette gjelder særlig i en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon.

bygge Ringeriksbanen, etter år med sommel, og vi har redusert formuesskatten. Utbyggeren i Jondalen utenfor Kongsberg jublet høsten 2013 da Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga tillatelse til å bygge noen boliger. Utbyggeren hadde anket Fylkesmannens nei til departementet, og prosessen hadde tatt årevis og kostet tid og penger. Vi hadde åtte år med fylkesmenn som overkjørte kommunene. Nå lytter staten til kommunene i åtte av ti innsigelsessaker, mot fire av ti under forrige regjering. Dette er Arbeidsplasser betyr mye i lokalsamfunnet – ja, det er selve nerven. Vi har en regjering som legger til rette nettopp for å skape arbeidsplasser i distriktene, for svaret Distrikts-Norge gir, er mer vei og bane, en skattepolitikk som ikke kveler bedriftene, og en opphevelse av meningsløse innsigelser. Ja, det går så det suser i distriktene. Ledigheten er lav, det går godt i landbruket, i fiskeriene og ikke minst i reiselivet. Jeg er stolt av reiselivet i både Hallingdal og Numedal – jeg kommer fra Buskerud. Det norske folk bet ikke på den rød-grønne skremselspropagandaen om distriktsfiendtlighet og sentralisering. De ga fornyet tillit til regjeringen. Høyre ønsker å opprettholde den norske tradisjonen med sterke velferdskommuner og et reelt lokalt selvstyre. Dette forutsetter endringer i kommunestrukturen også framover. Kjære storting: Dette går ikke over. Vi ønsker levende lokalsamfunn og levende distrikter i hele landet. Vi ønsker ikke fraflytting, vi vil ha næringsliv og gründere som faktisk tør å satse. Desto sterkere en kommune er, desto mindre må staten styre. Jeg vil derfor utfordre Arbeiderpartiet til å bidra i det nødvendige reformarbeidet framover og ikke være svake, utydelige og vinglete. Reform betyr – som Gahr Støre sa på fransk – å gjøre ting bedre.

Selv om det er for tidlig å si noe sikkert om hvorvidt fraværsgrensen vil påvirke frafallet på lengre sikt, er de foreløpige tallene positive. Men vi må uansett fortsette å jobbe for at flere både velger yrkesfag og fullfører. Halvparten av elevene i videregående skole går på yrkesfag, men det er for mange som ikke fullfører. Noen dropper ut, og for mange får ikke læreplass og får ikke fullført av den grunn. Det er en fortvilt situasjon for de elevene det gjelder, men det er heller ikke en ønsket situasjon for samfunnet, som trenger kompetente fagarbeidere både i offentlig og i privat sektor. Derfor er jeg veldig glad for det som både regjeringen og samarbeidspartiene fikk gjort i forrige periode, og for den satsingen på yrkesfagløftet som skal Vi må sørge for at arbeidslivet får den kompetansen det har behov for, og vi må sørge for at ungdommene får fullført den utdanningen de ønsker seg. I forrige periode gjennomførte vi en rekke tiltak for å sikre flere elever lærlingplass. Vi økte tilskuddet med 21 000 kr per kontrakt, bl.a. som et resultat av budsjettforliket med Venstre og Kristelig Folkeparti. Vi skjerpet kravet om bruk av lærlinger for Vi skjerpet kravet om bruk av lærlinger for å vinne anbud. Vi involverte bedriftene i et samarbeid for å skaffe flere læreplasser. Vi har også gjennomført en satsing på yrkesfaglærerne – bare for å nevne noe. Yrkesfagløftet skal nå ta yrkesfagene videre. Etter råd fra arbeidslivet får vi nå yrkesfag som er tilpasset det arbeidslivet har behov for. Vi vil sørge for en mer motiverende utdanning, ved at elevene får spesialisere seg tidligere. Vi vil ha mer praktisk rettet utdanning tidligere i utdanningsløpet, og vi vil gjøre teorien mer relevant. Vi vil også rekruttere flere yrkesfaglærere, bl.a. gjennom rekrutteringsstipender. Vi må øke kravet om lærlinger i statens virksomheter, og vi vil øke tilskuddet videre. Satsingen er offensiv, og den er ambisiøs, men den er også realistisk og helt nødvendig. Fagutdanning er like viktig som en universitetsutdanning, og mesterbrev er like bra som en mastergrad. Norge trenger fagarbeidere, og vi skal sørge for at Norge får de fagarbeiderne vi trenger.

Jeg håper at de ansvarlige partiene på Stortinget vil samarbeide om å skape en innvandrings- og integreringspolitikk som på best mulig måte ivaretar Norges interesser og innbyggernes sikkerhet, og samtidig hjelper dem som trenger det mest. Det kan være tøft å ta valg som påvirker andre menneskers skjebne. Det kan virke brutalt når politikerne f.eks. begrenser bruken av permanent oppholdstillatelse til personer uten beskyttelsesbehov. Men det er helt nødvendig å gjøre slike valg. Vi kan ikke la personer uten beskyttelsesbehov oppta plassene til andre bare fordi media roper høyest om akkurat disse. Vi kan ikke signalisere at i Norge får man bli uten grunn, Jeg ønsker at Stortinget skal stå samlet om å ta tak i noen store utfordringer vi har på integreringssiden. I altfor mange år har vi synset om hvordan det går med integreringen i Norge. Det er på tide at vi begynner å følge utviklingen på en mer håndfast måte. Derfor vil Fremskrittspartiet innføre et integreringsbarometer som følger utviklingen på en rekke måleindikatorer over tid. Det kan være kriminalstatistikk, sosialstøtte, språkkunnskap og bruk av kommunale støtteordninger. Drammen kommune har vedtatt å innføre et slikt integreringsbarometer lokalt, og det er på tide at vi får det samme nasjonalt. Et slikt integreringsbarometer kan hjelpe oss å finne ut hva som fungerer, og om vi tar imot flere innvandrere enn det vi klarer å integrere. Sosial kontroll er et utbredt problem i en rekke miljøer. Jeg synes personlig det er hjerteskjærende at barn i en del miljøer lever under umenneskelige forhold, der religiøs tvang og sosial kontroll preger hverdagen. I slike saker hjelper det ikke med koseprat og dialog. For meg er barnas rett til et fritt og selvstendig liv så viktig at jeg er villig til å gå langt for å få bukt med slik ukultur. Dagbladet har nylig skrevet om situasjonen, og politiet roper varsko. politiet roper varsko. Politiet ønsker at politikerne handler. Vi må gjøre samfunnet i stand til å avdekke når barn lider under religiøs og sosial kontroll. Vi må beskytte ofrene, og vi må straffe de ansvarlige. Dette vil kreve at vi tar noen tøffe valg, og jeg håper Stortinget vil samle seg rundt dette for barnas skyld.

Før valget var det meningsmålinger som sa at så mange som sju av ti telemarkinger var imot å bli slått sammen med Vestfold. Jeg står her i dag som fersk representant fra Telemark nettopp fordi denne saken er så viktig for så mange i hjemfylket mitt at partiet mitt nesten firedoblet stemmetallet ved høstens valg. Senterpartiet ble det største eller nest største partiet i Det skjedde fordi både Senterpartiet og velgerne i Telemark vet at tvangssammenslåingen med det geografisk vesle, men folkerike Vestfold vil føre til enda mer forflytning av makt, arbeidsplasser, ressurser, tjenester og tilbud fra Telemark til Vestfold enn det som regjeringen allerede har rammet Telemark med. Jeg må si at jeg som telemarking blir mektig provosert av debatten her i dag, av å høre representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet som benekter at deres regjering sentraliserer. I forrige stortingsperiode ble to sykehus i Telemark lagt ned. Fylkesmannsembetet har man bestemt skal flyttes til Vestfold, politimesteren og hennes stab, penger, mange folk, er flyttet til Vestfold, 110-sentralen er flyttet til Vestfold, statsadvokatembetet skal flyttes til Vestfold, hovedsetet for Høgskolen i Sørøst-Norge er plassert i Vestfold. Og hva har gått den andre veien? Minimalt. Minimalt. Under gårsdagens forhandlinger mellom fylkene kom det fram at Vestfold ikke var klare for å gi fra seg fylkeshovedstaden heller, selv om de har fått Fylkesmannen. Vestfolds delegasjon var derimot klare på at de skulle ha flere enn Telemark i fellesnemnda, som skal avgjøre det meste i sammenslåingsprosessen, naturlig nok, fordi de er flest. Der er altså tonen satt, og maktbalansen også. Jeg vil påstå at få, om noen, tror sentraliseringen vekk fra Telemark vil stoppe med tvangssammenslåingen med Vestfold. Heller ikke en del av fylkespolitikerne og kommunepolitikerne i Telemark fra regjeringspartiene og samarbeidspartiene tror det. Både de og veldig, veldig mange andre ser at denne tvangssammenslåingen vil svekke særlig Øvre Telemark

og et parti som man skulle tro var imot en sånn type regionsammenslåing? Jeg gleder meg til vi skal behandle det forslaget Senterpartiet la fram i dag om regionsammenslåingen, for jeg setter min lit til at Kristelig Folkeparti tar til fornuft. I Norge er

Det handler om deltakelse i arbeidslivet for både kvinner og menn. Det er slik vi bygger velferdssamfunnet sammen. Min familie flyktet til Norge for 30 år siden. Jeg er ikke født i Norge. Det eneste minnet jeg har fra barndommen, er sirener og det nattlige bombetoktet over Teheran. Men i dag er Norge mitt land, landet som stilte opp for meg og min familie da alt håp var ute. Mine foreldre og spesielt min mor har stor ære for at jeg står på denne talerstolen i dag. Hennes motto var klart: Vi skal stille opp for det landet som stilte opp for oss. Vi skal lære oss norsk. Vi skal ta utdanning. Vi skal ut i arbeidslivet. Jeg kommer fra en by jeg er utrolig stolt av, en by jeg er utrolig glad i, men også en by med mange utfordringer. I Drammen viser tall fra 2015 at nesten 60 pst. av innvandrerkvinnene er utenfor arbeidslivet. Det er uakseptabelt. Drammen er den storbyen med høyest andel barn i fattige familier. I mange innvandrerfamilier er kun én voksen i arbeid. Samtidig ligger Drammen i toppsjiktet når det kommer til utbetaling av kontantstøtte, og vi vet at både i Drammen og i hovedstaden er innvandrerkvinner overrepresentert. Hva gjør regjeringen og statsrådene Horne og Listhaug med det? Hør på dette: Regjeringen vil dele ut 7 500 kr per måned av fellesskapets penger, av skattebetalernes penger, til innvandrerkvinner for ikke å delta i arbeidslivet og for ikke å sende ungene sine i barnehagen slik at de kan lære seg norsk til skolestart. Samtidig skal småbarnsfamilier som er i arbeid og bidrar til fellesskapet, få dyrere barnehage, og i enkelte kommuner må de vente i kø for å få barnehageplass. Dette kaller regjeringen for god integreringspolitikk. Jeg mener det er integreringsfiendtlig politikk. Med Høyre og Fremskrittspartiet er beskjeden at arbeidslinjen ikke er viktig. Kontantstøtten er for mange en fattigdomsfelle. Det er på tide at vi får en streng og rettferdig integreringspolitikk. Bor du i Norge, skal du kunne norsk. Du må ta utdanning. Du må ut i arbeidslivet. Det skal stilles opp med norskopplæring, barnehageplasser og tiltak for å få folk inn i arbeid. Kontantstøtten må bort, og vi kan starte med

ved folkeavstemningen, nesten like høy valgdeltakelse som ved stortingsvalget. Resultatet ble et overveldende nei. Nesten 60 pst. stemte imot. Flertallet i kommunestyret vil lytte til folket i Sørum. Det bør også flertallet i denne salen gjøre gjennom å stemme for det representantforslaget som vi i Senterpartiet har fremmet tidligere i dag. Til NRK 13. september i fjor sa daværende justisminister Anders Anundsen: «Det som er symptomatisk ved lensmannskontorene er at de stort sett er åpent tre dager i uka . Det er ikke beredskap og polititjenester i et sånt bygg.» Flere plasser i landet, bl.a. på Romerike, legger en nå konkrete planer for å demontere velfungerende lensmannskontor. På Årnes gikk i fjor høst 1 200 innbyggere i fakkeltog for å ta vare på lensmannskontoret, et kontor som leverer gode tjenester, som har stor tillit i lokalbefolkningen, og som fram til i dag har hatt åpent fem dager i uken. Nå legger en planer for at kontoret kanskje skal være åpent noen få timer et par dager i uken, og kommunen er satt fullstendig på sidelinjen i prosessen. Tilsvarende ser en også i Lørenskog. Her planlegger altså regjeringen en type lensmannskontor som en tidligere argumenterte for å fjerne. Er det fordi regjeringen egentlig mener at lensmannskontorene ikke er så viktige? Eller for å sitere daværende medlem av justiskomiteen Jan Arild Ellingsen, fra Fremskrittspartiet, fra leserinnlegget i Glåmdalen 12. september i fjor: «For oss i Fremskrittspartiet er ikke et lensmannskontor annet enn en adresse, med innlagt vann, strøm og kloakksystem.» Er det dette som er Fremskrittspartiet og regjeringens syn? Senterpartiet tar kampen for lensmannskontorene i tråd med den lokale folkeviljen. Vi vil kjempe videre for styrking av det lokale politiet. Vi vil kjempe for styrking av skole og omsorg og andre viktige tjenester i kommunene. Vi vil kjempe for en politikk som tar folks hverdag på alvor. Vi vil kjempe for tjenester og beslutninger nær folk. Noe av det beste med vårt samfunn er folk. Noe av det beste med vårt samfunn er at det er preget av små forskjeller mellom folk, høy tillit og sterke felleskap. Anerkjente forskere har vist at samfunn med små forskjeller i makt og rikdom er samfunn med færre sosiale problemer, høyere økonomisk vekst og et sterkere sosialt lim. Derfor er det så skremmende å se at de økonomiske forskjellene øker betydelig, for den rikeste tidelen av Norges befolkning eier nå over halvparten av all formuen i landet, samtidig som det blir bare flere og flere fattige barn. Regjeringen har arrangert skattefest for den økonomiske eliten med 21 mrd. kr i skattekutt, og de har sendt regningen for festen til vanlige folk gjennom usosiale kutt. Vi kan nevne regjeringens kutt i de arbeidsløses feriepenger, i barnetillegget for uføre foreldre og i pleiepengene. De økende forskjellene og de usosiale kuttene rammer mitt eget fylke, Østfold, hardt, med en stor andel uføretrygdede, lavt utdanningsnivå, men kanskje verst av alt – en veldig høy barnefattigdom. Ja, 7 700 unger vokser opp i fattige familier i Østfold. I andel er dette nest verst i hele landet. Dette er 7 700 unger som kanskje ikke kan gå i barnebursdager fordi foreldrene ikke har råd til å sende med gave, som ikke kan være på SFO, eller som ikke har råd til å være med på fotballaget. For det er det barnefattigdom handler om: følelsen man sitter igjen med når en ikke kan delta på lik linje med de andre, følelsen av ensomhet. Jeg så mye av det i min egen oppvekst i Sarpsborg, og vi vet hvor farlig det er for den enkelte med den klumpen i magen, men også for hele fellesskapet. Men heldigvis vet vi at dette handler om urettferdig fordeling i et økonomisk system som gir stadig mer til dem som har mest fra før, et menneskeskapt system som også kan forandres av mennesker. For vi kan fordele makt og rikdom fra den økonomiske eliten til vanlige folk, f.eks. gjennom å innføre skatt på børsspekulasjon – for å bruke Det vil være det mest effektive tiltaket på kort sikt for å bekjempe barnefattigdom, fordi barnetrygden har stått stille siden 1996, noe som gjør at den har gått ned i verdi hvert år siden. Derfor fremmer blant andre jeg et representantforslag om kraftig å øke den universelle barnetrygden tilbake til 1996-nivå, med målrettede tillegg for dem som har aller minst. I stedet for å gi vekk felleskapets verdier til dem med mest fra før, vil vi bruke de store pengene på rettferdig fordeling og sosial utjevning, fordi et samfunn der det er kort vei fra døra til sveisersønnen og døra til advokatdatteren, er et varmt samfunn som det er verdt å kjempe for. Vår visjon for det samfunnet stopper ikke med økt barnetrygd. Vår visjon er et samfunn der vi skaper godene i felleskap og fordeler dem demokratisk, et samfunn der vi flytter både makt og rikdom fra elitene til vanlige folk. Det er et sosialistisk samfunn. Høyres visjon er

Vi vet at arbeid er meget viktig for de aller fleste. Det gir lønnsinntekter og muligheter for å eie egen bolig, ha bil, kunne reise og ha muligheter til livsutfoldelse. Det er med andre ord god mental helse å ha en jobb å gå til. Et av de største sosiale skillene i Norge går mellom dem som sliter med rus og psykiske problemer – og oss andre. Den første gruppen lever i snitt ca. 20 år kortere enn resten av befolkningen. Høyres største bekymring er at mange faller utenfor velferdssamfunnet. Derfor ønsker vi å satse på tiltak som bidrar til at flere kommer i arbeid eller i utdanning. Gjennom vår politikk løfter vi de mest sårbare gjennom satsing på bedre rusbehandling, psykisk helsevern og tettere oppfølging av Nav. Askim i Østfold er et godt eksempel på dette. Nav-kontoret der for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser får tilgang til og opprettholder betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet. Grunntanken i dette prosjektet er å hjelpe personer med å skaffe seg et ordinært arbeid med lønn og gi dem den støtten som kreves for å lykkes. I satsingen på arbeid og psykisk helse har det vært en dreining fra skjermede tiltak til mer fokus på ordinært arbeid dette fordi man har erfart at brukere med psykiske helseproblemer kan og vil jobbe, og de har gjennom slike prosjekter mulighet til det. Resultatet av metoden for å få folk med psykiske problemer ut i arbeid er så godt i Askim at regjeringen vil bruke 100 mill. kr, som tidligere var budsjettert som et prosjekt i Nav, til å bli en fast post på budsjettet for neste år. Slik sikrer man at ordningen blir varig, og Nav får muligheten til å øke innsatsen.

I møte med disse utfordringene vil Høyre ta vare på Norge som verdens beste land å bo i. Det handler om å skape flere jobber og å kvalifisere folk til disse jobbene, da det er arbeid som betaler for velferden vår. Det er

så boka var mer rød enn blå. Mange har pratet om drømmelæreren. Det er den læreren som har både tid og evne til å se hele ungen, se de ungene som prøver å gjøre seg så små og usynlige de bare kan, fordi de til og med kanskje har noen vonde hemmeligheter som ingen har fått vite om ennå, men som kan hindre dem i å få et godt liv etterpå. I 2013 hyllet Erna Solberg drømmelæreren Edvin Svela på landsmøtet, hvorpå han øyeblikkelig gikk ut og dannet felles front med SV mot Høyres skolepolitikk – som han mente var helt i strid med det som var en god skole – nemlig mer fokus på tester, rapportering, og Høyre og regjeringens entydige nei til flere lærere, som er kjempeviktig for at alle unger skal bli sett. Nå i høst skjedde det jammen om igjen. Nå var det Jan Dubowski som sto fram som drømmelæreren som hadde berget mange unger som virkelig sleit. Ja, hva var det som skjedde nå? Jo, han var faktisk en av de lærerne som denne regjeringen har avskiltet. Han er ikke god nok, på tross av at han gjennom sin yrkeskarriere har lært unger både å lese og skrive og matematikk – sjøl om han ikke har nok vekttall i det, har han klart det. Han har faktisk klart å berge disse ungene igjennom, slik at de har tro på seg sjøl – det går bra med dem i samfunnet. De hadde dårlige odds, men de traff drømmelæreren.

ansatt i skolen, kan du bli. Man er altså ikke kvalifisert til å komme inn på lærerutdanningen, men man blir ansatt i skolen som ufaglært vikarlærer, og det tallet øker nå. Derfor er jeg veldig glad når jeg nå ser i avisen at det ser ut til å bli flertall i Stortinget for å avvise denne avskiltingen av lærerne som regjeringen har stått for, og for det forslaget som SV har lagt på bordet i dag. Det er bra for ungene, for de trenger disse drømmelærerne. Nå er

idyllisk Norge på 1970-tallet. Vi må kunne vår historie. Det er kunnskap for å kunne skape bedre løsninger som gjør oss rustet for framtidens utfordringer, for det handler om å gi best mulig tjenester til våre innbyggere. Noe av det viktige i perioden vi har foran oss, er å trygge og videreutvikle norsk næringsliv, slik at vi kan opprettholde et godt velferdssamfunn også i årene som kommer. Veksten og utviklingen må gjennomføres i et tettere samspill,

satsingen også gode muligheter for å utnytte skogressursene i hele landet. Som industrisatsingen bør dette ses i sammenheng med de enorme ressursene Norge forvalter innen fiskeri og havbruk. Dette er blant våre viktigste vekstnæringer, som gjør at vi blir enda bedre rustet til å bruke biomassen i alle disse næringene. Fisk har vi levd av i årtusener, og vi skal leve av det videre. Vi må legge til rette for effektiv og bærekraftig bruk av våre ressurser, samtidig som vi ivaretar både industrielle satsingen er ikke mulig uten forskning og utvikling. Norge må ta lederansvar i de sektorene vi har fortrinn i – det være seg helse, IKT, fisk, skog- og landbruk eller kultur. Vi må sørge for at vi har et utdanningsløp som tar vare på å utvikle alle talenter – fra de i barnehager til de som tar doktorgrad. Et sterkt landbruk er en forutsetning for at Norge ser ut som det gjør. Det bor folk stort sett overalt i Norge. Det ønsker jeg at det fortsatt skal gjøre. Vi må utforme politikken slik at alle deler av landbruket kan utvikle seg. Venstre har hatt en sterk hånd på rattet når det gjelder landbrukspolitikken i den forrige perioden. Det har gitt inntekts- og produksjonsvekst og optimisme i landbruket. Jeg vil bidra til at den trenden fortsetter. Framtidslandbruket må bestå av tre stolper – for det første et landbruk som pleier landskapet og utnytter biomasseressursene, gjerne gjort som en binæring. For det andre skal vi videreutvikle et differensiert og mangfoldig familielandbruk. Den tredje stolpen må være at vi muliggjør kommersialisering i landbruket

som er ganske lite klok, og som kommer til å bli til ugagn for generasjonene som kommer. Det handler om Viken. Først vil jeg understreke at jeg er enig i det Stortinget la som fundament for reformen: at regionene bør danne funksjonelle enheter, slik at sammenhengende bo- og arbeidsmarkeder ikke bør deles. Likevel er det nettopp en slik uønsket deling som blir resultatet når det slås en felles grense rundt Akershus, Østfold og Buskerud – med Oslo på utsiden. Oslo vil ikke inn i noen region. Men da å etablere Viken som en plan B er dysfunksjonelt, for det går på tvers av hensikten med regionreformen, altså målet om mer helhetlig samfunnsplanlegging, der man i regionene samordner utviklingen innenfor samferdsel, klima og miljø, kompetanse, næringsliv, kultur, med mer. Nesten alt Akershus fylkeskommune driver med på disse områdene, har i dag konsekvenser for Oslo – og omvendt. Vi er i praksis en region allerede. allerede. På tross av det har Stortinget gått med på å lage hybriden Viken, en region som kommer til å bli stor, men ikke sterk, som ikke løser noen reelle behov, men som flytter utfordringene til den nære hovedstadsregionen ut av fokus. Paradoksalt nok var det nettopp slike problemer regionreformen skulle hamle opp med: at fylkeskommunene er svake og ikke evner å koordinere felles utfordringer. utfordringer. Så er det en ting til: Både fylkestingsvedtak, høringer og meningsmålinger viser at lokalt blir også Viken oppfattet som en veldig dårlig plan. Akershus trenger ikke en halvgod politisk og administrativ struktur som ikke løser problemer, men skaper nye. Noen ganger er ikke nest best godt nok. Stortinget må ta ansvar for å styre riktig og ikke sløse bort ressursene på en inndeling som ikke kommer til å fungere. Jeg ber derfor om at forsamlingen støtter representantforslaget som kommer om å oppheve Viken, når dette kommer til behandling.

Jeg blir innmari glad og ydmyk når Høyre blir fylkets største parti for andre stortingsvalg på rad. Jeg tolker dette som et uttrykk for at velgerne liker den politikken regjeringen har levert så langt, og at man har troen på Høyres løsninger i de fire årene som kommer. I trontalen sa kong Harald: «Vi må gjennomføre nødvendige reformer, også når det er krevende på kort sikt.» – Også når det er krevende på kort sikt. Høyre har stått fast på de reformene vi har innledet, og vi ønsker å gjennomføre dem. Mitt inntrykk er at noen partier gjør riktige og nødvendige reformer for landet om til et partipolitisk og uforutsigbart spill. Denne forsamling tar i sitt virke stilling til store spørsmål som påvirker enkeltmenneskers hverdag og

Men det var først da vi inntok regjeringskontorene, at dette faktisk ble gjort noe med. Landet trengte sårt at noen kom for å gjøre endringer i hvordan vi bygde veiene våre, organiserte gode tjenester fra kommunene våre og forenklet regelverket for å gi flere boliger til innbyggerne våre. Derfor skal regjeringen og Høyre fortsette med den jobben som er satt i gang. Kommunereformen fortsetter ufortrødent videre. Effektivisering og avbyråkratisering fortsetter. Vi skal bygge veier på nye og billigere måter, og vi skal utvide pakkeforløpene slik at de svakeste i samfunnet får et godt helsetilbud når de trenger det – for å nevne noe. Det påhviler dette stortinget et enormt ansvar for å gjøre de riktige og nødvendige grepene for å etterlate seg et like godt velferdssamfunn også til den generasjonen som jeg er en del av. Trontalen varslet overskriften «Et bærekraftig velferdssamfunn» for regjeringens arbeid de kommende årene. Det blir et veldig viktig arbeid. De store pengene må brukes på det som gir nasjonen grunnlag for å opprettholde sitt høye velferdsnivå. Da må man investere i forskning, infrastruktur og skattelettelser, og unngå å stå i veien for dem som ønsker å få til noe. Klokken er da blitt 22, og Stortinget tar pause i forhandlingene. Første taler i morgendagens møte er statsminister Erna Solberg.
skyldes at jeg